bekymringsfulle, og som vi som politikere skal ha fokus på. Frivilligsentralene er en av dem. Der gis det et godt tilbud. Tilskuddet har økt kraftig de senere årene. Det er stor enighet om at man skal ha mindre øremerkede tilskudd. tilskudd. Nå er det en overgangsordning, og det gjelder at man faktisk prioriterer der ute. Er det dårlige eller feil kriterier når det gjelder frivilligsentralene, må man se på det. Det var så god stemning her i sted, så jeg håper det er det. Det var så god stemning her i sted, så jeg håper det er greit at jeg drar på med litt ros, siden jeg er opposisjonspolitiker. Aller først vil jeg gi ros til representanten Bransdal fordi hun peker på de store, flotte og fine forlikene vi har hatt i Norge. Hun minner oss om det. Så vil jeg rose Kristelig Folkeparti for at de alltid har vært med på veldig mange av viktige forlikene vi har hatt for å løfte distriktspolitikken. Og sist, men ikke minst, vil jeg rose Kristelig Folkeparti for at de her i dag klart har slått fast at de ikke vil støtte den ekspertrapporten som kom, om å legge ned to av tre tingretter. Hva så da med den andre ekspertrapporten som har kommet denne uka, som er enda nemlig den fra kraftskatteutvalget, som vil rasere 157 kraftkommuners økonomi? Hva mener Kristelig Folkeparti og ikke minst representanten Brandsdal, som er kommunalpolitisk talsperson, og som har vært ordfører i 18 år, tror jeg, i kraftkommunen Vennesla? Det fortjener også ros. Hva mener Bransdal og Kristelig Folkeparti – vil de heller ikke støtte den

nå står svakt. Samtidig er Kristelig Folkeparti med i en regjering der det å mistenkeliggjøre andre, der det å sette spørsmåltegn ved andres religion, har fått stor plass. Representanten fortalte at hun er glad for statsborgerskapet – at barn som nå vokser opp i Men disse barna blir fortsatt utsatt for mistenkeliggjørende retorikk fra regjeringspartiene. Er Kristelig Folkeparti bekvem med dette? Det er ingen som burde være bekvemme med dette. Kristelig Folkeparti er tuftet på en politikk der alle mennesker er like mye verdt. Det tror jeg hele regjeringen står bak med en politikk der alle skal ha like muligheter, og der ingen skal mistenkeliggjøres ut fra noe som helst kriterium. Så vi kan stå sammen i den kampen. Replikkordskiftet er omme.

Når eg ser tilbake på mine seks år her på Stortinget, kva er det som kjenneteiknar desse åra? Jo, brannslokking og kjemping mot nedlegging og sentralisering. I periodar har det knapt nok gått ei veke mellom kvar gong eg opnar lokalavisa i fylket mitt og finn noko nytt som skal leggjast ned trafikkstasjonar, rehabiliteringsinstitusjonar, akuttfunksjonar eller ambulansestasjonar. Denne veka er det tingretten og jordskifteretten i heimkommunen min som står for fall, viss ikkje vi i opposisjonen får stoppa det. Nokre lokalsamfunn får alt på ein gong. Mitt distrikt er eitt eksempel, Sandnessjøen er eit anna eksempel. Regjeringa, konsulentane og ekspertutvala forsvarar dette med teknologisk utvikling, urbanisering, snakk om fødselsunderskot og forgubbing, om flyttetrendane som berre går éin veg, inn til byane, som om det var noko naturgjeve. Ja, det er mange som flyttar til og bur i byar, og det er heilt flott, ikkje eit vondt ord om asfalt og betong eller raljering om urbanistar med elsykkel. Det kan andre parti ta seg av. Mitt poeng er dette: Det er ikkje umoderne å ville bu i distrikta. Det som er umoderne, er å sjå på bygdesamfunn og folk som bur der, som annanrangs. No vil kanskje nokon seie at eg driv og set opp stråmenn, at det ikkje er nokon som har sagt dette, og det ikkje er nokon som meiner det. Jo, men sjå berre på argumentasjonen kvar gong noko skal sentraliserast i Noreg. Då er det tenestene i distrikta som manglar kvalitet, kompetanse og fleksibilitet, det går ikkje an å rekruttere der, og fagmiljøa er ikkje robuste nok. Denne tankegangen må ta slutt. Det skal bu folk i dette landet, i heile landet. Det skal vere lys i husa. Folk må få bu der dei ønskjer, der dei har røtene sine, der dei ser potensialet for å leve gode liv. Det handlar om ein kvalitet vi kallar fridom. Då må politikken følgje opp. Dagens regjering har dessverre svikta fundamentalt og opna slusene for sentralisering. Arbeidarpartiet vil markere tydeleg at det er på tide å satse på distrikta og vise tillit og respekt til alle som bur der. New Public Management, ovanfrå og ned-styring og storstilt sentralisering har ikkje gjeve betre tilbod til befolkninga. Det er avleggs politikk, det er ein styringsideologi som bør skrinleggjast av alle parti. Skal det bu folk i dette landet, i heile landet, må det også vere tenester nært der folk bur, likeverdige tenester med fullverdige funksjonar, og det må vere arbeid. Eg er overtydd om at flyttestraumane ut av byane hadde vore langt større viss berre politikken hadde lagt til rette for det. Difor må vi flytte arbeidsplassar ut frå Oslo. Vi må etablere nye utanfor byområda. Vi må føre ein næringspolitikk for vekst og utvikling i heile landet, byggje ut høghastigheitsbreiband, som Arbeidarpartiet har føreslått ei sterkare satsing på enn noko anna parti. Vi må satse meir på desentralisert utdanning og styrkje moglegheitene for å bu i Distrikts-Noreg når ein er ferdig utdanna, styrkje regionale utviklingsmidlar for vekst og utvikling, sørgje for at ressursane i distrikta kjem distrikta til gode og gjev verdiskaping og arbeidsplassar lokalt, anten det er snakk om kraft, fisk, mineral, skog eller jordbruk. Historia om det desentraliserte Noreg er ei suksesshistorie. Det er summen av det vi skapar i heile landet, som er grunnlaget for vår velstand, for vår velferd. Eit land med arbeid og busetjing over heile landet er fundamentet for eit sterkt fellesskap og for vår felles identitet. Framtidstru lokalt gjer Noreg betre nasjonalt. Difor er Arbeidarpartiet både byane og distrikta sitt parti, for i generasjonar har vi vist at Noreg lukkast best når vi står saman, by og land.

president John F. Kennedy at de skulle dra til månen – ikke fordi det var lett, men fordi det var vanskelig. USA skulle ikke være en del av utviklingen, men lede utviklingen. Det ble starten på en teknologisk utvikling der industribedrifter og kompetansemiljøer ble mobilisert til å bidra med løsninger som ledet til et lite skritt for mennesket og et stort steg for menneskeheten. Representanten Lysbakken etterlyste en samfunnsplan for det grønne skiftet i sin tale. Da de rød-grønne lanserte sin månelanding, et fullskala CO 2 -rensingsanlegg på Mongstad, minnet det om den samfunnsplanen Sovjetunionen hadde for bemannet ferd til månen. Men i likhet med fullskalaanlegget på Mongstad ble heller ikke den månelandingen noe av. Rød-grønne samfunnsplaner gir verken et steg fram for menneskeheten eller løsningen på klimakrisen – tvert imot. Det var konkurransen om å finne de beste løsningene, uavhengig av teknologi og politisk styring, som gjorde at amerikanerne kunne sette det første mennesket på månen. God samhandling mellom offentlig og privat sektor skapte gjennomføringskraft. En månerakett besto av hele 5,6 millioner deler – teknologi, komponenter, systemer – drevet fram av romfartsprofitører gjennom konkurranseutsetting. Nå trenger vi den samme konkurransen mellom klimaprofitører. Kloden koker, Amazonas brenner, havene stiger og arter forsvinner. Vi har ikke tid eller råd til mislykkede politiske prosjekter eller samfunnsplaner. Men vi trenger et nytt, stort steg for menneskeheten. Det steget må vi som samfunn ta i fellesskap. Da trenger vi konkurranse og samhandling mellom offentlig og privat sektor, og vi trenger partene i arbeidslivet for å få til robuste omstillinger med sosial og

Det gjelder alt fra jernbanereform, politireform og kommunereform til å endre innretningene på ordningene i velferdssystemet vårt. Det er ikke sosialt å beholde eller utvide ordninger vi ser ikke fungerer eller fungerer mot sin hensikt, noe jeg skal komme tilbake til. Jeg blir oppriktig bekymret når jeg leser i politiske kommentarer at regjeringen må roe ned reformene eller hører politiske partier si at de er imot eller vil reversere reformer og ikke lenger vil søke brede forlik. Nå, mer enn noen gang, trenger vi å gjøre norsk offentlig sektor mindre oljepengeavhengig og velferdsstaten mer bærekraftig. Dette skylder vi generasjonene som kommer etter oss. Klimakrisen må bli en katalysator for nødvendige endringer i offentlig sektor. Vi kan ikke lenger smøre dysfunksjonelle strukturer med oljepenger, som å betale 360 mill. kr i året for å opprettholde 288 kommunale kemnerkontorer som skatteetaten sier vi ikke trenger. Vi skal selvsagt ha verdiskaping over hele landet og arbeidsplasser der folk bor, men vi trenger en organisering av offentlig sektor som fremmer verdiskaping, ikke hemmer den. Vi trenger flere reformer, ikke færre. Omstillingen må opprettholde den sosiale bærekraften i samfunnet vårt. Inkluderende vekst kommer ikke av seg selv, men må legges til rette for gjennom gode reguleringer, et helhetlig skattesystem som ikke polariserer økonomien, og en fordeling som sørger for en velferdsstat som både stiller krav og også stiller opp. Bare slik skaper vi muligheter for alle og gir barn og unge tilbake den framtiden de føler vi har stjålet fra dem. Framtiden er blå-grønn, ikke rød-grønn. Da må vi stå i reformene og kontroversene disse medfører. For hvis ikke de partiene som i dag utgjør regjeringen, gjør det, hvem skal da gjøre det?

i Noreg lever me av å bruka naturressursar, og i Noreg skal me i framtida leva av å bruka naturressursar. Gode lokalsamfunn i heile landet er ein føresetnad for å lukkast med det. Då kan me ikkje gjera gode tenester og beredskap til noko som berre finst i storbyane. Før skulle landet byggjast. No vert det bygd ned. Dei neste vekene skal Dei neste vekene skal dei folkevalde som vart valde i haust, ha sine første kommunestyremøte og fylkestingsmøte. Det er sjølvsagt godt nytt at det vert ein kraftig vekst i talet på Senterparti-representantar. Kommunestyra og fylkestinga får senterpartistar som er opptekne av å skapa verdiar, og som vil leggja til rette for det lokale næringslivet. La dei få lov til det. Og Stortinget må gje dei moglegheiter og verkemiddel til å spela på lag med næringslivet sitt. Etter å ha høyrt debatten så langt verkar det som om verken Høgre eller Framstegspartiet har teke inn over seg at valet gav uttrykk for eit opprør frå distrikta. Ikkje berre eit opprør frå småbygdene, men eit opprør frå byar og bygder i heile landet mot sentraliseringspolitikken til regjeringa. Men vi høyrer i debatten i dag at ein er veldig godt fornøgd med seg og det får meg til å tenke: Er det sånn at regjeringspartia meiner at det er veljarane det er noko gale med, og ikkje deira eigen politikk? Regjeringa liker å framstilla seg sjølv som næringsvenleg. Likevel innfører denne regjeringa for første gong eit næringsforbod i Noreg. Rekninga for dette vedtaket vert send til dei nær 200 familiane som driv med pelsdyr. Statsråd Bollestad har i sommar hatt på høyring eit forslag til kompensasjonsordning som er skammeleg dårleg. Folk vert frårøva oppsparte verdiar. Folk vil sitja igjen med milliongjeld. Tidlegare i debatten beskreiv Venstres parlamentariske leiar kompensasjonsordninga som «raus». La meg ta eit eksempel: I Rogaland driv bonden Bjørn Kjetil Frafjord med mink. Han er blant dei pelsdyrbøndene som kjem best ut av kompensasjonsordninga. Bjørn Kjetil Frafjord har ein pelsdyrgard som er verdsett til 7 mill. kr. Han får 3 mill. kr i kompensasjon – altså berre eit tap på 4 mill. kr. Desse fire millionar kronene er hans bidrag til rekninga for at Høgre og Framstegspartiet skulle få med seg Venstre i regjering.

syn på rausheit. For det som ein driv med, er ikkje rausheit; det er kynisme, det er populisme, og det er ansvarsfråskriving. Eg har registrert at det i debatten har vore snakk om Senterpartiet og fiskeripolitikk. Når me no har styrkt oss kraftig både i Nord-Noreg og langs kysten, vil me fokusera på fiskeripolitikk frå Senterpartiet si side, og me er einige om dei store linjene i fiskeripolitikken. I Senterpartiet ønskjer me ein fiskeripolitikk som kjem heile kysten til gode. Me ønskjer ein variert flåte. Difor seier me nei til strukturering for dei minste båtane. Me ønskjer å gjera det enklare for ungdom å begynna med fiskeri. Me seier nei til regjeringa sitt forslag om å snikinnføra ein statleg skatt for fiskeria våre. Me seier nei og ønskjer ikkje å kvotane tilnærma evigvarande. Og me ønskjer ein fiskeripolitikk der verdiane vert liggjande igjen langs kysten, og der målet ikkje er å føra mest mogleg av verdiskapinga inn i statskassa i Oslo. Det er ikkje så mange av samfunnets verkeleg store utfordringar regjeringa klarer å løyse. Derimot er dei Det er ikkje så mange av samfunnets verkeleg store utfordringar regjeringa klarer å løyse. Derimot er dei veldig flinke til å løyse interne problem, gjerne med skattebetalarane sine pengar. Dei har bl.a. ikkje noko problem med å setje krisestab og kaste milliardar til kvarandre når samarbeidet skrantar. Det er dei interne tinga som betyr noko, det vesle livet i regjeringa. Verkelegheita der ute, som statsminister Solberg liker å kalle resten av verda, betyr stadig mindre. Her ute er verda denne: Kloden står overfor ei katastrofal klimakrise, og forskjellane aukar. Svaret frå dei blå-blå er auka utslepp og auka forskjellar. Konsekvensen merkar alle der ute på kroppen – villare vêr, flaum, meir skade, og havet, jorda, skogen og alle næringane som er avhengige av våre fornybare ressursar,

Fortset handlingslamminga, må vi på få år plutseleg måtte handle og ta plutselege, store kutt på svært kort tid, som vil ramme folk, næringsliv og samfunn på uføreseielege og svært skadelege måtar. Handlingslamminga forsøkjer dei dessutan å dekkje over med å framstille verkelegheita «der ute» som noko ho ikkje er. I Klassekampen 19. august skriv næringsminister Torbjørn Røe Isaksen: pilene for norsk industri peker oppover. Og det samtidig som det grønne skiftet er i gang.» Han viser til tal frå SSB. Problemet er berre at næringsministeren i beste fall har feiltolka tala frå SSB. Vi sjekka tala med dei direkte. Dei viser at veksten hovudsakleg skriv seg frå vekst innanfor olje- og gassverksemd. Investeringane i kraftforsyninga viser ein moderat nedgang, medan industriinvesteringane blir anslått til om lag uendra. Dei gode nyheitene til Røe Isaksen var i både for klima og for grønt skifte. Denne bløffen om at det går føre seg eit grønt skifte i industrien, blir gjentatt redaksjonelt i både Dagens Næringsliv og Klassekampen. Utviklinga gjer oss meir oljeavhengig, ikkje mindre. Det er eit anti-grønt skifte. Strukturelle grep må til viss vi skal snu utviklinga. Klimakrisa er Strukturar som i dag undergrev arbeidet med eit grønt skifte, må vriast til å bli ein del av løysinga. Vi må slutte på den eine sida å bruke budsjettkroner på grøne tiltak som skattesystemet undergrev i neste omgang. Det er bl.a. meir lønsamt å investere i eigedom enn i grøn industri. Vi må slutte å inngå handelsavtalar som undergrev klimamåla, som regjeringa gjorde med Mercosur-avtalen. Mindre regnskog undergrev klimamål og urfolk og vil føre til at Noreg må kutte endå meir, med dei effektane det har for samfunn og næring. Sånne system finn vi også på område så forskjellige som ressurs- og pengepolitikk, infrastruktur- og fordelingspolitikk. Desse vonde sirklane må brytast viss vi skal sigre i kampen mot klimaendringar og auka forskjellar. SV tar difor initiativ til å etablere ein grøn ny deal-kommisjon i dag. Målet er at vi skal kutte så mykje som vi må, at vi skaper det nye næringslivet som vi må ha, samtidig som vi reduserer forskjellane. Vi må ha ein plan for å kutte rundt 60 pst. av klimautsleppa innan 2030 og bli fossilfrie i 2040. Vi må ha ein plan for å vri investeringar, teknologi og kompetanse frå olje, gass og eigedom over til grøn industri og næring. Vi må ha ein plan som sikrar dei fornybare ressursane våre innan hav, jord, skog og kraft, for å skape mat, materiale, medisin og energi. Da må nasjonal kontroll over havet sikrast, jorda må takast i bruk, skog og kraft må brukast strategisk og til teneste for miljøet. Vi må ha ein aktiv næringspolitikk der vi tør å satse tungt og strukturelt på og strukturelt på utvalde område som kan overta som drivarar i norsk økonomi, som bioindustri, hydrogen, karbonfangst, maritime og digitale næringar. Skal vi klare dette, må vi byggje ein ny infrastruktur som er rigga for nullutsleppssamfunnet. Til slutt: Kampen mot miljøøydeleggingar må ikkje bli ein motor i seg sjølv for auka forskjellar. Vår historie viser at vi i våre beste år har vore prega av små forskjellar og sterk velferd. Denne

Vi har ikke tid til å diskutere alle SV-kuttene nå, men ett skal representanten få svare på. Politiet står overfor et endret og vanskeligere trusselbilde, og de trenger flere sikre biler og bedre utstyr for å håndtere krevende situasjoner ute på oppdrag. Det sørger regjeringen for, mens SV foreslår å kutte massivt, med 40

i kritiske situasjonar for nasjonen Noreg. Vi gjekk inn i det arbeidet med mål om å ruste politiet for nettopp den oppgåva, i fleire omgangar. Både i førre stortingsperiode og i denne omgangen fekk regjeringspartia massiv kritikk for ikkje å ruste politiet for dei oppgåvene vi som samfunn står overfor. Da vi behandla dette i Stortinget, tok vi også til orde for å gi regjeringa løyve til å kome med den typen midlar i budsjetta. Det kom da for seint, men det kom litt i siste budsjett, så vidt eg kan hugse. Jeg merker meg at representanten ikke har oversikt over de grove kuttene i hans eget partis budsjett. eg kan hugse. Jeg merker meg at representanten ikke har oversikt over de grove kuttene i hans eget partis budsjett. Vi kunne godt ha snakket om objektsikring, som er under bedring. Vi kunne ha snakket om politireformen, som gir bedre etterforskning og politiarbeid på stedet, men som også har utfordringer som må løses. Vi kunne ha snakket om hvordan vi med Høyre i regjering styrker politibudsjettet med 3 mrd. kr og over 1 600 nye stillinger. Men nå snakker vi om helt nødvendig utstyr og biler, om politiets evne til å reagere raskt og riktig la representanten få prøve igjen, hente det fram fra hukommelsen og gi oss et skikkelig svar på hvorfor de mener det er bra å kutte 40 mill. kr i nødvendig utstyr til politiet. Eg kan verken bekrefte eller avkrefte om det faktisk er tilfellet. Det kan godt hende at vi har budsjettert på heilt andre måtar enn det representanten her peikar på. Men denne typen detaljkunnskap kan ikkje representanten forvente å få svar på frå ein tilfeldig representant frå ein heilt annan komité i ein trontaledebatt – det kan ein ikkje. Men det vi kan diskutere, er noko som eg har jobba med, objektsikringa. Politiet skulle ha sikra sine installasjonar, sine objekt, innan 2015. På dette feltet lovde regjeringa at dei faktisk hadde gjort dette innan fristen, altså ut 2015. Så viste det seg i etterkant at det hadde ein faktisk ikkje gjort – ein låg faktisk langt bak når det gjaldt å sikre objekta sine. Og så vidt eg forstår no, er det berre halvparten av dei kritiske objekta til politiet sjølv som er sikra. Så eg synest det er merkeleg å få kritikk frå regjeringspartia, som sjølve har ansvaret for det manglande sikkerheitsarbeidet, når dei får kritikk frå opposisjonspartia som har peika på desse manglane – systematisk og over tid. Representanten har snakket om økte forskjeller i sitt innlegg, og det leder meg inn på soneforvaltningen av ulv. Soneforvaltningen av ulv fører til at tid. Representanten har snakket om økte forskjeller i sitt innlegg, og det leder meg inn på soneforvaltningen av ulv. Soneforvaltningen av ulv fører til at en veldig liten del av Norges befolkning må ta all belastningen med at et flertall på Stortinget vil ha ulv i Norge. Den ulvepolitikken som føres i dag, er grunnlag for veldig Det er grunnlag for svekket biologisk mangfold og tap av rettigheter knyttet til næring, jakt og friluftsliv, og folk føler seg utrygge i kommuner hvor man er belastet med ulv. I sommer har beitedyr nok en gang blitt tatt av ulv i stort omfang, også utenfor ulvesonen, og nå har ulven begynt å gå løs på villreinen etter at beitedyra er tatt ned. Da er mitt spørsmål til Knag Fylkesnes: Mener SV at en slik fordeling av belastningen med å ha ulv er rettferdig? Det er mange ting ein kan seie om dei ulike rovdyrsonene, om kva som er klokt. Vi har eit rovdyrforlik i Noreg i dag der vi seier at vi skal ha rovdyr i Noreg. Da er den naturlege konsekvensen at vi skal ha ein berekraftig bestand av rovdyr. Da må det vere ein eller annan stad i dette landet ein skal ha desse rovdyra, for ein kan ikkje ha rovdyr under berekraftig nivå dersom ein faktisk skal ha rovdyr i Noreg. Så er spørsmålet: Kvar skal ein ha dei? Vi trur at i ulvesona kan ein ha fleire dyr og i andre område færre dyr. Men det at ein jaktar f.eks. på jerv i låglandet på Austlandet der det ikkje er sau, er spesielt, for det fører til vidare belastningar på å ta ut rovdyr andre stader.

stader. Kristelig Folkeparti og SV har mye god politikk felles, f.eks. solidaritet med svake grupper nasjonalt og globalt, en godt utbygd velferdsstat, et bredt spekter av offentlige tjenester og sosiale ordninger. Imidlertid virker det som om SV mener at staten Norge kan ri inn i solnedgangen nærmest i bokstavelig forstand med velferdsordninger som skal bestå uendret i tiårene som kommer. Men det er en kjensgjerning at i 2040 vil det være dobbelt så mange personer over 80 år i Norge, nesten 500 000 mot 220 000 i dag. Mener representanten Knag Fylkesnes at våre velferdsordninger i dag kan bestå i uendret form i 2040? Hvis ikke – hvordan ser representanten for seg at vi kan tilpasse velferdsordningene våre for å greie å løse de oppgavene som staten vil ha i 2040? Takk for eit godt og omfattande spørsmål, vil eg seie. Vi trur ikkje at det er den sosiale tenkinga i norsk politikk ein skal bruke pauseknappen på i dårlege tider. Vi trur at det å tenkje breitt sosialt, ha eit samfunn med små forskjellar og sterk velferd er ein av nøklane til å kome seg gjennom tøffe tider. Det er det historia vår har vist, at i våre aller beste dagar som nasjon er det nettopp ein sterk fagbevegelse, koordinerte lønsoppgjer, samanpressa lønsmodellar og gode velferdsordningar for alle som har gjort at vi har kome oss best mogleg gjennom tøffe tider. Det sikrar at folk lettare kjem i arbeid, held på arbeidet, blir behandla godt på arbeid, osv. Så til regjeringa sin strategi i dette arbeidet: Den ser ut til å vere at ein kuttar i skattar til dei aller rikaste i samfunnet vårt, og så legg ein byrda over på folk som verkeleg treng velferd, og aukar samtidig forskjellane i samfunnet. Vi trur det er ein elendig strategi dersom målet er å skape eit godt samfunn for alle.

ein politikk der politiberedskap, ambulanseberedskap og brannberedskap skal vere like god for alle, og der oppgåvene mellom dei skal vere klarare og ressursane forsterka. Det kostar pengar og politisk vilje å styre samfunnsutviklinga. Folk må få den hjelpa dei treng, når dei treng ho. Den lokale beredskapen for folk er dessverre svekt. Nærveret og det synlege politiet er I mitt fylke, Telemark, har me 34 færre årsverk i politiet no enn før nærpolitireforma. Det er brot med forliket inngått her i Stortinget. Arbeidarpartiet meiner at politidistrikta må styrkjast. Det Stokkebø frå Høgre prøvde å gje inntrykk av her i stad, stemmer ikkje i det heile med den verkelegheita som er der ute. Etterforskingsløftet må få full prioritet i ei skakkøyrd politireform. Arbeidarpartiet meiner at ein skal respektere forlik inngått i Stortinget og vedtak fatta i Stortinget. Dessverre har me ei høgreregjering som ikkje gjer det. Det er alarmerande tilstandar i politiet – utan at det fekk nemneverdig plass under trontalen i går. Me har kunna lese om at folk i Telemark, Vestfold og

at politireforma berre er i startfasen, lurar eg på kvar han har vore i det siste, for politireforma skal etter planen vere ferdig til neste år. Opposisjonen i Stortinget har fått nok av snakk og regjeringsarroganse. Difor har Arbeidarpartiet, SV og Senterpartiet sendt eit brev til justisministeren der me ber han om snarast å kome til Stortinget for å greie ut om den alarmerande bemannings- og beredskapssituasjonen i politiet.

Det må vere mogleg både å modernisere og utvikle norsk rettsvesen utan å leggje ned to av tre domstolar i landet. Det er ein god tradisjon og ein fin ting å inngå store forlik i Stortinget og finne einigheit i store saker. For Arbeidarpartiet har det vore dyrekjøpte erfaringar. Me har ikkje kunna stole på at høgreregjeringa følgjer opp det me faktisk vedtek, særleg i samband med særleg i samband med nærpolitireforma. Me kjem no til å brette opp ermene for Arbeidarpartiets politikk for sterkare fellesskap, saman med raud-grøne vener her i Stortinget. Allereie no ser me tydelege forskjellar mellom blokkane. Arbeidarpartiet er eit parti for by og land. Det er eg stolt av. Skal me ha ein politikk for heile landet,

Politikk for by og land, for arbeidsfolks interesser og til kamp mot aukande forskjellar mellom folk er Arbeidarpartiets politiske arv, det er vårt fundament, og det er vår framtid. Det går godt på arbeidsmarkedet. Bedriftene trenger folk, flere melder seg på arbeidsmarkedet, og den registrerte arbeidsledigheten er

2016. Sysselsettingsandelen, som tidligere har gått ned år for år, går nå opp år for år. I enkelte bransjer og områder meldes det om økt mangel på arbeidskraft. Dette, sammen med gode utsikter for norsk økonomi, gjør det særlig viktig at vi nå benytter de gode tidene til å hjelpe flere av dem som står utenfor, inn i arbeidslivet. Vi har en rekke virkemidler som vi nå spisser for at flere arbeidsledige og personer med nedsatt arbeidsevne skal komme i jobb. Vi vet at mangel på kvalifikasjoner ofte er årsak til at man ikke får jobb. En stor andel av de som oppsøker Nav, har kun grunnskole som høyeste utdannelse. Vi intensiverer derfor arbeidet med å sikre at flere får den kompetansen de trenger for å få seg en jobb. Gjennom inkluderingsdugnaden, integreringsløftet og ny kompetansepolitikk vil regjeringen bidra til at flere kan få seg en ordinær jobb, også de med nedsatt funksjonsevne og hull i cv-en. Norsk arbeidsliv er i hovedsak preget av ryddige forhold og et godt arbeidsmiljø. De aller fleste er fast ansatt, og om lag tre av fire jobber heltid. Regjeringen ønsker en heltidskultur i arbeidslivet og jobber for å legge til rette for det. det. Dette er viktig for at flere skal kunne forsørge seg selv ved egen inntekt, for å oppnå økt likestilling i arbeidslivet, men også for å sikre bærekraften i velferdsordningene. Regjeringen har styrket reglene om fortrinnsrett for deltidsansatte. De aller fleste som jobber deltid i Norge, gjør dette av eget ønske, men ufrivillig deltid er en utfordring for dem som rammes, og av dem er det flest kvinner. Spesielt er ufrivillig deltid en utfordring i helse- og omsorgssektoren. Derfor stiller vi krav til de regionale helseforetakene om å videreutvikle en heltidskultur, og at flest mulig skal tilsettes i faste stillinger. Skal vi sikre at også våre barn og barnebarn får gode velferdsordninger, må bærekraften i velferdsordningene bedres. Økt bærekraft er betinget av at flere som kan jobbe, også jobber. Samtidig skal de som ikke kan jobbe, ha en anstendig inntekt å leve av. Flere evalueringer har vist store svakheter i inntektssikringsordningene våre. Dette rammer først og fremst dem som ordningene er ment for. Regjeringen har derfor gjort flere justeringer for å sikre tettere og tidligere oppfølging, for å motvirke passive stønadsforløp og bedre overgangen til arbeid og aktivitet. Aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere ble De to siste årene har vi sett en nedgang i antall unge sosialhjelpsmottakere. Det er positivt. Den gamle AAP-ordningen møtte kritikk fra nær sagt alle hold for både manglende oppfølging og for dårlige resultater. Endringer ble gjort for å gjøre ordningen mer arbeidsrettet og for å sikre tidligere avklaring. For å redusere sykefravær og frafall i arbeidslivet har partene og regjeringen inngått en ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv. Nå omfatter avtalen hele arbeidslivet, og den legger stor vekt på partenes felles innsats på arbeidsplassen. Innsatsen skal rettes inn mot forebyggende arbeidsmiljøarbeid mot hyppig og gjentakende sykefravær. Som del av den nye avtalen iverksettes det nå flere nye tiltak og virkemidler. Pensjonsreformen er en bærekraftsreform som skal bidra til en mer rettferdig byrdefordeling mellom generasjonene. Vi må derfor holde fast på prinsippene i reformen, og ikke gjøre endringer som bidrar til å øke pensjonsutgiftene, og dermed også øke byrdene på våre barn og barnebarn ytterligere. Etter forslag fra regjeringen har Stortinget vedtatt en ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor som er tilpasset nettopp prinsippene i pensjonsreformen. Regjeringen skal nå, sammen med partene i offentlig sektor, tilpasse pensjonsreglene for personer med særaldersgrenser til den nye tjenestepensjonen. Dette arbeidet starter nå. Men igjen – for å avslutte der jeg startet: Det går bra på det norske arbeidsmarkedet nå. Flere kommer seg i jobb, færre støtes ut, og den innsatsen skal vi nå fortsette med.

Veksten i andel folk i jobb kommer av utlendinger som ikke har tenkt å bli her, og som ofte jobber i bransjer med dårlige forhold. Dette er selv om vi vet at hvis andelen innleide utlendinger øker, sånn som den gjør i enkelte bransjer, går produktiviteten ned. Når verken skattekuttene til Høyre eller finanspolitikken ellers bidrar til å skape arbeidsplasser, vil det gå ut over Hva har regjeringen tenkt å gjøre med det? Her var det utrolig mange premisser som var helt feil. Jeg tror faktisk ikke noen av dem var korrekte. Det er ikke sånn at at andelen folk i jobb går ned. Andelen folk i jobb går opp, sysselsettingsandelen går opp. Antallet folk i jobb går opp, ledigheten går ned. Unge på Nav går ned, unge som faller utenfor skolen går ned, antallet som får læreplass går opp – jeg tror nesten ikke noe i det spørsmålet og premisset var korrekt. Vi ser til og med at seriøsiteten i arbeidslivet faktisk opp, og tilbøyeligheten til å bli utkonkurrert av useriøse aktører går faktisk også ned. Så alt i alt går veldig mye riktig vei. Men vi har selvfølgelig noen utfordringer som er viktige. Vi må skape flere jobber, vi trenger flere ben å stå på. Vi trenger å ha flere ben enn oljesektoren å stå på, særlig nå som vi skal omstille Norge, ikke minst som følge av det grønne skiftet. Vi ser at det nå skapes jobber over hele landet, næringslivet blomstrer landet rundt, og det skal vi være glad for. for. Denne regjeringens mantra synes å være at den som har mye, skal få mer, og den som har lite, skal få enda mindre. Sånn er det også med AAP. I forrige innstrammingsrunde på AAP ble også ungdom rammet. Da var det kutt i tid fra fire til tre år, det ble vanskeligere å få, det ble vanskeligere med forlengelse, det resulterte i flere på sosialhjelp. Også den gang ble det sagt at tettere oppfølging skulle få flere i arbeid. Kan jeg da få svar fra statsråden på: Hvor mange flere unge kom seg ut i jobb som følge av innstrammingene i forrige runde? Basert på de erfaringene, hvor mange mener statsråden vil komme i jobb som følge av ytterligere kutt nå?

Arbeidsavklaringspengeordningen ble utsatt for ramsalt kritikk fra nær sagt alle hold, og den var evaluert til ikke å virke. For mange kom inn i den, for få kom ut av den, og oppfølgingen i ordningen var altfor dårlig. Tilsvarende var det for ungdomsgarantiene man også hadde: Ingen av dem fungerte heller etter hensikten. Det er åpenbart at når man får evalueringsrapporter på inntektssikkerhetsordninger og andre ordninger som skal hjelpe folk videre, og evalueringene viser at de ikke virker, kan vi faktisk ikke fortsette med det. Vi gjorde flere endringer i AAP-ordningen, og det var nettopp fordi vi ønsket å svare ut den kritikken som kom fra evalueringen. Vi mener at de innstrammingene vi har gjort, er riktige. Evalueringen er nå i gang, og det er litt for tidlig å si hva de endelige resultatene er. Men jeg er ganske trygg på at det som er gjort, kommer til å få flere over i jobb eller avklart til uføretrygd. Nav fungerer svært dårlig for våre naboer som trenger Navs hjelp. Poenget med Nav var

De som er der, er ikke de mest erfarne, men derimot mange nyutdannede i 20-årene. Folk mottar beskjeder i korte telefonsamtaler om å henvende seg hit og dit. Konsekvens: Saksmengden blir ofte enorm – jeg understreker enorm – før det etter mange måneder blir truffet et vedtak. Mitt spørsmål er: Er statsråden enig i at det er behov for å gjøre endringer i tråd med intensjonen om én dør inn i hvor det bør være langt flere erfarne fagfolk hos Nav i kommuner og i bydeler – fagfolk som skal ta ansvar og ha myndighet til å ta beslutninger i alle saker som ikke gir varige ytelser? Det er ingen tvil om at Nav-reformen var en krevende reform. Den ble også hastet igjennom i altfor stort Den ble også hastet igjennom i altfor stort tempo. Det ble også Stortinget advart mot den gangen man faktisk hastet den igjennom i det tempoet man gjorde. Men alt i alt vil jeg si at Nav-reformen var riktig, og jeg mener også at resultatene og reformen har en positiv utvikling. Man ser at brukertilfredsheten faktisk øker, både blant brukerne og også blant arbeidsgiverne som er i kontakt med Nav. Men fortsatt er det en del utfordringer. Det er ikke noe tvil om det. Men den virkelighetsbeskrivelsen som representanten Lundteigen har, er jeg helt uenig i. Det største Nav-kontoret nå, er nav.no. Det er ikke lenger sånn at alle ønsker å oppsøke sitt fysiske kontor, man ønsker å oppsøke nav.no og gjøre det man skal via sofaen hjemme. De aller fleste som oppsøker Nav, trenger ikke mye hjelp. De trenger kanskje å fylle ut et skjema og har ikke behov for kontakt med veileder. Vi

og så kommer hele tida mantraet: En skal sette inn nye tiltak for å få dem raskere i jobb. Hele tida skal det settes inn nye tiltak. Vi som er rundt, erfarer at tiltakene som settes inn, ikke fungerer. Når er statsråden da villig til å sette inn folk i førstelinja, erfarne folk i førstelinja, gi dem myndighet, og gi dem økonomiske virkemidler så de kan løse jobben
tidligere. Vi vet at flertallet av dem som oppsøker Nav, f.eks. har grunnskole som høyeste utdanning, og da sier det seg selv at det nettopp er kompetansetiltak og bedring av mulighetene til å få kompetanse som er helt nødvendig skal man klare nettopp å løse oppdraget. Tilsvarende er det med lønnstilskudd – det er også en ordning som er endret nettopp fordi vi ser at den er blant de mest effektive. Når det gjelder flere ansatte, kan jeg glede representanten Lundteigen med at det faktisk er flere ansatte i Nav nå enn det har vært tidligere – 500 flere ansatte i nå enn det har vært tidligere – 500 flere ansatte i Nav. Det er bl.a. fordi man frigjør ressurser gjennom digitaliseringen. Dette er personer som kan jobbe direkte med brukerne av Nav. Det er nå en positiv utvikling når det gjelder antall klienter per saksbehandler. Det er halvparten så mange, om jeg husker riktig, klienter per saksbehandler nå som for bare noen ganske få år siden. Så det er flere ansatte som også har færre klienter å jobbe med, og det er positivt, vil jeg tro.

ut i jobb og ha ei positiv utvikling mot arbeid om ein har økonomisk tryggleik, eller er det slik at regjeringa er fastlåst i ideen om at ein skal pressast ut i jobb av kutt og fattigdom? Det å ha en inntektssikringsordning mens man er syk er åpenbart et av velferdsstatens viktigste fundament. At man skal kunne sikres inntekt mens man er til behandling, er avgjørende. Det forslaget som vi kommer til å fremme for unge på AAP, er helt identisk med det som sysselsettingsutvalget og andre fagmiljøer også har anbefalt. Det vi gjør, er å redusere ytelsen for unge, altså for dem under 25 år, på AAP, til det samme nivået som for unge under 25 år i kvalifiseringsprogrammet og på introduksjonsordningen. Så det nivået som SV mener er greit for kvalifiseringsprogrammet og introduksjonsordningen, burde være greit. Men jeg er også for arbeidsavklaringspengeordningen. I tillegg: jeg er også for arbeidsavklaringspengeordningen. I tillegg: Det vi også gjør, er at det vi sparer på å ta ned ytelsen, skal vi bruke krone for krone til å følge opp den samme målgruppen. Vi ser at unge trenger mye tettere oppfølging i dag. Av de unge som kommer inn på arbeidsavklaringspengeordningen, har 70 pst. lettere psykiske lidelser. De trenger arbeid og aktivitet for å bli friske. Replikkordskiftet er

Vi har vurdert Miljøpartiet De Grønnes forslag om å hente den syke fireåringen og hans familie tilbake til Norge, og vi er kommet til at vi ikke kan støtte det. Fra Arbeiderpartiets side har hensynet til barna som har havnet i en situasjon de ikke har valgt selv, vært veldig viktig. Det var det i vår, og det er det nå. Derfor støttet vi den uthentingen av foreldreløse barn som var i vår. Det finnes noen foreldre som har gjort sine valg og satt sine barn i en uholdbar situasjon. Den norske staten bør i det tilfellet gi et tilbud til disse foreldrene om at barna kan hentes hjem, slik at de kan få en humanitær situasjon og oppvekstforhold som er et barn verdig. Men la meg være tydelig på at Arbeiderpartiet ikke på generelt grunnlag ønsker at vi skal hente hjem voksne borgere som har valgt å knytte seg til terrororganisasjonen IS – eller for den saks skyld andre terroristorganisasjoner. Jeg vil også advare mot at vi i Stortinget skal drive saksbehandling av enkeltpersoners situasjon. Vi har ikke tilstrekkelig informasjon. Det vil kunne lage uforutsett presedens, og det bryter med ansvarsdelingen mellom den lovgivende og den utøvende makt. I tillegg er den situasjonen vi har i Syria, ikke noe som bare berører Norge, også andre Derfor tok vi til orde for å finne internasjonale løsninger i vår, og vi tar til orde for det i dag. Vi merket oss det svenske initiativet i vår, men vi må jobbe for bredere internasjonale løsninger. Det kan selvfølgelig inkludere en internasjonal domstol – i den grad det er mulig å gjennomføre. Men det kan også være grunnlag for å se om man kan få multilaterale avtaler med kurdiske selvstyremyndigheter om hvordan man løser sikkerhetsbehovene for det er jo ikke ønskelig å overlate en enklave av forlatte personer med IS-tilknytning sittende fast i disse områdene – eller om man kan finne andre former for internasjonalt samarbeid. I vår fremmet vi forslag om at regjeringen tar et initiativ og er tydelig og arbeider proaktivt for å få til denne typen internasjonale løsninger. Det ønsker vi fortsatt. Når disse barna kommer hjem, må man sørge for å ha et ordentlig mottaksapparat. at man, så langt det er mulig, også involverer aktuelle omsorgspersoner i Norge som har en eller annen form for tilknytning til barna, og jeg ber om at regjeringen også legger vekt på det når disse barna kommer hjem. Det er regjeringen som har ansvaret for å ivareta de norske statsborgerne innenfor det gjeldende regelverket. Tidligere denne uken karakteriserte stortingsrepresentant og nyvalgt visepresident i Stortinget, Abid Q. Raja, regjeringen som handlingslammet i saken i Dagsnytt 18. Jeg ville ikke, og helt sikkert ikke statsminister Solberg, brukt akkurat de ordene, men at denne situasjonen ennå ikke er løst, er åpenbart. Derfor har Arbeiderpartiet fremmet fire forslag i sammenheng i dag. De forslagene ber regjeringen tilrettelegge for transport av alle barn som har norske foreldre, hjem til Norge, med bidrag fra eventuelle familiemedlemmer, og umiddelbart sørge for relevant helsehjelp til barna. I tillegg ber vi om at regjeringen kommer til Stortinget for å redegjøre om situasjonen i Syria, hvordan vi kan ivareta nordmenn som er berørt, og hvordan straffeoppgjør med skyldige IS-medlemmer er tenkt gjennomført. Det bør gjøres i plenum, men det kan også være forhold som egner seg for en redegjørelse f.eks. i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen, slik vi åpner opp for i forslag nr. 36. Samlet sett vil dette gi Stortinget en mulighet til å behandle denne saken på en ordentlig og opplyst måte. Derfor håper jeg at flertallet kan samle seg om denne tilnærmingen i saken.

eldrebølge, digitalisering, politisk polarisering og klimakrise. Det grønne skiftet vil kreve at vi i denne sal tar modigere valg framover. Ja, vi skal løse klimakrisen gjennom internasjonalt samarbeid. Og ja, vi skal bruke kompetansen, teknologien og ikke minst inntektene fra oljenæringen for å utvikle nye, grønne arbeidsplasser. Bare se på aluminiumsverket på Karmøy, biogassanlegget på eller starten på det som kan bli et flytende havvindeventyr takket være regjeringens satsing på Enova. Men selv om penger og innovasjon kan gjøre mye, må vi også være ærlige på at dette er en omstilling vi alle kommer til å kjenne på kroppen. For første gang i norsk klimapolitisk historie har alle sektorene forpliktet seg til å kutte utslipp. Ingen slipper unna. Jeg er så pass optimistisk at jeg tror vi skal greie det ikke ved å pålegge folk eller bedrifter dårlig samvittighet, men ved å satse på menneskers skaperkraft og ved å føre en politikk som gjør at selv klimaskeptikere ser seg tjent med å velge miljøvennlig. I motsetning til andre partier vet Høyre at klimapolitikken aldri vil være bærekraftig dersom folk ender opp med å falle utenfor samfunnet, eller om bedriftene kun blir sittende igjen med røde tall. Vi vet er lite verdt dersom man dagen etter demonstrerer mot europeisk energisamarbeid eller mot utvinning av f.eks. mineraler vi trenger til elbatterier og en storstilt elektrifisering. Jeg er enig i at vi må gjøre mer. Det er det ingen tvil om. Men de som står i denne sal og later som om det ikke skjer noe som helst, slår et billig politisk poeng som kanskje er en fordel for deres parti, men det er ikke en fordel for klimasaken. Man trenger ikke reise mye rundt i Norge før man ser at alt henger sammen med alt. Klimapolitikk henger sammen med næringspolitikk, skolepolitikk og ikke minst med arbeidslivet. Vi skal ha en klode å leve på, men vi skal også ha noe å leve av. Dersom vi skal ta Norge gjennom en omfattende grønn og digital omstilling, uten at familier og lokalsamfunn kjenner på en grunnleggende utrygghet, må vi sikre at den enkelte får en fot innenfor arbeidslivet

at politikerne står på tv og sier at han må jobbe i minst 20 år til, dersom man ikke samtidig rigger om utdanningssystemet eller f.eks. Lånekassen slik at han får et klippekort til å ta mer utdanning underveis. Når regjeringen nå er i gang med å lage en kompetansereform, er det dette det handler om: å sikre at den enkelte får bidra, blir sett og kjenner seg trygg i

stadig vekk tar til orde for å nedprioritere grunnleggende ferdigheter og fjerne åpenhet om resultater, har Høyre stått i front for både Lærerløftet og Kunnskapsløftet. Samtidig vet vi at skolen og samfunnet står ikke stille. Kunnskapsløftet ble innført ett år før Facebook. Nå opplever unge å bli bombardert med tusenvis av inntrykk fra sosiale medier hver eneste dag. Våre elever må lære kritisk tenkning og teknologi. De må klare å fordype seg, og de må lære det å lære. Nettopp derfor er kanskje det mest spennende prosjektet vi er i gang med i norsk skole nå, å endre alle læreplaner, slik at de unge vi har, lærer de verktøyene de trenger for å løse våre felles utfordringer i en verden som endrer seg raskere og raskere. Jeg er en ihuga monarkist, og derfor synes jeg alltid kong Haralds taler er veldig gode.

skal være like trygt å være på et barnerom i Valdres, på Stord, i Stavanger og i Oslo. Norge er et trygt land, men likevel ser vi nå at verden endrer seg, og at kriminaliteten endrer seg, og da må også politiet endre seg. Politireformen er et svar på den endrede kriminaliteten vi ser i Norge. Politireformen handler faktisk om å ha evne til å tilpasse seg en ny virkelighet. Fremskrittspartiet ønsker et moderne, handlekraftig og ansvarlig politi. Vi er stolte av at regjeringen har levert et historisk løft for norsk politi, og vi skal sikre et effektivt politi i årene framover. Politidekningen har økt, og aldri har det vært flere politiansatte enn nå. Budsjettene har aldri vært større. I år er det bevilget nærmere 20 mrd. kr til politiet. Det er en økning på over 4 mrd. kr siden regjeringen tiltrådte. tiltrådte. Av disse er 3 mrd. kr på politiets driftsbudsjett, og det er en vekst på 25 pst. siden 2013. I 2020 nås målet om to politifolk per tusen innbyggere. Flere har vært inne på politireformen, eller nærpolitireformen, her i dag. Jeg tror det er viktig at vi alle tar inn over oss at dette er en stor og krevende reform.

Ludvig i Flåklypa – «det er fali, det». Endringer og omstillinger er skummelt. Da blir det krise, og da må en liksom sitte helt stille og ikke gjøre noen ting. Det var mange oppslag før denne reformen kom på plass: 104 000 saker ligger i kø. Politikrise rammer etterforskningen. Politiet når ikke sine egne mål. Politiet slakter egen kriseberedskap. Politiet mangler ressurser. 220 politiårsverk forsvant. Kine drømte om politijobb – i stedet selger hun kjøkkenutstyr. 5 500 saker på vent. Det er politikrise. Det er en betydelig politikrise i dette landet. – Alt dette var før politireformen. Når verden endrer seg og kriminaliteten endrer seg, ja da må også politiet endre Jeg er utrolig glad for at vi har fått på plass denne reformen, og jeg har ikke snakket med en eneste i politiet som vil tilbake til slik det var før. Har de utfordringer? Ja. Trenger de mer penger? Ja. Akkurat dette tar også regjeringen på alvor. Selv om politireformen skal være ferdig i 2020, er det ikke dermed må fremdeles tilføres mer ressurser, vi er nødt til også å ha et øye på politireformen. Og det er akkurat det justisministeren så tydelig og klart har sagt med den politimeldingen som kommer nå i høst. Regjeringen har styrket politiet, både med utstyr og ikke minst ved at den gjennomført. Jeg er glad for, og håper, at lekkasjen som kom i valgkampen om at politiet skal få mer ressurser, spesielt til etterforskning, også kommer i neste års budsjett. Vi er avhengig av at politiet har tillit ute i befolkningen. Trygghet for den enkelte, som jeg startet med, er viktig. Men vi som politikere har også et ansvar for å snakke politiet opp og ikke ned. Det foregår utrolig mye godt arbeid der ute, og vi har et fantastisk politikorps som trygger hverdagen vår hver eneste dag. Det vert replikkordskifte. Vi skal løslate den gode nabo – det har vært målet for norsk kriminalpolitikk. Men virkeligheten ser stygg ut. Psykisk syke blir isolert, lagt i belter og sperret inne på betongceller. Kriminalomsorgen er blitt kronisk underfinansiert under de mange justisministre fra Fremskrittspartiet. Svaret deres er lengre straffer og utvidede hjemler til å bruke spytthette på innsatte som er utagerende. Justisministeren har lagt ned Ulvsnesøy, som hadde de eneste åpne soningsplassene for kvinner på Vestlandet. Unge voldsutøvere må i Justispolitikken har blitt kunnskapsfiendtlig og populistisk de seneste årene. I rapport etter rapport kommer tung kritikk, også om sviktende tilsyn. Norge ønsker å framstå som en menneskerettsnasjon, men hvilken vilje er det til å investere i soning og i rehabilitering, slik at vi kan løslate den gode nabo og dermed også redusere kriminaliteten

Så er jeg fullt klar over at det er utfordringer med innsatte som også har en psykisk lidelse. Derfor er jeg glad for at både justisministeren og helseministeren har intensivert dette arbeidet. Psykisk syke i fengsel har rett på akkurat de samme helsetjenestene som de hadde hatt hvis de var Kriminalomsorgen har blitt styrket under denne regjeringen, men i inneværende år er det et lite kutt. Det må vi bare være ærlige på. Likevel kommer kriminalomsorgen til å være i fokus også de nærmeste årene. Spørsmålet gikk på kvaliteten for dem som soner, og resultatet for dem som kommer ut.

Hvilken opplevelse har man av det tilbudet man reelt sett gir til de svakeste av de svake, som utgjør veldig mange av dem som soner i dag? de nye fengslene som vi klarer å få på plass nå, vil være med på å gi et godt tilbud for de innsatte. Det er, som representanten var inne på, viktig at de som sitter inne og soner straffen sin, også får et tilbud slik at de kommer ut som den gode naboen. Vi er nødt til å se på hvordan vi kan intensivere og styrke arbeidet innenfor kriminalomsorgen når det gjelder å gi et tilbud som

gode resultater, kan vi ikke opprettholde fengselsplasser bare fordi de er gode plasser – hvis det ikke er nødvendig, hvis vi ikke trenger så mange åpne plasser. Det har vært en økning nå av innsatte som har lengre straffer og skal sitte på lukkede plasser. Da er det viktig at også de fengslene blir

som regel burde være bare én tingrett og sorenskriver i hvert fylke, direktøren som systematisk har årelatt de mindre tingrettene og jordskifterettene når det gjelder bemanning, ledelse og moderne utstyrsbevilgning, slik at de forvitrer, direktøren som er styrt av et styre oppnevnt av regjeringa, direktøren som ikke kan drive Domstoladministrasjonen på tvers av regjeringas vilje. Det er derfor ikke overraskende at Domstoladministrasjonen enstemmig kom fram til en plan som ødelegger en 400 år gammel tradisjon. Støtter Fremskrittspartiets stortingsgruppe regjeringas framgangsmåte med mandat, tilleggsmandat og medlem som gir et slikt forhåndsavklart resultat? Nå er det sånn at stortingsgruppa ikke går inn i selve mandatet eller utnevnelsen gjort av dem som sitter i kommisjonen. Kommisjonen kom med en delrapport for to dager siden, og som

enkelte blir ivaretatt. Det er viktig for oss når det gjelder domstolene. Jeg forstår at et sånt forhåndsavklart resultat er greit. Mitt neste spørsmål gjelder politireformen. Det er kommet et 50 sider langt notat fra dem som jobber i politiet i Sør-Øst. Det ble overlevert til statsråden i sommer. sommer. Der står det at politiet teller det som kan telles, men ikke det som teller – meget betegnende for utviklingen. Tretti saker med kjent gjerningsmann blir henlagt, operasjonssentralene når en ikke fram til, og én operasjonssentral i Sør-Øst blir dyrere enn fire, som vi hadde før. Fremskrittspartiets sjel var tidligere å lytte til folk. Hvorfor sliter regjeringsdeltakelsen ned den gode egenskapen ved det tidligere Fremskrittspartiet? Det var et spørsmål jeg kunne brukt mer enn et minutt på å svare på. Men la meg gå til innholdet i innlegget, og det gikk på Sør-Øst politidistrikt. Jeg var jo bekymret for utviklingen i Sør-Øst, og det er jeg klar over at også justisministeren er. Men når det gjelder å kalle det for en krise i hele politiet fordi det er ett politidistrikt som sliter: Det er et stort politidistrikt, det er en reform som skal på plass, og vi er nødt til å gå inn og se på hvorfor Sør-Øst politidistrikt ikke klarer det som mange andre politidistrikter klarer, og får denne reformen opp og gå. Replikkordskiftet er avslutta. Spørsmålet er ikke om Norge skal ha en kraftfull klimapolitikk, men hva slags klimapolitikk som fungerer best, både for Norge og internasjonalt. Senterpartiet er opptatt av at vi tar avslutta. Spørsmålet er ikke om Norge skal ha en kraftfull klimapolitikk, men hva slags klimapolitikk som fungerer best, både for Norge og internasjonalt. Senterpartiet er opptatt av at vi tar et ansvar for å utvikle klimavennlig industriproduksjon og teknologi, vise at en utslippsfri transportsektor er mulig, produsere miljøvennlig kraft, utvikle teknologi for å fange og lagre CO 2 , og ikke minst bruke skogen til å produsere klimavennlige erstatninger for oljen. Samtidig må vi huske at bosetting i hele landet er en forutsetning for å ta i bruk naturressursene og lykkes med en grønn omstilling. Gjennom en god klimapolitikk må vi bruke denne omstillingen til å styrke produksjonen i Fastlands-Norge, skape grønn vekst og et stort antall nye arbeidsplasser i hele landet. Vi må også jobbe for en klimapolitikk som gir effektiv transport, matproduksjon og næringsutvikling, og som gir mulighet til å leve det gode liv i hele landet. Ofte når vi diskuterer klima, er manges løsning vern. Senterpartiet mener at en viktig del av klimaløsningen er å tenke bruk og forvaltning framfor vern. Menneskers bruk av jord, land og hav har stor betydning for disse arealenes evne til å lagre karbon. Vi løser derfor ikke klimaproblemet bare med å kutte utslipp. Vi må også øke opptaket av karbon. Rovdrift på fornybare naturressurser forsterker dette problemet. Den omstillingen som verdenssamfunnet må gjennom, må derfor også innebære en ny giv for primærnæringene. Som et land med store skogarealer har Norge et særskilt ansvar for å sikre opptak av karbon nasjonalt. Oppskriften er å øke skogproduksjonen, hogge når skogen er hogstmoden, og plante ny skog som tar opp karbon. økt verdiskaping og nye arbeidsplasser i skogindustrien. Senterpartiet har i dag fremmet forslag der vi ber regjeringen legge fram en plan for å øke det langsiktige opptaket av karbon på norske skogarealer, som vi håper flere i denne salen velger å støtte opp om. Det siste året har flere organisasjoner og politiske partier laget ulike nye begrep, som «flyskam» og Det mener jeg er en urettferdig og lite effektiv måte å drive klimapolitikk på. Vi bor i et land der matprodusentene er blant verdens mest klimavennlige, med lave klimautslipp per produserte enhet. Langsiktig arbeid med avl, husdyrhelse og fôring har gitt et framtidsrettet husdyrhold med lave utslipp. Dette arbeidet må videreføres. I tillegg må det utprøves og forskes videre på nye mulige tiltak, som metanhemmende tilsetningsstoffer i fôr. Klimatiltak som reduserer matproduksjon eller skal få folk til å føle skam når man spiser kjøtt, vil bare flytte utslippene og verdiskapingen til andre land gjennom økt import. Klimapolitikken vi fører framover, må bidra til å sikre fortsatt livskraftig norsk matproduksjon. Utslipp fra de biologiske prosessene kan ikke likestilles med fossil forurensning, og skal ikke avgiftsbelegges. Flyskam er også et begrep som flere har brukt. Samtidig blir det helt feil i et langstrakt land som Norge å straffe dem som bor i deler av dette landet hvor de er helt avhengig av flytransport for å komme seg fram. Klimapolitikken må være rettferdig, både sosialt og geografisk. Det blir den ikke hvis de som ikke har tilgang til de klimavennlige løsningene, skal belastes like mye som dem som faktisk har et reelt valg. Det er forskjell på eksempelvis Finnmark og Oslo i den sammenhengen. Hvis man ikke tar inn over seg det, og tilpasser klimapolitikken etter det, får man ikke den oppslutningen man trenger om overgangen fra det fossile til det grønne.

tidligere ga oss all informasjon. Vi ser at vekst og velstand krever at vi skal ha mer internasjonalt samarbeid, mer åpenhet og mer respekt for enkeltindividet, og vi ser også at alle de store utfordringene vi står overfor, f.eks. innenfor miljø og migrasjon, må løses internasjonalt. vi heldige. Vi lever i et land med både vekst og høy grad av velstand. Men vi er heller ikke upåvirket av det som skjer i verden rundt oss. Vi ser også at EØS-motstanden øker ved valg her i Norge. Vi er et land som skal gjennom en svær omstilling, gjennom at vi skal skape et nytt næringsliv med nye arbeidsplasser og nye klimavennlige løsninger, og enkeltmennesker skal forandre sine handlingsmønster. Ja,

I september i år bikket for første gang over halvparten av nybilsalget over til elbiler. Vi ser at forbruket av fossil energi daler i landet – ja, over 5 pst. nedgang i omsetningen av f.eks. bensin og diesel de første seks månedene i år. Neste år skal vi forby bruk av engangsplast, og vi ser rekordgod luftkvalitet i byene våre. Vi har hatt en massiv satsing på kollektiv over flere år, som gjør at vi aldri har hatt så mange kollektivreisende som nå, og i FN varslet statsministeren nå at vi også øker CO 2 -avgiften, som gjør at vi får noen av de høyeste og mest omfattende CO 2 -avgifter i hele Skiftet skjer sektor for sektor. Vi snur transporten, vi snur næringslivet, og vi må også snu våre privatliv. Ungdommen går i våre gater og krever løsninger for framtida, og det er vår plikt å gi dem svar. Regjeringa ble også rausere da Venstre gikk inn, fordi vi får til en rusomsorg som blir helt lagt om, der enkeltindividet får en mye større verdi, og der vi hjelper de aller fattigste når barna i barnehage som kommer fra familier med dårlig råd, nå får – 46 000 av dem – gratis kjernetid. Neste år begynner vi også å jobbe med å få det billigere på SFO. Vi har gått til å ta imot 3 000 kvoteflyktninger. Det er tre ganger mer enn den rød-grønne regjeringa gjorde. Og det er ikke bare det at vi er størst per capita, vi er også nr. 5 i verden – etter «bittesmå» land som Australia, Canada, USA og Storbritannia. Vi ser også at vi har fått til viktige liberale saker, som at vi nå har fått bruken av glattceller drastisk ned, at vi får mer makt til kommunene, og at vi har klart å løfte en liberal kulturpolitikk som handler om å legge til rette for en mediepolitikk i en ny tid, der vi sørger for at friheten til kunstnerne blir løftet, der vi sprer makt, og der vi sier at grunnlaget for all kulturpolitikk handler om retten til å ytre seg, om Grunnlovens rett til å ytre seg, og der statens oppgave er å legge til rette for de ytringene og ytringenes infrastruktur. Men vi har bare startet. Det er en svær omstilling Norge skal gjennom. Vi skal skape arbeidsplasser som vi ikke i dag har fantasi til å se at vi skal ha. Vi skal skape et næringsliv som klarer å være klimavennlig, og vi skal skape transportløsninger som gjør at kampen ikke handler om å være imot internasjonale flyselskap, men at vi skal være først i verden med et flynett som faktisk

Dessverre kom statsråden lite grann skeivt ut, i hvert fall i måten hun ble oppfattet på, for hun ble ikke oppfattet som fullt så entusiastisk som innbyggerne i Nord-Norge. Det ble nesten oppfattet som om et eventuelt tilskudd fra staten til et sånt prosjekt skulle tas fra andre satsinger i Nord-Norge. Jeg har forstått at statsråden egentlig ikke mente det sånn og har gått litt tilbake på det, men jeg har et spørsmål om noe annet fra statsrådens uttalelser til mediene. Der sa hun noe om at det var lettere å støtte

vil jeg også gjøre i dag, og jeg håper gratulasjonen når gjennom, sjøl om jeg også gjorde det ved alle anledninger jeg hadde da. Det er fantastisk jobbet at de klarte å få gjennom den søknaden. Nå må vi sammen sette oss ned for å prøve å finne et grunnlag som gjør at dette ikke bare blir Bodøs, men hele Norges kulturjubileum. Derfor har jeg invitert ordføreren, sendt brev til ordføreren, gratulert ordføreren og sagt at ordføreren gjerne må komme i dialog med oss så fort som overhodet mulig, men vi har ennå ikke behandlet noen søknad i departementet, og vi har visse prosedyrer, lover og regler fra denne sal å forholde oss til. Jeg imøteser både søknaden og at Arbeiderpartiets ordfører fra Bodø kommer ned til meg, og at vi kan snakke om hvordan vi skal gjøre Bodø til hele landets

vekker stor oppmerksomhet, og jeg er veldig glad for at statsråden nå gir uttrykk for at hun ønsker å støtte det, også på en aktiv måte, slik jeg forstår det. Igjen vil jeg utfordre statsråden til å si noe mer. Ja, vi er enige om at det finnes prosedyrer, lover og regler, men i politikken er det også mulig å være proaktiv, og da er spørsmålet: Har statsråden noen ideer om på hvilken måte vi kan gjøre dette til ikke bare et nordnorsk et nordnorsk arrangement, et nasjonalt arrangement, men også bruke det til å løfte fram noen av de mulighetene som finnes i nord, i Arktis, siden dette er den første europeiske kulturhovedstaden som ligger nord for Polarsirkelen? Hva er visjonen til statsråden? Jeg er nok helt enig med spørsmålsstiller når jeg tror det arktiske aspektet er en kjempemulighet for Bodø, men det er en kjempemulighet for Norge også. Vi har hatt to kulturhovedsteder før – Stavanger og Bergen. Begge de gangene var det staten som søkte, og ikke byen. Derfor begynte vi i motsatt ende i denne prosessen. Nå håper jeg at vi skal koble oss på hverandre. Det er derfor jeg har tatt de initiativene jeg har tatt. Det jeg syns er viktig, er at vi klarer å gjøre dette til regionens, men også

som angår flere, at vi har en felles misjon for hvordan vi skal markedsføre dette i utlandet, og at vi har en felles plan for hvordan vi skal løfte norsk kunst gjennom disse prosjektene. Da må vi jobbe mer sammen, og det er i hvert fall jeg innstilt på å få til.

Men det Skei Grande glemte å nevne, er at de partiene ikke sitter i regjering med de høyrepopulistiske partiene. Det norske Venstre fosser ikke fram i kampen mot høyrepopulisme, Venstre synker ned mot bunnen med Fremskrittspartiet bundet fast i beinet. Det liberale partiet i Norge satte høyrepopulistene i regjering, og de brøt videre løftet sitt om ikke å gå i regjering med dem, med et parti som sprer

Jeg tror at SV har sittet med denne følelsen en gang også – at en faktisk må kjempe for saker hver eneste dag for å få gjennomslag, og som jeg bruker å si: Hvis man alltid velger å stemme på ridderen med blankest rustning, betyr det at man stemmer på den ridderen som aldri er i kamp. Det er soleklart at Venstre må gjøre en god innsats for å klare å få til det grønne skiftet i regjeringa – men vi klarer det. Det er klart at Venstre ikke helt automatisk får til at vi skal ta imot 3 000 flyktninger i Norge og være det beste landet per capita og det femte beste landet per capita på kvoteflyktningmottak – men vi klarer det. Det er ikke åpenbart at Venstre skal få igjennom en rusreform som virkelig er med på å få løftet de svakeste – men vi klarer det. Det er ikke åpenbart at vår førsteprioritet for å hjelpe barn og unge i fattige familier, nemlig å gi dem gratis barnehage og billigere SFO, skal gå gjennom – men vi klarer det. Man må faktisk stå i kamp om man skal få igjennom noe. Det er jo én forskjell mellom SVs tidligere regjeringsdeltakelse og Venstres nåværende – det er akkurat det jeg stilte spørsmål om nå – det er nemlig det at SV aldri har sittet i regjering med høyrepopulister, men det gjør derimot Venstre akkurat nå. Mitt spørsmål til Skei Grande er: Når partiet Venstre, som ifølge statsråden selv skal være de fremste forsvarerne av de liberale verdiene mot høyrepopulismen, velger å sette høyrepopulistene inn i regjering og så etterpå gå inn i regjering og samarbeide med dem, tror da statsråden som skal forsvare disse liberale verdiene, at det kanskje er en sammenheng mellom at de liberale partiene ute i Europa – som har vist anstendighet, forsvart mot høyrepopulismen – går fram, mens det liberale partiet i Norge, Venstre, som heller valgte å gjøre det motsatte, går tilbake? Ser statsråden den sammenhengen?

Det er andre store forskjeller: Dere snakket om å kaste alle asylbarna ut; nesten alle har fått bli etter at vi gikk inn i regjering. Dere sa at man skulle klare å nå målsettingene på så mange andre områder som dere ikke klarte å levere på. Vi tredoblet antallet kvoteflyktninger i forhold til da SV satt i regjering. Vi leverer politikken, vi har muligheter til å vise hva som er forskjellen – hva et liberalt parti er. Jeg mener at politikere skal måles på det de får gjennomført av politikk, ikke det de sier at de skulle ha gjort. Det er klart at Jens Stoltenberg gjorde mindre på miljø enn det Erna Solberg gjør.
spesiell virkelighetsbeskrivelse statsråd Skei Grande nå viser fram, men jeg ønsker fortsatt å holde meg til temaet jeg spør om, nemlig høyrepopulisme i regjering. Da kan vi se på konsekvensene av politikken, og ikke minst konsekvensene av retorikken, for er det noe vi har sett den siste tiden, er det jo at retorikk og tankegods som tidligere ikke var akseptert, har blitt stadig mer normalisert. Jeg tror at en viktig del av det er det borgerlige samarbeidet i Norge, hvor vi har et parti som Venstre, som sitter i regjering og gir statsrådsmakt til representanter for et parti som bruker begreper som «snikislamisering». Det bidrar til konspirasjonstenkning, det bidrar til gruppetenkning, og det er alvorlig. Det er mange som er bekymret for debattklimaet i dette landet, og da spør jeg statsråden: Vil også statsråd Skei Grande ta ansvar for å ha gitt makt til personer som sprer den typen tenkning? Jeg tar også sterkt avstand fra å bruke ord som «snikislamisering». Det er derfor jeg har fått gjennomslag i regjeringen for å gjennomføre en egen handlingsplan mot muslimhat. Det er det jeg har vunnet gjennom av sak. Det er viktig for å kunne diskutere dette framover. Jeg er også opptatt av at retorikk har konsekvenser, men én ting jeg har merket meg, f.eks. om Fremskrittspartiets utvikling, er at før Venstre satt i regjering, sto jeg på representantens plass og stilte hvert år Siv Jensen spørsmålet: Finnes det menneskeskapte klimaendringer? Så gikk Venstre i regjering, og Fremskrittspartiet har sagt at det finnes menneskeskapte klimaendringer. Det har skjedd en politisk endring i Fremskrittspartiet også, en politisk endring som vi profiterer mye på når vi får til den offensive miljøpolitikken som vi får til. Replikkordskiftet er omme. Arbeiderpartiet er opptatt av å bygge sterke fellesskap, også internasjonalt. Å arbeide for en bedre organisert verden forblir i Norges egeninteresse. Det gjelder også forholdet vårt til internasjonale avtaler og organisasjoner som vi i dag må styrke. Å trekke seg tilbake eller la de landene som er økonomisk eller militært sterke, ordne opp, er ikke i Norges interesse. En verden preget av mer uforutsigbarhet og tiltagende konfliktnivå fordrer at vi ikke rokker ved våre grunnleggende interesser og forpliktelser. NATO og EØS er bærebjelker for Norge, men også en

Først tar kulturministeren et oppgjør med «fake news», så snakker hun om behovet for å stå opp for EØS-avtalen. Men det er jo kulturministeren som sprer «fake news» om EØS-avtalen. Da hun ble spurt om Arbeiderpartiets forhold til EØS-avtalen rett før valget, sa hun: Jeg vet ikke hva Arbeiderpartiet er med på, det er en skummel utvikling. Det er ikke i Norges å spre «fake news» om hva partiene i denne salen mener om EØS-avtalen. Så skal hun være opptatt av disse sakene, får hun kanskje feie for egen dør først. Det kunne også være interessant å se opptellingen av hvor mange ganger Jens Stoltenberg ikke nevnte miljø i trontalen, slik kulturministeren var inne på her i stad. Det får hun telle opp i løpet av kvelden, og så får vi komme tilbake til den diskusjonen i løpet av debatten. EØS-avtalen blir diskutert. diskutert. Den har også medført en del utfordringer, spesielt knyttet til forholdene i norsk arbeidsliv, som det krever kraftfulle politiske tiltak for å motvirke. Høyres parlamentariske leder snakket med innlevelse om bred enighet om reformer og forlik i Norge. Men en forutsetning for at reformer skal få bred tilslutning, er ikke bare at vedtakene blir gjort, de må også følges opp. Avtaler må faktisk respekteres. Da vi i Arbeiderpartiet senhøsten 2017 inngikk en avtale med Høyre om hær og heimevern for perioden 2017–2020, fikk vi gjennomslag for nye stridsvogner og helikoptre til Hæren i nord. Men i sommer sa forsvarsministeren at avtalen som ble inngått med oss, er en gammel avtale, for stortingsflertallet – Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Høyre og Venstre – har senere gjort andre vedtak. Da blir det ikke mulighet for stridsvogner til Hæren eller helikoptre. En regjering som åpenbart ignorerer en avtale og konkrete vedtak i Stortinget gjort for perioden 2017–2020, lover ikke godt for verken styringen av landet eller håndteringen av forsvarspolitikken. Regjeringa har kanskje mer enn nok med å styre seg selv og bruke penger til å dempe interne konflikter. Neste uke kommer både forslag til forsvarsbudsjett for 2020 og forsvarssjefens fagmilitære råd. Regjeringa har stokket litt om på bokføringen av forsvarsbudsjettet for å blåse opp BNP-andelen til forsvar, uten at forsvarsevnen dermed har økt. Høyreregjeringa går ikke av veien for å skryte av egen forsvarspolitikk, men NATOs nyeste tall viser altså at Norge under Stoltenberg-regjeringa i 2013 lå på sjuende plass i NATO når det gjaldt forsvarsutgiftenes andel av Men under Høyre og Fremskrittspartiet har det sunket fra sjuende til trettende plass. Når en ny langtidsplan kommer til Stortinget, vil Arbeiderpartiet stemme for det vi er for, og mot det vi er mot. Vi er for nye helikoptre til Hæren og mot å fjerne helikoptrene som Hæren i dag har. Vi er for stridsvogner, vi er for å ta vare på Forsvarets personell og mot å gjøre det vanskeligere å pendle. Vi er for å bygge opp Hæren og ikke for å bygge den ned i Indre Troms. Vi er for at vi skal ha nok folk i Luftforsvaret, Luftforsvaret, for å styrke forsvarsevnen til havs og mot å fjerne korvettene. Vi er for en regjering som respekterer inngåtte avtaler, og mot å ignorere vedtak som er gjort i Stortinget. Og vi er for å søke bred enighet om å hjelpe uskyldige barn i interneringsleiren i Al-Hol og mot å gi Fremskrittspartiet vetorett. Verden står overfor en enorm klimautfordring. Vi er

Regjeringa har satt tøffe krav til utslippskutt i alle sektorer. Norsk industri har redusert sine utslipp med 40 pst. siden 1990, samtidig som produksjonen har økt. I transportsektoren skjer det en grønn revolusjon fordi teknologien gjør det mulig. Økt mobilitet både kan og må kombineres med reduserte utslipp. Selv om vi gjør vår del av jobben, er ikke det nok. Klimautfordringene krever et internasjonalt forpliktende samarbeid. Derfor er det bra at Norge tar en pådriverrolle, f.eks. gjennom havsatsingen. Det er et område hvor Norge har stor kompetanse, og hvor vi kan skape nye grønne arbeidsplasser samtidig som vi bidrar til både lavere utslipp og et renere hav. Når vi skal definere dagens politiske løsninger, er det viktig å ha et langsiktig perspektiv – ikke bare noen år, men gjerne en generasjon eller to fram i tid. Vi skal bygge ut et bærekraftig velferdssamfunn. Det betyr at vi må legge til rette for at det blir skapt flere arbeidsplasser, at flere kommer i jobb, og at alle blir inkludert. Samtidig må dette gjøres på en slik måte at vi med god samvittighet kan gi stafettpinnen videre til neste generasjon. Da må både den økonomiske, den sosiale og den miljømessige bærekraften være ivaretatt. Det er i dette perspektivet vi må se regjeringas satsing på samferdsel. Samferdselsbudsjettet er økt med 75 pst., og det er gjennomført flere viktige reformer som gjør at vi får mer igjen for hver krone vi bruker på vei og bane. En god infrastruktur er helt avgjørende for å sikre konkurransekraften for næringslivet og er kanskje det viktigste virkemiddelet for å sikre at vi har sterke verdiskapingsregioner, lønnsomme arbeidsplasser og bosetting i hele landet. Det er også grunnen til at vi må ha en I et 10–15 års perspektiv er jeg ganske overbevist om at ny teknologi vil bidra til at alle transportformene, enten det er bil, bane, sjøtransport eller luftfart, har redusert utslippene sine betydelig. Vi kan bare se hvor fort det går med innfasing av elbiler og elferger. En politikk som gjør bilen til hovedfienden og nedprioriterer utbygging av veier, slik SV og Miljøpartiet De Grønne tar til orde for, vil ha ingen eller svært begrenset klimaeffekt og vil være ødeleggende for mobiliteten og verdiskapingen, særlig i distriktene. Grønn omstilling av transportsektoren handler om å utvikle ny og miljøvennlig teknologi, samtidig som vi legger til rette for at flere bruker kollektiv, sykkel og gange i sine hverdagsreiser. Derfor er vi i gang med tidenes kollektivløft, og stadig flere tar tog, buss og

For Høyre er det viktig å gjennomføre tiltak som virker. Det må lønne seg å velge miljøvennlig og ta i bruk lav- og nullutslippsteknologi. Elbilpolitikken er et godt eksempel på hvordan vi gjennom politiske incentiv har bidratt til at flere velger Det ligger an til at salget av elbiler kan bli så mye som rundt halvparten av nybilsalget allerede i år. Det viser at vi er på god vei til å nå målet om at alt nybilsalg av personbiler skal ha nullutslipp i 2025. Et annet eksempel er fergene våre. I løpet av de neste par årene vil så mange som 70 ferger ha ladbare batteriløsninger. Samtidig gjennomfører vi også et utviklingsprosjekt for bruk av hydrogen i maritim sektor og på Det er bra for miljøet, og det skaper arbeidsplasser i Norge. Det har aldri vært mer spennende å jobbe med transportpolitikk enn nå. Nye teknologiske løsninger gjør det mulig å skape et bedre tilbud til folk og økt bevegelsesfrihet, samtidig som vi får ned utslippene i transportsektoren. Det er grunn til å tro at den teknologiske utviklingen vil gå stadig raskere, og at vi står foran store omstillinger i transportsektoren. Det er en utfordring, men samtidig helt nødvendig for at vi skal nå målet om en bærekraftig mobilitet i hele landet. Samtidig skaper det noen muligheter som jeg er overbevist om at næringslivet vårt vil bruke til å skape både nye, lønnsomme og grønne arbeidsplasser i årene som

uskyldige mennesker. La meg være den første til å erkjenne at denne saken er komplisert og vanskelig, men Stortinget må ikke gjøre saken mer komplisert enn den er. Det har blitt fremmet et forslag om at Stortinget skal vedta at denne kvinnen med barn skal hentes tilbake til Norge. Det er Denne forsamlingen er lovgivende og skal ikke drive med saksbehandling i enkeltsaker. Det ville vært svært problematisk for regjeringen dersom et flertall skulle vedta å hente tilbake en enkeltperson til Norge. Det ville gitt den personen, med et stortingsflertall i ryggen, et spillerom til å stille f.eks. urimelige krav man ikke har kontroll på – fryktelig problematisk og slett ikke til barnets beste. Norge har ingen forpliktelser til å hente tilbake personer i utlandet som har sluttet seg til en terrorhær. Mange har brukt et argument om at vi er forpliktet til å hente egne borgere og straffeforfølge dem i Norge. Det er feil. Et vel anerkjent internasjonalt prinsipp at forbrytelser skal straffes der forbrytelsen er begått – og det er ikke i Norge. Men denne saken handler om noe som gjør det svært vanskelig for alle: barna. De er uskyldige, uskyldige ofre for foreldrenes dårlige valg. Mye tyder på at det er flere som ikke setter barnets beste først. Barnets beste er ikke å være sammen med personer som gjør dårlige valg. Barnets beste er å få hjelp. Vi snakker om en familie, om en mor som har familie på både mors- og farssiden i Norge som har sagt seg villige til å ta omsorgen dersom det skulle være behov Det beste for barna er å få den hjelpen Norge tilbyr, men moren har avslått alle tilbud om hjelp. Fremskrittspartiet har hele veien sagt at vi ønsker å hjelpe barna, og det har vi også vist ved å tilrettelegge for tilbakekomst av fem i denne saken ønsker Fremskrittspartiet å hjelpe barna. Mange har brukt argumentet om at kurdiske selvstyremyndigheter sier nei til å overlate barnet til norske myndigheter, men det har kurdiske selvstyremyndigheter nå åpnet opp for. Da står vi igjen med en mor som nekter å motta den hjelpen som har blitt tilbudt, og derfor vil Fremskrittspartiet innstendig be både moren, familien og de som kan påvirke, om å la barnet få den hjelpen barnet trenger. Om det er å få helsehjelp i leiren, å få helsehjelp i nærområdene eller å bli hentet til Norge, er Fremskrittspartiet åpen for det. Men Fremskrittspartiet er ikke åpen for å å hente IS-medlemmer til Norge. Det vil potensielt sette norske innbyggere i fare å hente potensielt farlige personer. Vi har et ansvar for ikke å sette norske innbyggere i den farlige posisjonen. Når det som jeg tror et flertall på Stortinget vil kunne slutte seg til, er det den eneste rette veien å gå. I hvert fall vil Fremskrittspartiet be om at vi sørger for å sette alt inn for at barnet skal få hjelp, at barnets beste settes i førersetet, og at vi også tar hensyn til norske innbyggeres sikkerhet. I valgkampen ble jeg oppringt og fikk et spørsmål om vindmøller. Mer korrekt var spørsmålet: Er

Noen dager etterpå fikk jeg et spørsmål om Nord-Norgebanen, og igjen var spørsmålet: Er du for eller imot å bygge Nord-Norgebanen? Jeg svarte som sant var, at jeg i tretti år har jobbet for høyere jernbanebevilgninger, men syntes nok det var litt komplisert i en kort telefonsamtale å kunne si ja eller nei til bygging av Nord-Norgebanen der og da, og at det burde vi vurdere i Nasjonal transportplan, som vi gjør Igjen fikk jeg som svar at det var totalt uinteressant, og at jeg måtte svare ja eller nei. Jeg tror disse to eksemplene – kanskje ikke de viktigste sakene, men tydeligvis veldig viktig for mange – er betegnende for hvordan noe av den politiske debatten er for tida. Nyansene er på mange måter borte. Den politiske debatten er mer Vi kan se hva som skjer i Storbritannia nå – et nært, alliert land. Jeg må si at jeg synes ikke det er særlig moro å se på overføringene fra Underhuset for tida. Jeg synes det er trist, jeg synes det er tragisk. Hva har skjedd med Storbritannia? Hva har skjedd med England, som Bjørge Lillelien under fotballandskampen i under fotballandskampen i 1981 kalte «kjempers fødeland»? Eller: Hva skjer egentlig i USA? Jeg tror ikke det er å gå over streken å si at det er et giftig politisk klima i Washington for tida, kombinert med en ikke helt stødig president. Det er veldig tilspissede debatter, og det er et klima som ikke kan bringe USA og verden videre. Ungdommen reiser seg, ungdommen protesterer – og da protesterer mange mot at ungdommen protesterer! Jeg har inntrykk av at nesten alle protesterer i dag. Det er så mange folk som er sinte for et eller annet. Men slik løser vi ikke morgendagens utfordringer. Jeg har tro på demokratiet, jeg har tro på politisk arbeid, jeg har tro på at det går an å jobbe for gode politiske løsninger, der vi veier ulike hensyn opp mot hverandre, der vi veier for og imot opp mot hverandre, og så finner vi gode løsninger. Det er ikke sånn at alle spørsmål kan besvares med et raskt ja eller nei. Vi kan stille oss spørsmålet: Debatterer vi her i dag og i morgen, i den norske trontaledebatten, de store og viktige spørsmålene, de som betyr noe der ute? Jeg har de to siste ukene hatt gleden av å besøke flotte steder som Røst, Værøy, Havøysund og Honningsvåg. Det går bra i Norge, det går bra de fleste steder, også i distriktene våre, og sånn skal det være. Men vi må samtidig ta på alvor den oppgittheten som finnes en del steder. Jeg tror til og med vi enkelte steder kan snakke om avmakt. Det er litt for mange som prater om oss og dem, det er litt for mange som prater om vi her ute og de i Oslo. Vi vet jo at situasjonen ikke er sånn, men mange mange oppfatter i dag at de ikke blir tatt på alvor. Det skal vi ta på alvor. Derfor må vi fortsette å bygge landet, ikke demontere landet vårt. Derfor må vi ta vare på de fellesskapene som finnes, derfor må byer og distrikter – og vi som bor litt mellom by og distrikt – spille på lag, bygge landet og bygge laget sammen. Vår tids store utfordring er klimautfordringen. Derfor må utslippene ned, og derfor må kollektivtrafikken styrkes og biltrafikken ned i byene våre. Vi må ha en offensiv politikk for byene våre, men vi må også ha en offensiv politikk for distriktene våre og for de stedene som er litt by og litt distrikt. Det er ikke enten–eller, ja eller nei. Vi må bygge både by og land.

stått sammen i forsvars- og sikkerhetspolitikken. Hensynet til landets suverenitet og folkets trygghet har fått fram det beste i Høyre og Arbeiderpartiet. Noen sier at det er selve adelsmerket ved norsk politikk. Norge vil fortsette det tette samarbeidet med våre nærmeste allierte: USA, Tyskland, Frankrike, Storbritannia, de nordiske landene og Baltikum. I NATO står USA hardt på at Europa skal ta et større ansvar for vår felles sikkerhet. Det er ikke urimelig. Men det har også skjedd noe. Den nedadgående trenden i NATO-landenes forsvarsbudsjetter er brutt. Norges forsvarsbudsjett er økt betraktelig siden 2013, vi har faktisk hele 30 pst. i realøkning. Vi beveger oss også jamt og trutt mot dette stadig tilbakevendende 2-prosentmålet. Regjeringen har gjennom gjeldende langtidsplan startet oppbyggingen av Forsvaret. Men utviklingen av vårt nasjonale forsvar må skje innenfor NATOs fellesoperative forsvar. Å gjenreise forsvarsevnen er ikke gjort over natten. Første steg har vært å sette i stand det forsvaret vi har. Grunnmuren var forvitret. Og Norge er NATO i Grunnmuren var forvitret. Og Norge er NATO i nord. Det ligger oppgaver i nord som Norge må ivareta på vegne av NATO-alliansen og ikke minst ut fra egne sikkerhetsbehov. Det handler om å ha en skikkelig situasjonsforståelse, og det handler om å kunne sikre forsyningslinjene over Atlanteren i tilfelle det skulle bli behov for det. Derfor har regjeringen kjøpt nye overvåkningsfly, nye kampfly, nye ubåter og ikke minst doblet budsjettet til Etterretningstjenesten siden 2013. Men vi har verken vært i stand til eller kommer til å bli i stand til å ivareta vår forsvarsevne alene. I 2019 er den sikkerhetspolitiske situasjonen meget uavklart, for å si det slik. Vestens forhold til Russland er anstrengt, og vi ser et Kina med opplagte globale, økonomiske, politiske og militære interesser. I slike tider er det så viktig at vi hegner om det transatlantiske båndet og det europeiske samholdet, og ikke minst at vi her i Stortinget holder fast ved den lange linjen i sikkerhets- og forsvarspolitikken og viser evne til å kunne inngå forsvarspolitiske forlik, som man har fått til så mange ganger før. Representanten Huitfeldt påsto at det var et brudd, at regjeringspartiene ikke hadde overholdt forliket i landmaktsproposisjonen. Det er ikke riktig. Da vi behandlet saken, gjorde man følgende vedtak: Regjeringen skulle komme tilbake med en sak til Stortinget der man skulle se på muligheten for å lease nye stridsvogner og opprettholde en stridsvognskapasitet. Det gjorde regjeringen. Det var ingen muligheter for å lease på det internasjonale markedet, og det er lagt opp til et anskaffelsesløp for stridsvogner fra 2025. Huitfeldt sier at man fikk gjennomslag for helikoptre og stridsvogner. Når det gjaldt helikoptre, skulle regjeringen komme tilbake med en sak til Stortinget der man skulle finne den riktige balansen mellom Rygge og Bardufoss, og det gjorde også regjeringen. Det paradoksale er at hvis Arbeiderpartiet hadde vært genuint opptatt av dette, hadde man i sitt eget alternative budsjett satt av midler til kjøp av både stridsvogner og helikoptre – men nei. Man lovte i VG sommeren 2018 at i det kommende statsbudsjettet skulle man kjøpe nye helikoptre for 250 ingen spor etter slike helikopterinvesteringer i Arbeiderpartiets alternative budsjett, og det eneste sporet etter stridsvogner – ja, vet Stortinget hva det var? Det var 50 mill. kr til en stridsvogn. Det holder til en halv

Staten har smått om senn tatt seg til en stadig større del av ansvaret for helsetjenesten. Behandlingsapparatet har gjennomgått en tilsvarende utvikling. Vi går rett og slett mer i takt. Vi har fått diagnosestandardiseringer, beslutningsforum, sjekklister og pålagte forløp – i den grad sykehus og kommuner er i stand til å følge dem opp. Den ideologiske overbygningen over det hele er Pasientens helsetjeneste – en utmerket overskrift slik jeg leser det, kan den like gjerne fungere som en understrekning av at helsetjenesten ikke er til for helsepersonellet. Og det kan nok leger, sykepleiere, helsefagarbeidere og ikke minst administrativt personell av og til ha godt av å bli minnet på. «Pasienten i sentrum» skriver vi inn i våre programmer, uten å rødme – også Venstre. Jeg må spørre meg: Hvem er det som ellers skulle være i sentrum i vårt helsevesen? Nei, sier en venn av meg, en lege i 70-årene med lang og bred erfaring, det må være treffpunktet mellom behandler og den behandlingstrengende som må settes i sentrum. Og jeg opplever dette som en mye mer offensiv tilnærming til helsepolitikk. Vi må vie selve pasientmøtet større oppmerksomhet. Som pasient opplever mange å ikke bli lyttet til. Mange oppfatter det dessverre slik at når en lege står der nyutdannet og med et vitnemål der blekket ennå ikke er tørt – da faller ørene av! De slutter å høre og stoler mer på sine lærebøker, læremestre og skjemaer enn på pasientene. Så må det sies: Legevitenskapen blir stadig mer komplisert og spesialisert. Pasientene blir stadig mer informerte og kravstore. Behandlernes autoritet utfordres. Men svaret på dette må aldri være å sette systemer, sjekklister og normer over mennesket. La meg være konkret: LAR, legemiddelassistert rehabilitering, er en norm som er ment å gi svaret på et stadig mer skrikende behov for å avhjelpe situasjonen for et økende antall rusavhengige. Det dreier seg om et standardisert og strengt regime der pasienten, i motsetning til andre pasientgrupper, tilbys et begrenset antall legemidler for å få kontroll på sin avhengighet. Når pasientene stundom protesterer på tilbudet, har vi mange eksempler på at helsepersonellet først og fremst opplever det som en trussel mot systemet, i stedet for å gå i dialog med den rusavhengige og så tilby et mer tilpasset opplegg. For Venstre er dette en hovedsak i rusomsorgen, og jeg vet at vi har helseministeren med oss i dette. I en slik sammenheng har jeg store forventninger til avkriminaliseringsreformen som vil finne sin form i 2020. Men jeg har en alvorlig bekymring knyttet til dette. Det dreier seg om at det ikke skal settes av tilstrekkelige midler for å få gjennomført denne viktige helsereformen. Reformen er nærmest unisont blitt ønsket velkommen, men jeg er ikke sikker på at vi i tilstrekkelig monn har tatt inn over oss kostnadene ved å overføre en stor gruppe mennesker fra justissektoren til helsesektoren. I dette spørsmålet kommer Venstre til å oppføre seg som regjeringens konstante sosialliberale samvittighet. Og vi skal gjøre dårlig samvittighet til god der det er behov for det. Et politisk parti har hatt stor suksess med å mane til å ta hele landet i bruk – et slagord jeg for øvrig godt kan bekjenne meg til. For Venstre er det like viktig å ta hele mennesket i bruk – ikke i den forstand at mennesket skal være et middel, men for å understreke at pasientmøtet dreier seg om å anerkjenne og lytte til pasienten, å innse at pasienten selv er den fremste ressursen i et behandlingsopplegg. Jeg tror dette bør gjentas så ofte som mulig etter hvert som stadig flere gjør seg tanker om at behandling like gjerne kan foregå på Skype eller mobiltelefon som i et møte mellom behandler og behandlingstrengende. Det er betydelig avmakt i primærhelsetjenesten stilt overfor mektige helseforetak og medisinsk professoral tyngde. Men det motsatte er også tilfellet. Stadig vekk hører vi historier om hvordan pasientsikkerheten svikter når kommunene overtar et behandlingsopplegg fastslått av spesialisthelsetjenesten. Vi hører eksempler på hvordan godt innarbeidede rutiner endres eller anbefalinger ikke tas til følge helt uten at spesialistene blir konsultert. Stikkordet er mer effektiv samhandling mellom sektorene. Dette vet jeg kan egne seg som ingressen til den kommende nasjonale helse- og sykehusplanen – og jeg skrur med dette forventningsnivået opp! Klimakrisen er

faktisk er med på å trygge folks hverdag framover. Vi må rett og slett ta oppvasken etter dem som ikke tok klimaansvaret fra starten av når det gjelder industrialiseringen, for nå kommer regningen. Folks oppfatning av utfordringer og løsninger er nok ulik. Om en spør folk i by eller land, er det forskjeller på hva en får til svar. Det samme gjelder mellom ulike bransjer, mellom offentlig og privat sektor og mellom generasjoner. Det skal vi ha stor respekt for. for. Ungdom er redde for framtiden sin. Arbeidstakere, ikke minst i oljenæringen, er usikre på om de har arbeid framover, og noen er redde for at de grønneste i politikken skal stoppe verden. Men verden skal ikke stoppes; den skal framover. Vi skal jobbe konstruktivt, og vi skal nå målene gjennom et godt norsk dugnadsarbeid, med en politikk som består rettferdighetstesten mellom gulrot og pisk. Vi må ta steg for steg, og vi må gjøre det sammen. Vi kan tenke lokalt, men vi bør også handle lokalt. For oss går jobbskaping og klimapolitikk hånd i hånd. Vi vil satse på ny teknologi og fornybare løsninger for å skape trygge arbeidsplasser, grønnere arbeidsplasser over hele landet. Og vi skal føre en ansvarlig natur- og miljøpolitikk basert på prinsippet om bærekraftig utvikling og føre-var. Tap av natur er en like stor trussel mot vårt livsgrunnlag som klimaendringene. Men klimapolitikken framover krever at vi setter oss ambisiøse mål og har sektorvise planer for å nå dem, og vi har forventninger til at regjeringens statsbudsjett for 2020 er et klimabudsjett. Kommuner og fylker har en nøkkelrolle i klimaarbeidet og mange viktige virkemidler for å redusere utslippene. I sin rolle som eier, som tjenesteleverandør og som pådriver kan kommuner bidra til å redusere utslippene betraktelig, og det er mange nyvalgte lokalpolitikere som kan bruke innkjøpsmakten sin nå framover til å ta grep på dette området. I I mitt hjemfylke, Møre og Romsdal, har fylkeskommunen bl.a. gått foran og gjort gode grep i anbudsprosessene for ferger. Tove-Lise Torve, som er nyvalgt fylkesordfører, har tatt miljø- og klimasatsingen med seg inn i den framforhandlede politiske plattformen som nå ligger. Det er offensivt, og det er riktig. Som innbyggere må vi være tydelige på egen forbrukermakt, og Arbeiderpartiet vil gjøre det lettere for folk å ta de klimavennlige valgene. Klimatesten vår er nå at vi har ti år på oss til handling før vi har en limit som er viktig å forholde seg til. Derfor vil vi legge til rette for fortsatt aktivitet og verdiskaping i petroleumsvirksomheten, og den kompetansen vi har der, er helt avgjørende for å være med og utvikle nye grønne næringer framover, som karbonfangst og -lagring, hydrogensatsing og havvind. På land er det nå frustrerende at deponiløsningen for farlig avfall dras ut i tid. Regjeringen er ikke engang enig med seg selv og har nylig oppnevnt et utvalg som skal jobbe med dette. Mens statsråden fra Venstre – før han ble statsråd mente at det ikke skulle legges til Brevik, gikk Listhaug ut i valgkampen og sa at det skal ikke være i Nesset, og det er disse to alternativene som er igjen ut fra det regjeringen har lagt fram. Da lurer jeg på hvor hen det nå skal skje noe, for Langøya fylles opp, og det haster. Her trenger vi å få en avklaring – og kanskje ikke flere utvalg. Videre oppleves det at det somles med å få på plass en ny politikk for sirkulærøkonomi, som er utrolig viktig. Vi henger etter. Og vi la merke til at regjeringen ikke klarte å få landet det som gikk på CO 2 -fond, men at det ble en noe dårligere løsning for satsingen på Enova med tanke på å få ned utslippene i næringstransporten. Til slutt vil jeg si at vår tilbakemelding på det som kraftskatteutvalget la fram denne uka, er at det er viktig å bidra til og å være tydelig på at man fortsatt skal ha en del av verdiskapingen igjen lokalt når man faktisk benytter seg av naturressursene.

Andre føler seg som en byrde. Noen sliter seg rett og slett helt ut. Slik vil vi ikke ha det! I det norske samfunnet skal vi ha bruk for alle. Alle skal kunne leve selvstendige og frie liv og kunne delta på alle samfunnsområder. Dette er grunnlaget for et demokratisk samfunn. Det handler om å få oppfylt sine menneskerettigheter. Det handler om likestilling og muligheten til å leve fullverdige liv. Regjeringen har startet arbeidet med en ny reform. Det blir ingen reformpause, for nå kommer det en likeverdsreform. Den skal gjøre hverdagen enklere for familier som skal ha eller har barn med behov for sammensatte tjenester. Dette gjelder både barn som fødes med behov for sammensatte tjenester, og barn som får behov på grunn av sykdom eller ulykke. Vi vil at foreldre skal få bruke tiden sin til nettopp å være foreldre, ikke være en administrator i barnets liv. Vi vil derfor at foreldre som venter barn med behov for sammensatte tjenester, skal få en lovfestet rett til koordinator allerede under svangerskapet. Koordinatoren skal bl.a. bidra til å sikre familien tilgang til ulike hjelpetilbud. Vi vil forenkle kravene til dokumentasjon for ulike hjelpemidler for å unngå unødvendig dokumentasjon ved kroniske eller medfødte tilstander. Dette er bare noen få eksempler på hva Likeverdsreformen går ut på. Det har i de siste årene blitt gjort mye for at mennesker med funksjonsnedsettelser skal kunne delta og bidra på lik linje med andre. Regjeringen har rettighetsfestet brukerstyrt personlig assistanse, vi har styrket retten til omsorgslønn, og gjennom inkluderingsdugnaden arbeider vi aktivt for at flere skal få muligheten til å delta i arbeidslivet. Likevel vet vi at familier med store omsorgsoppgaver møter flere og større utfordringer når de søker hjelp. Gjennom Likeverdsreformen svarer regjeringen nå på disse utfordringene. Vi vil sørge for at familier som har barn med behov for sammensatte tjenester, skal motta sammenhengende og gode tjenester. De skal få lov til og ha muligheten til å være sjef i eget liv. De skal kunne ha en meningsfull hverdag, enten det handler om foreldre, barnet selv eller søsken. Og ikke minst skal de bli tatt vare på og inkludert som pårørende. Vi kjenner til mange av disse utfordringene – det har blitt sagt fra over lang tid – men vi kjenner ikke alle. Vi er sikre på at det er mange som har gode innspill på hva som skal til for å lykkes med dette arbeidet. Når vi lager denne reformen, skal vi lytte til dem det gjelder: familier som har barn med behov for sammensatte tjenester, barna selv, brukerorganisasjonene, helsetjenesten, Nav, kommunene og de andre som forsøker å hjelpe i dag, men der vi ser at vi ikke får det helt til. Vi skal gjennomføre dialogkonferanser i hele landet. Vi ønsker et samfunn med bruk for alle – et samfunn der alle, uansett funksjonsnivå, skal ha mulighet til å leve et selvstendig liv og delta i samfunnet.

Tre måneder etter at den nye operatøren har tatt over denne kritisk viktige tjenesten, er ikke regulariteten og beredskapen slik den skal være. Gjentatte ganger har statsråden blitt utfordret på denne tjenesten og forsikret Stortinget om at tjenesten skal være i full drift, og at beredskapen skal være god. Hva tenker helseministeren i dag, etter alle disse advarslene, og når man fortsatt ikke har en stabil tjeneste? For det første er det viktigste med denne tjenesten at vi kan ivareta pasientenes og brukernes behov. Så vidt jeg er kjent med, har ikke den reduserte kapasiteten bidratt til at pasienter ikke har fått løst sine oppgaver. En del av oppdragene, f.eks. forflyttingsoppdrag, har fått lengre ventetid. Kapasiteten i august og september har vært på om lag 90 pst. av det som er avtalt. I tillegg er det også satt inn et ekstra fly. Vi er ikke fornøyd med den beredskapen som er levert. Vi forventer at leverandøren

90-tallet. For juli sier operatøren selv at man var nede på 69 pst., hvor oppdragsgiver har måttet la HF bidra med kompenserende tiltak. Jeg blir bekymret når helseministeren trekker pusten fordi dette ikke har ført til noen dårlige pasienthistorier – hittil. Men medisinsk

At det var redusert kapasitet i juli, var forventet, fordi det ikke var mulig å få til den smidige overgangen som var ønsket mellom gammel og ny operatør. Derfor ble det også i god tid planlagt ekstratiltak for nettopp å kompensere for at leverandøren ikke var i stand til å levere full kapasitet i juli måned. Disse ekstratiltakene, bl.a. med Forsvarets helikoptre, virket heldigvis til fordel for pasientene.

Eg forstår godt harmen over forslaget frå Helse Møre og Romsdal om å etablera ein einmannsambulanse i Geiranger, og ambulansearbeidaren som til NRK sa at det er som å gå 20 år tilbake i tid. Spørsmålet mitt er om statsråden vil verta hugsa som den helseministeren som tillét å etablera einmannsambulansar, og dermed avvikla ambulansetenesta slik vi kjenner ho i dag, eller om han vil verta hugsa som den helseministeren som tok grep og sikra ei utvikling av ambulansetenesta i heile
landet, men ikke bare ambulansetjenesten, også den samlede beredskapen. Derfor innebærer den kontrakten vi nå har på luftambulansetjenester, en høyere beredskap enn den kontrakten vi hadde tidligere, bl.a. med et nytt jetfly på Gardermoen, som vi ikke har hatt før, og som er viktig for den samlede nasjonale beredskapen. Representantens beskrivelse av utviklingen i ambulansetjenesten er veldig korrekt. Den har blitt styrket år for år. Det har blitt høyere kompetanse. Det har blitt flere biler. Noe av det som bidrar til høyere kompetanse, er Den har blitt styrket år for år. Det har blitt høyere kompetanse. Det har blitt flere biler. Noe av det som bidrar til høyere kompetanse, er bl.a. det representanten ofte kritiserer som sentralisering, nemlig at man har større fagmiljøer, med ambulansepersonell med høyt faglig nivå som har mange oppdrag. Representantens forslag om å lovregulere responstid og dermed

målkravet. I går ble det sagt fra regjeringa at i den kommende helse- og sjukehusplanen skulle en erstatte «parter» med «partnere» i samspillet mellom stat og kommune. Det er imidlertid liten grunn til å tro på det når vi ser hva som skjer på Nordmøre og i Kristiansund. Det er full konflikt mellom statsråd Høie og alle de ni ordførerne på Nordmøre. Og det sprer seg til Sunnmøre. Ordførerne kan Fagfolk reagerer mot faglig svekkelse av tilbudene. Konsekvensene er at arbeidslysten svekkes, og ledelsen i helseforetakene får det enda vanskeligere med å utøve sitt lederskap fordi de har ordførerne og de folkevalgte i stor grad mot seg. Det trengs derfor en endring, det trengs tillit, og det kan gjøres ved at de offentlige representantene i helseforetaket blir valgt av og blant fylkesstyrets medlemmer og dermed også kan avsettes ved kommende fylkestingsvalg. Mitt spørsmål er: Vil statsråden støtte en slik endring, slik at en i praksis kan få til samspillet mellom foretak og kommune? Jeg er helt enig med representanten i at det er behov for en betydelig forbedring i samspillet mellom sykehusene og kommunene. Det er også derfor vi i trontalen nettopp varslet viktige endringer i den neste nasjonale helse- og sykehusplanen, som skal sikre det. Senterpartiets resept på dette området vil føre til det motsatte. Det har vi dessverre mye erfaring med fra den gangen fylkeskommunene hadde ansvaret for sykehusene. Det var da den store sentraliseringen foregikk når det gjaldt fødetilbud i Norge. Det var et kontinuerlig spill mellom fylkestingene og Stortinget om hvem som hadde ansvaret for sykehusene, mellom fylkestingene og Stortinget om hvem som hadde ansvaret for sykehusene, og ingen tok et helhetlig ansvar. Senterpartiets modell vil være enda verre enn den gamle modellen, for der vil en jo sette en statsråd ansvarlig overfor Stortinget for sykehusene, samtidig som en setter fylkestingsrepresentanter inn i styrene som er ansvarlige overfor sine velgere – en total ansvarspulverisering som bare vil forsterke

Dermed må de operere innenfor Stortingets vedtak, samtidig som de skal gjennomføre folkeviljen. Dermed vil en få ansvarliggjorte styrer som kan samspille med kommunenes ansvarlige ledere. Det er forslaget, og det er det statsråden nå avviser uten engang å lytte og sette seg inn i hva som er Senterpartiets forslag.

og av en statsråd som sannsynligvis i mange tilfeller representerer et annet parti enn det de er valgt inn for. En total ansvarspulverisering, et svarteperspill om hvem som faktisk sitter med det politiske ansvaret, er konsekvensen av Senterpartiets forslag. Det var det jeg sa i mitt forrige svar, og det er det jeg sier i dette svaret. Jeg har satt meg grundig inn i Senterpartiets forslag, og det er verre enn det som var tilfellet tidligere, da fylkeskommunene hadde ansvaret. Gode helsetjenester for

Derfor har vi vært opptatt av integrert ettervern, og det var derfor vi fremmet forslag om nettopp det sammen med resten av opposisjonen og vedtok flere tiltak, som statsråden sikkert husker. Men vedtak nr. 842 fra juni 2018, som ber regjeringen sikre at spesialisthelsetjenesten etablerer flere desentraliserte tilbud i samarbeid med kommunene, er ikke blitt fulgt opp, selv om regjeringen selv skrev i statsbudsjettet at dette anmodningsvedtaket skulle følges opp gjennom oppdragsdokumentene for 2019 til de regionale helseforetakene. Da lurer jeg på: Er det slik at statsråden ikke tar Stortingets vedtak på alvor, eller kan han her og nå garantere at dette kommer til å bli fulgt opp i Jeg er ikke enig i at dette ikke er fulgt opp, for dette er helt i tråd med regjeringens politikk. Vi ønsker og har etablert flere desentraliserte tilbud i samarbeid med kommunene. Derfor bygger vi ut tilbud om FACT- og ACT-team, slik at spesialisthelsetjenestens fagfolk jobber sammen med kommunens fagfolk i team rundt de brukerne som har de største og mest sammensatte behovene. behovene. Det som er veldig hyggelig å si, er at dette gir veldig gode resultater. Vi ser at det forbedrer helsetilstanden, det bidrar til større deltakelse i arbeid og aktivitet, det øker boevnen, og det fører til mindre tvangsbruk. Dette er en framtidig måte å løse oppgavene på som vi selvfølgelig ønsker å fortsette å utvikle videre. Replikkordskiftet er omme. I det politiske liv kan tre uker være en evighet, mens den politiske hukommelse kan være tilsvarende kort. Men jeg vil bli veldig overrasket hvis ikke medlemmer av regjeringspartiene har fått med seg det ganske så entydige valgresultatet både på Helgeland og i Nordland, ja sågar i en hel landsdel. Velgerne har talt, og de ønsker ikke regjeringens sentraliserende politikk. valgte styret ved Nord universitet å legge ned campus Nesna og sykepleierutdanningen i Sandnessjøen. Dette vakte voldsomme reaksjoner på Helgeland, men med noen fantastiske bunadskledde damer i spissen klarte Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland mot alle odds å gjøre lærerutdanning og sykepleierutdanning til en nasjonal sak i valgkampen. Bakgrunnen for at vi er der vi er i dag, er strukturreformen i høyere utdanning – en reform daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og hans statssekretær gjentatte ganger proklamerte at skulle bidra til sterkere fagmiljø og sterkere studiesteder. Alle delene i det nye, fusjonerte universitetet skulle bestå, det skulle til og med bli sterkere og mer betydningsfullt i regionen. Vi skulle få utvikling, ikke avvikling. Her står vi altså tre år senere med et nedleggingsvedtak som vil rasere et lokalsamfunn, og som vil forsterke trenden i en region som allerede sliter med å få tak i kvalifiserte lærere og sykepleiere. sykepleiere. Den samme ministeren som den gang sa at det skulle bli et sterkere miljø, må antagelig inn med enorme omstillingsmidler. I 101 år har Nesna utdannet tusenvis av lærere – og etter hvert også barnehagelærere – i regionen. Det er bygd opp et sterkt fagmiljø for å løse oppdraget, og staten har nylig gjort store investeringer i bygg og infrastruktur skreddersydd for akkurat dette formålet. Det er ikke mulig å flytte dette fagmiljøet ut av regionen eller for den saks skyld til et annet sted i regionen. Fagmiljøet vil forvitre, og de samfunnsøkonomiske tapene vil bli formidable. Konsekvensene for Nesna vil bli umulige å bære, både for kommunen og både for kommunen og for de mange som blir berørt. Da er det ikke rart at det er mange som sier at de føler seg lurt – som trodde på de fagre ordene om en styrket regional betydning. Til og med i regjeringspartiene er det mange som sier at de Ingelin Noresjø, har gjentatte ganger sagt akkurat det. Stortingsrepresentant Dagfinn Henrik Olsen sa til NRK før sommeren at han var forbannet over vedtaket, og ba til og med statsråden om å omgjøre vedtaket og avsette styret. Stortingsrepresentant Hanne Dyveke Søttar har sagt at rapporten som dannet grunnlaget for nedleggingsvedtaket, ikke er verdt papiret den er skrevet på. Det

De lokale representantene brukte sin korte taletid veldig godt. Folkeaksjonen, studentene og de ansatte gjorde det tydelig for alle oss som sitter i komiteen, at det leveres utdanning av høy kvalitet og med god søkning. Jeg innledet innlegget mitt med å si at tre uker er lang tid i politikken. Det er nå godt og vel fire uker til utdanningskomiteen skal avgi sin innstilling til SVs forslag om å stoppe nedleggelsen. På vegne av alle bunadskledde damer, framtidige generasjoner som fortjener godt utdannede lærere og sykepleiere, og en samlet Helgeland-generasjon varsler jeg kysten til kamp, og at de neste fire ukene kommer til å føles som en evighet for dagens regjering. Jeg tenkte jeg ville ta utgangspunkt i trontalen slik den ble holdt her i salen, for i den sa kongen på vegne av regjeringa: «Regjeringen vil beholde et samfunn med små forskjeller og tillit mellom folk.» Det

Det er derfor vi er så uenig i en del av de vedtak som blir fattet med utgangspunkt i regjeringas forslag. Det er en realitet at de rikeste i Norge har fått mye bedre økonomi på grunn av skattelette. Det er også en realitet – og det viste en sak vi hadde i vår her i Stortinget, via kontroll- og konstitusjonskomiteen – at statlige ledere har fått kraftig lønnsøkning, og at styreledere i dem 20–40 pst. Vi ser at lederlønningene i staten tar av. Resultatet er det vi nå ser: at forskjellene på hvem som har formue i dette landet, øker, og forskjellene i lønninger øker. Det gjør de fordi vanlige folk ikke får sånne fordeler. Tvert imot er det sånn at hvis en hver dag står opp, reiser på arbeid og er avhengig av bil for å komme seg dit, skal en betale mer i skatt – fordi fradrag for pendlere som ikke gjør annet galt enn å stille opp på arbeid hver dag, skal reduseres. Eller hva hvis man er uheldig og må slutte rundt 60-årsalderen og får sluttvederlag? Jo, det skal nå skattlegges. På samme måte er det når det gjelder lønn. outsourcing, f.eks. av renholderne i Forsvaret: Det er å presse lønningene nedover samtidig som lederne får økte lønninger. Vi ser at sosial dumping presser lønnsnivået på vanlige fagarbeideryrker nedover. Vi kan også se på politiske vedtak som gjelder levealdersjustering, som regjeringa nå vil fjerne, at pensjonistene har fått underregulert pensjon i forhold til prisstigningen. Når det gjelder de som er avhengige av arbeidsavklaringspenger, har vi i dag hørt at det skal bli foreslått å kutte i nivået for de unge AAP-mottakerne. Eller hva med det å si nei til pensjon fra første krone – den eneste logiske konsekvensen av en pensjonsreform vi opprinnelig sto sammen om, men som nå avvises av regjeringa? Det sliter også på tilliten, som Sverre Myrli på en veldig god måte var inne på. Reformer blir det kalt, f.eks. ABE-reformen, som egentlig er et rent kutt. Politireformen er blant dem som blir rammet av det. Vi har snakket med politidistriktet nede hos oss, som fortalte akkurat hvor mange millioner kroner de hadde fått mer fra statsbudsjettene, og det nevnes ofte av regjeringspartiene. Men det regjeringspartiene ikke nevner, er at de har fått mer i kutt på grunn av den såkalte ABE-reformen. Så netto har de fått mindre penger, men det framstilles som en styrking. Det er ikke noe rart at folk føler seg lurt. Det er det heller ikke når en ikke står ved de rovviltforlikene som er gjort i Stortinget, eller når vi ser at det som blir omtalt som nærpolitireformen, i praksis fører til at politiet blir mye fjernere. Da er det slik at mange folk føler seg lurt, og de føler seg overkjørt. Det samme vil jeg si når det gjelder den diskusjonen om bompenger som var i valgkampen. En kan mene hva en vil om bompengelister, men jeg synes vi skal ha respekt for at noen føler at det kanskje kan begynne å bli litt dyrt å komme seg på jobben hver dag – og i hvert fall la dem få lov til å mene det uten å raljere over at de ikke er mer opptatt av verdensfreden enn de er. Så har vi på den andre siden de som latterliggjør det ungdommelige, sterke miljøengasjementet. Ja, med de konflikter som oppstår, med de økte forskjellene og med den store forskjellen som etter hvert vokser fram fra by til land og mellom distrikter, og som bl.a. valgresultatet er et eksempel på, vil jeg si at dessverre, i den tida jeg har fulgt med i norsk politikk, har jeg aldri opplevd mindre tillit befolkningen imellom enn det vi har nå, og det truer den norske

Derfor trenger vi politikere som ser hvor viktig det er med internasjonalt engasjement og samarbeid på tvers av landegrenser, som ser hvor avgjørende EØS-avtalen er for norske arbeidsplasser i hele landet, og som skjønner hvorfor proteksjonisme er en veldig dårlig idé, særlig for et land som Norge. EØS-avtalen er viktig for norske arbeidsplasser. Hele 80 pst. av eksporten fra Norge går til EU, og det er nettopp EØS-avtalen som sikrer norske bedrifter like konkurransevilkår på vårt aller viktigste marked. Når det går så bra hjemme som det gjør, er det lett å glemme hvor avhengig vi faktisk er av handel og internasjonalt samarbeid. For det går faktisk bra i hele landet. Vi har en sterk økonomisk vekst, vi har den laveste ledigheten på ti år, det skapes flere jobber – bare det siste året har det blitt skapt 58 000 nye jobber, de fleste i privat næringsliv. Dette hadde ikke vært mulig uten internasjonalt samarbeid, som Høyre er en garantist for. Men selv om pilene peker i riktig retning nå, vet vi at vi har store utfordringer foran oss. Vi vet at vi får flere eldre, og vi vet at det blir stadig færre arbeidstakere per pensjonist. Vi vet at vi får lavere inntekter fra olje og gass, og vi skal løse klimautfordringene. Da må vi sørge for at vi har et mangfold av bedrifter over hele landet som bidrar med verdiskapning, arbeidsplasser og skatteinntekter, for det er privat næringsliv som skal betale for vår felles velferd i framtiden. Verden er i endring. Det er Norge også. Endring skjer, enten vi liker det eller ikke. Noen arbeidsplasser vil forsvinne, nye arbeidsplasser kommer. Folk flytter inn til byene. Kommunene opplever at det blir stadig mer krevende å levere gode tjenester til sine innbyggere. Vi er nødt til å tilpasse kartet etter terrenget. Derfor har vi gjennomført en del reformer. Vi trenger større kommuner for å sikre gode tjenester til alle landets innbyggere og for å opprettholde befolkningen i distriktene, og vi trenger et politi som er tilgjengelig for folk i hele landet. Jeg skjønner at det er krevende. De færreste liker endringer, men det handler om å være forberedt på det som kommer. Det sies at det skal sterk rygg til for å bære gode dager. Nå går det godt, og det er nå vi må gjøre de nødvendige endringene. Det er ikke alt det er like populært å gjennomføre, men det er riktig. Og vi må gjøre det nå for å sikre at vi kan levere like gode tjenester til landets innbyggere også i framtiden. Vanligvis ville denne typen store reformer være noe det var tverrpolitisk enighet om i Stortinget. Det er derfor synd å se at Arbeiderpartiet snur kappen etter vinden. Dette landet hadde trengt et Arbeiderparti som oppførte seg som et ansvarlig styringsparti, og som hadde sterk nok rygg til å stå i stormen. Vi står overfor en annen stor utfordring som egentlig overskygger alt annet om vi ikke greier å løse den, og det er klimautfordringen. Også på dette området handler det om å tørre å iverksette krevende tiltak i dag, på vegne av kommende generasjoner. Vi må gjøre det fordi det er riktig. Vi er et rikt land, og vi skal ta på oss ledertrøya. Vi skal ta vår del av ansvaret for å få utslippene ned. Vi skal ha fossil energi ut av transportsektoren. Vi skal investere i grønn teknologi. Vi har nå fått på plass en forpliktende avtale for alle sektorer. Alle skal kutte. Det skjer mye, men vi må fortsatt utvikle ny og bedre politikk på dette området, fordi vi skal videre. Men uansett hvor flinke vi er her hjemme i Norge, så mange partier på venstresiden ikke ser hvor viktig samarbeidet med EU er for å løse nettopp klimautfordringene. Vi står overfor mange utfordringer i årene som kommer. Jeg tror vi er godt rustet til å løse dem, men det krever at vi gjennomfører nødvendige reformer. Offentlig sektor må endres. Vi må redusere klimagassutslippene, og vi trenger et sterkt privat næringsliv for å finansiere disse prosjektene og vår felles velferd i framtiden. Både klimautfordringene og arbeidsplasser i hele landet er helt avhengig av internasjonal handel og samarbeid. Vi lever i et trygt og godt land, som går godt. Andelen helt arbeidsledige ligger på 2,2 pst., noe som er

Nye folkevalgte og nye konstellasjoner vil gi ny politikk flere steder i landet. Å følge den lokale debatten har vært fint, da de lokale folkevalgte ser ut til å være flinkere til å fokusere på egen politikk fremfor å svartmale alt og alle enn det representantene på dette hus synes å være. Vi kommer til å få kommuner som innfører eiendomsskatt eller øker den, men vi vil også få kommuner som reduserer den eller avvikler den. Slik fungerer lokaldemokratiet. For Fremskrittspartiet har kampen mot eiendomsskatt stått sentralt, og den vil fortsette. For Fremskrittspartiet er huset ditt et hjem og ikke et skatteobjekt for late kommunepolitikere. Derfor har Fremskrittspartiet fått gjennomslag for at maksimal eiendomsskattesats skal senkes fra 7 til 5 promille fra og med neste år. Og fra 2021 skal den senkes til 4 promille. Vi skal ha stor respekt for skattebetalernes penger, som vi er satt til å forvalte. Kommunenes økonomi er bedre enn på lenge. Ved utgangen av 2013 var 46 kommuner i Norge på ROBEK-listen. Per nå er kun 10 kommuner på denne listen. Mens antall heltidsbønder under rød-grønt styre sank med nærmere 50 pst., har tallet under denne regjeringen steget med nær 5 pst. I vår regjeringsperiode har det blitt lagt ned i snitt elleve små grendeskoler i året. Under rød-grønn regjering var tallet hvert år mer enn dobbelt så høyt. Det ble lagt ned dobbelt så mange akuttfunksjoner ved sykehus og tre ganger så mange fødeavdelinger under rød-grønt styre som under denne regjeringen. Vi tror på Norge, og vi tar vare på hele landet med de virkemidlene vi har nasjonalt, samtidig som vi hele tiden må jobbe mot opposisjonens higen etter å detaljstyre kommunene med forbud, påbud, normer og øremerking. Valgkampen har vist oss at kommunene er veldig forskjellige, og det skal de fortsette å være. Landet vårt trenger også en bærekraftig innvandringspolitikk. Vår innvandringspolitikk er basert på fakta – ikke Kostnadene ved innvandring og en økende andel eldre setter den norske velferdsmodellen på prøve. Det er viktig å føre en asylpolitikk som holder antallet asylsøkere uten beskyttelsesbehov lavest mulig, for å bruke ressursene på asylsøkere med beskyttelsesbehov og kvoteflyktninger. Man antar nå at nær 70 millioner mennesker er på flukt. Jeg har besøkt flyktninger i leirer både i Jordan og i Libanon. Dette er mennesker som lever år ut og år inn under dårlige forhold og nesten uten håp om en fremtid. De eier ingenting og har derfor ikke den samme muligheten til å betale for en reise til Europa. Etter å ha snakket med flere av disse som bodde slik, ble det enda viktigere for meg å få til en politikk som stopper dem som har midler til å betale menneskesmuglere store beløp for å komme seg til Norge. disse som bodde slik, ble det enda viktigere for meg å få til en politikk som stopper dem som har midler til å betale menneskesmuglere store beløp for å komme seg til Norge. De stjeler ressurser fra dem som har aller minst, eller fortrenger plassen for dem som trenger det aller mest. Jeg har ingen forståelse for dem som har så varm omtanke for dem som har betalt seg til Norge og jukset til seg opphold og statsborgerskap, når jeg Det har bidratt til den laveste asylstrømmen på 20 år, og vi har sørget for tvangsretur av over 41 000 ulovlige innvandrere. Men vi skal også være pådrivere for å finne gode løsninger for verdens flyktninger, både gjennom hjelp i nærområdene og ved å ta imot kvoteflyktninger. Høy innvandring bidrar også til økt ulikhet. Mens kun 5,7 pst. av barn uten innvandrerbakgrunn tilhørte en husholdning med vedvarende lavinntekt i 2017, var denne andelen nesten syv ganger så stor for innvandrerbarn. Regjeringen har tatt en rekke grep når det gjelder både krav til kommunene, krav til kvalitet og krav til den enkelte. Skal våre nye landsmenn føle seg hjemme i vårt land, trenger de å bli en del av det via språk og via selvforsørgelse. Her både må vi Her både må vi og skal vi bli enda bedre. Samtidig må aldri kampen mot sosial kontroll, barnebruder, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap

Høyres justispolitiske talsperson har også vært krystallklar på at det vil bli nedleggelser, og vi ser nå at kommisjonen har levert en rapport i tråd med regjeringens bestilling. Senterpartiet har over tid vært kritisk til konkrete forhold ved domstolenes økonomi, ved Domstoladministrasjonens beslutninger og ved Domstolkommisjonens sammensetning og mandat.

Der forsøkte ikke justisminister Jøran Kallmyr på noe tidspunkt å svare på mine argumenter, men gikk rett til å anklage meg for konspirasjonsteorier. Jeg synes det er ganske forstemmende at landets øverste justispolitiske leder får seg til å beskylde en parlamentariker for konspirasjonsteorier, i stedet for å møte meg med saklige argumenter. I vår ble sorenskriveren i Romsdal tingrett beskyldt av Høyre for akkurat det samme, etter at han hadde uttalt seg i Nationen 14. mai om sin opplevelse av at budsjettkutt over flere år hadde lagt til rette for sammenslåing av domstoler. Etter min mening drar hersketeknikker som dette debatten ned til et bunnivå – eller rettere sagt knebler den. Jeg vil gjerne spørre statsministeren: Synes statsministeren at dette er en god måte å opptre på i det offentlige ordskiftet for noen av landets fremste politikere? Hvis man er uenig i sak, burde man heller komme med motargumenter. Fortsatt er det ingen fra Høyre eller Fremskrittspartiet som har forsøkt å forsvare hvorfor mandatet fra regjeringen ga klare føringer om sentralisering av domstolene, hvorfor Domstolkommisjonen mangler representasjon fra distriktene og nedleggingstruede domstoler, hvorfor det var så viktig å framskynde en rapport om struktur til 1. oktober i år, ett år før kommisjonen har utredet forhold som oppgaver, digitalisering og uavhengighet, hvorfor rapporten kommer to uker etter lokalvalget og akkurat i tide til å gjøre drastiske endringer før stortingsvalget i 2021, hvorfor regjeringen har kuttet domstolenes økonomi over mange år, gjennom ABE-reformen, og satt domstolene i en veldig presset økonomisk situasjon, situasjon, hvorfor det har blitt gjort ufrivillige strukturendringer i domstolene parallelt med at denne uavhengige kommisjonen har gjort et strukturarbeid, og hvorfor bare de aller største domstolene får lov til å bli fulldigitalisert. At Senterpartiet jobber mot sentralisering, er ikke tatt ut av løse luften. Jeg registrerer at en av hovedprioriteringene i trontalen er å gjennomføre politireformen. Det er en politireform som har fått massiv kritikk for å fjerne politiet fra folk og å svekke lokal beredskap. Regjeringen planlegger også en strukturreform i kriminalomsorgen og har nå, på toppen av det hele, fått et forslag om massiv nedlegging av domstoler. Som Dagbladet veldig treffende skrev på lederplass i dag: «De foreslåtte kuttene i tingrettene vil sentralisere hele den rettslige infrastrukturen, ikke bare domstolene.» Og videre: «Problemet er at kommisjonen har begynt i feil ende. Den burde hatt som hovedmål å utrede hvordan vi skal styrke og utvikle rettsstaten og rettssystemet.» I høst skal Stortinget behandle forslag fra Senterpartiet om å utsette strukturreformen i domstolene til forhold som oppgaver, digitalisering og uavhengighet er utredet. Senterpartiet mener helt andre løsninger enn regjeringens sentralisering skal til for å skape utvikling i hele Norge. I domstolene kunne vi f.eks. begynt med å stoppe den økonomiske sultefôringen, styrke mindre domstoler ved å ansette dommere i stedet for fullmektiger, etterutdanne dommere eller å fulldigitalisere alle domstolene, ikke bare de tolv største, for å nevne noe konkret. Vi i Senterpartiet kommer til å fortsette kampen mot sentralisering, og jeg håper vi kan gå det nye stortingsåret i møte på en saklig og konstruktiv måte,

familienes side. Veldig lenge har Kristelig Folkeparti stått alene om å ha en familiepolitikk, men de senere årene har også flere partier kommet på banen. Det er vel og bra, for familiene fortjener et sterkt fokus. Likevel har partiene åpenbart ganske ulikt syn på familien, og de har ulik tilnærming. Ja, det foregår nærmest en ideologisk kamp når det gjelder familiene, og det er et stort trykk på at staten skal overta stadig flere av familiens oppgaver. Der andre partier ønsker at deres familiepolitikk skal bidra til at man når ulike mål – prisverdige mål i seg selv, enten det er likestilling, integrering eller en styrket arbeidslinje Der andre partier ønsker at deres familiepolitikk skal bidra til at man når ulike mål – prisverdige mål i seg selv, enten det er likestilling, integrering eller en styrket arbeidslinje – sier vi: familiene først. Ingen av disse hensynene skal få trumfe hensynet til familiene. Kristelig Folkeparti ser familien som et mål i seg selv, og vi ønsker en familiepolitikk på familiens premisser. Systemet må tilpasse seg familien, ikke omvendt. Hvis man tenker har. For oss i Kristelig Folkeparti er det her fellesskapet starter, ikke i velferdsstaten. Skaper vi sterke familier som tar ansvar for hverandre, skaper vi trygge oppvekstsvilkår og et varmere samfunn. Helt sentralt i det å bygge sterke familier står valgfriheten, erkjennelsen av at familier er forskjellige. Foreldre kjenner sine barn og sine omstendigheter best, og de vet akkurat hva som skal til for å få sin hverdag til å gå i hop på en god måte. For det er jo det familielivet handler om for de fleste av oss: gode hverdager sammen med den gjengen vi er aller, aller mest glad i. Så er det vår oppgave som politikere å sørge for de løsningene som sikrer den valgfriheten og fleksibiliteten de trenger. trenger. Nettopp der har du kjernen i vår familiepolitikk. Kristelig Folkeparti ønsker å styrke familiene, ikke styre dem. Derfor er vi skikkelig stolte av de familiepolitiske gjennomslagene våre. Barnetrygden har stått helt stille siden 1996. Den har vi økt, og den skal økes ytterligere for de yngste barna. I mange år har foreldre vært nervøse for at den kontantstøtten som de hadde tenkt å benytte seg av for å være litt lenger hjemme med ettåringen, skulle forsvinne. Den har vi sikret. Engangsstønaden har vi økt betydelig, sånn at det ikke bare er de som har planlagt alt, og som fyller aktivitetskravene til foreldrepenger, som kan se seg råd til å sette barn til verden. Vi skal sørge for billigere SFO til dem som trenger det mest, og vi skal innføre et fritidskort for alle barn og unge mellom 6 og 18 år, for når vi vet hvor viktig det er for barn og unge å få delta i fritidsaktiviteter for å oppleve samhold og mestring, må vi sørge for at absolutt alle kan delta. Og ikke nok med det: Denne høsten ser barnefamiliene også resultatene av en av Kristelig Folkepartis viktigste seire, nemlig flere lærere og flere voksne i barnehagen.

Det er ikke familien som skal understøtte politikken, det er politikken som skal understøtte familien. Når noen ønsker å ta fra familien ansvar og oppgaver og legge stadig flere av disse over på skole og barnehage, når noen vil putte fritidsaktivitetene inn i skolen og ta det fra frivilligheten, der familiene har en viktig rolle, og over i offentlig regi, når noen vil fjerne kontantstøtten og legge økonomisk press på småbarnsforeldre for å få dem til å velge på en spesiell måte, ja, når noen politikere også snakker nedsettende om foreldre som ønsker å bruke litt mer tid med barna mens de er små, og sånn sett bruker sin makt til å legge et enormt sosialt press på foreldre – da vil Kristelig Folkeparti alltid stå på familienes side og stå opp for valgfriheten. Vi vil gi dem tillit og snakke dem og familielivet opp hver Kristelig Folkeparti vil styrke familiene, ikke styre dem. Tre år etter oljeprisfallet er mye normalisert i norsk økonomi. Det er bra. Men da burde vi hatt flere i arbeid. En sysselsettingsandel på 68 pst. mener Arbeiderpartiet ikke er godt nok. Vi må ha høyere ambisjoner. tusen personer står i kø og vil ha jobb. Da trenger vi å bidra til at det blir skapt enda flere arbeidsplasser. Vi må satse mer på omstilling i næringslivet – inn i en grønn og mer klimavennlig tid – for å gjøre norsk økonomi mindre oljeavhengig. For vi vet at når næringslivet må omstilles og vi trenger flere i arbeid, må arbeidsfolk få kompetansepåfyll. De som faller utenfor arbeidslivet, må få mer og riktigere hjelp for å komme i arbeid igjen. Kutt i trygdeordninger som arbeidsavklaringspenger er ikke et bidrag til at folk kan bruke arbeidsevnen sin. Det som overrasker meg i den debatten vi har hatt her i dag, der sysselsettingsandelen har vært tema noen ganger, er at det mest framoverlente jeg har sett fra høyresiden her, er representanten Nilsens knebøy på talerstolen. Betyr det at regjeringspartiene slår seg til ro med en sysselsettingsandel på 68 pst.? Nei, Norge kan bedre. Når sysselsettingen er for lav, når flere grupper ikke kommer inn i arbeidsmarkedet og vi ser at renten går opp, noe som gjør at etterspørselen etter varer og tjenester blir lavere, da må oljepengene brukes på det som virker. Svaret på det får vi på mandag. I trontalen var det få varsler om en ny giv for å få flere i arbeid. Fortsatt hviler regjeringen seg på dugnadsbordet. Men det er en dugnad som regjeringen selv ikke stiller opp på. Et nytt eksempel har vi sett i dag. Unge på arbeidsavklaringspenger som trenger hjelp til å bli friske og komme seg i jobb, skal få kutt. Fellesskapet må stille opp mer for dem. Men det regjeringen foreslår, er å kutte i det de har å leve for, før de skal få hjelp fra fellesskapet. Sånn øker forskjellene i Norge. Regjeringen fortsetter politikken med at de som har lite og utfordringer i livet, skal bli motivert av kutt, mens de rike skal bli motivert av å få mer. Hvis vi skal få flere i jobb, må vi ha en større innsats for næringslivet. Da er det tydelig at regjeringen tviler på sin egen politikk. I sommer ble det nedsatt et utvalg som skal se på om det er noen sammenheng mellom skatteletter og framvekst av nye arbeidsplasser – en sammenheng regjeringen aldri har klart å bevise. Det vi er helt sikre på, er at den politikken bidrar til å øke forskjellene mellom folk.

for skal Norge lykkes med omstillingen, trenger vi flere arbeidsplasser, ikke færre. Industrien gir store ringvirkninger i lokalsamfunn over hele landet, også i mange andre næringer. Nesten én av fire kroner fra innenlands tjenesteproduksjon etterspørres av industrien. Industrien driver fram nyskaping av teknologi, ikke bare i industrien, men også i samfunnet. Det har vi sett f.eks. på Raufoss, hvor de bidrar til å hjelpe sykehusene til større effektivitet. Industrien gir oss også store eksportinntekter som sikrer velferden, inntekter som blir viktigere og viktigere etter som oljen blir mindre dominerende i norsk økonomi. Industrien er også helt avgjørende for at vi skal klare å løse vår tids store utfordring – klimaet. Derfor trenger vi en annen økonomisk styring i en urolig internasjonal økonomi – og en aktiv næringspolitikk der staten tar større ansvar for å sikre framtidsrettede arbeidsplasser og industri. Ikke minst må vi ha reelle ambisjoner for sysselsettingen her i landet. Det trenger folk, og det trenger Norge. Det er

Men i årene som kommer, kommer vi til å møte noen tøffe trender: Inntektene fra olje og gass kommer til å gå ned. Arbeidslivet vil endre seg i møte med digitalisering og automatisering. Klimaet kommer til å endre seg dramatisk. Vi blir flere eldre, og antallet yrkesaktive per pensjonist kommer til å gå ned.

Men i debatten om hva vi skal gjøre, møter vi ofte en opposisjon som enten vingler eller har lyst til å lukke øynene og si nei. La meg ta et konkret eksempel: I noen kommuner kommer det til å være bortimot like mange pensjonister som yrkesaktive om noen år. Flere kommuner klarer ikke å gi innbyggerne sine et godt tjenestetilbud, bl.a. fordi de ikke har sterke nok fagmiljø. Derfor ser vi at det har vært riktig å gjøre endringer i kommunestrukturen. Mange steder ser vi gode effekter av det allerede. I nye Indre Østfold kommune ser vi allerede at man planlegger for 40 færre årsverk i administrasjonen. Det betyr 40 flere årsverk til tjenester til folk. De skal selvfølgelig gis til hele kommunen – der folk bor. Tidligere i

og la være å ta inn over seg de endringene som kommer enten vi vil det eller ikke, men det er også uansvarlig. Vi er nødt til å diskutere hvilke endringer vi må gjøre for å beholde og gjøre velferdssamfunnet vårt mer bærekraftig. Høyre skal fortsette å føre en politikk som gjør at det skapes nye, grønne og lønnsomme jobber, og som gjør at vi får mer igjen for hver krone i offentlig sektor. Jeg håper at også opposisjonen snart vil bli med på den debatten, framfor å lukke øynene og drømme seg tilbake til det de har lyst til å reversere. Når vi skal løse store og komplekse utfordringer, som dem vi diskuterer her i dag, trenger vi partier som har svar på mer enn ett spørsmål, og som bryr seg om mer enn én sak. Vi må se de store utfordringene i sammenheng. Barna skal lære mer i skolen, og eldre skal få den helsehjelpen de trenger. Det må skapes nye, grønne jobber, og folk må ha kompetanse til å bli stående i det nye arbeidslivet, samtidig som klimakrisen skal løses. Klimakrisen mener jeg er et godt eksempel på en sak der man må se en helhet. Vi kan ikke tenke på klimaet helt frikoblet fra alle andre utfordringer vi står overfor. Det å løse klimakrisen handler om å kutte utslipp, men det handler også om å ha folk med seg på veien. Store, brå endringer som ikke ses i en helhet, kan i verste fall føre til uro, ustabilitet og utenforskap. Vi skal forandre politikken vår når verden endrer seg, men det er vi nødt til å gjøre uten å ta på oss skylappene.

Fram til utgangen av august i år har det blitt eksportert 94 000 tonn med sjømat, for nesten 4 mrd. kr, til Storbritannia. Av dette kommer 2,5 mrd. kr fra eksport av laks. Ved en «no deal»-brexit vil Storbritannia bli et tredjeland i handelssammenheng, og reglene som gjelder for vår samhandel, vil være de samme som for alle andre tredjeland, som f.eks. USA. Norge har inngått en enkel frihandelsavtale for varer, som vil tre i kraft dersom «no deal» blir et faktum, og som vil gjelde inntil en ny, omfattende handelsavtale er på plass. Avtalen sikrer at alle tollpreferanser som vi har med Storbritannia i dag, bl.a. dagens preferansetoll på sjømat og nulltoll for Der vi i dag har tollfrie kvoter, videreføres disse basert på omfanget av senere års handel. Dette vil sikre at britene får norsk torsk og hyse tilnærmet tollfritt til sin fish & chips. Lakseeksporten til Storbritannia videreføres til 2 pst. toll for fersk og frossen laks og 13 pst. for røkt laks. Dette er gjeldende WTO-toll til EU og derfor også til Storbritannia. Her er det faktisk slik at vi ved

Vareavtalen omfatter ikke bestemmelser på det veterinære området, derimot. Storbritannia har likevel forsikret oss om at de ikke vil innføre veterinær grensekontroll for norske varer fra dag én og heller ikke kreve dokumenter fra norske myndigheter utover det som kreves i dag. Dette ble senest bekreftet i et møte med britiske myndigheter den 2. oktober. Dette betyr at ingen fisk skal bli stående på grensen fordi

Storbritannia blir en betydelig fiskerinasjon i Nordøst-Atlanteren når landet går ut av EU, og det vil være behov for en ny samarbeidsplattform i Nordsjøen mellom EU, Storbritannia og Norge. Vi må også innlemme Storbritannia i annet relevant fiskerisamarbeid i Nordøst-Atlanteren. Norge har alltid hatt en god dialog med EU og Storbritannia, for våre tanker om hvordan en framtidig avtalestruktur på fiskeriområdet kan se ut. Alle er enige om at vi må fortsette arbeidet med et nytt regelverk i tiden som kommer. Den 30. september undertegnet vi en avtale mellom Norge og Storbritannia som sikrer at de avtalene vi har inngått med EU for 2019 om kvotestørrelse og adgang til hverandres soner, blir gjeldende også for Storbritannia ut 2019 dersom det blir en hard brexit den 31. oktober. Dette er viktig for at fiskerne skal ha forutsigbarhet i sitt arbeid. Det er klart at med dagens fiskerimønster er adgang til britisk sone viktig for norske fiskere. Dette skyldes i hovedsak at Norge og EU bytter kvoten som kan fiskes i hverandres soner. Derfor er det viktig med et tett og nært samarbeid, det er viktig at vi er godt forberedt. Og det er vi. Vi er forberedt på det vi kan forberede oss på, og så er det usikkerheten som er det som preger situasjonen akkurat nå. Det blir replikkordskifte. Jeg hørte ingenting om en av de store utfordringene akkurat nå, og

Det ble stemt ned av regjeringspartiene. Tenker fiskeriministeren at det kunne vært en god idé å få en sak til Stortinget for å få oversikt over situasjonen, så man kan bestemme tiltakene ut fra det? Når det gjelder hvorvidt det skal en sak til Stortinget eller ikke, kan jo Stortinget selv ta de initiativene som de ønsker å ta. Når det gjelder situasjonen knyttet til turistfisket og en del av de tingene som er blitt avslørt der, er det etter min mening alvorlig. min mening alvorlig. Det er alvorlig fordi vi ser tilløp til organisert kriminalitet – ut fra det vi ser blir avdekt av det som skjer rundt omkring ved grensene. Dette må vi til livs, og derfor har jeg allerede invitert aktører inn på møte for å iverksette tiltak og høre hva som er den faktiske situasjonen der ute, og hvilke tiltak de vil anse det riktig å sette i verk. Fra min side er det ikke akseptabelt å sitte og se på det som skjer. Vi må ha strengere tiltak. Vi har allerede igangsatt strengere kontroller med en del av disse bedriftene, og det har blitt avdekt mer, nettopp som følge av at flere blir kontrollert.
på spørsmålet mitt. Jeg vet veldig godt at Stortinget kan gjøre vedtak om hva man ønsker å få av saker her i salen, men jeg spurte om hva fiskeriministeren mente kunne være lurt. Kan det være lurt å få en sak hit? Jeg tror kanskje det er bedre for å få en oversikt over situasjonen enn at man bare skal sitte på fiskeriministerens kontor og prate, for det har man snakket veldig lenge om at man skal gjøre, men jeg har ikke sett at veldig mye mer har skjedd. Så jeg spør igjen: Tenker fiskeriministeren at det kan være klokt å få en oversiktlig sak til Stortinget, for så å bestemme tiltakene? Det viktigste som jeg tror må til her, er handling, ikke nødvendigvis at vi skal bruke lang tid på dette. Derfor har jeg kalt inn partene allerede. Det er satt dato, vi skal ha et møte, og vi skal gå i gang med å vurdere ulike tiltak. I tillegg har regjeringen allerede iverksatt tiltak. Man har doblet bøtenivået for å ta med seg fisk ulovlig. I tillegg er det innført en registreringsordning knyttet til de bedriftene som driver med turistfiske. Det vurderes også andre tiltak. Jeg tror det viktigste vi kan gjøre, er å iverksette tiltak som virker, så vi får ting til å skje, ikke nødvendigvis hvilken form vi bruker. Men ønsker Stortinget en sak, er det opp til Stortinget hvis de ønsker å

slik at de som har fiske som sitt daglige virke, ikke blir skadelidende i denne situasjonen. Takk for svaret – det var for så vidt greit. Det jeg tenker litt på, gjelder dette med om man trenger fisketurisme. Ja, det gjør man, men ikke i den formen det har nå. Vi har sett at det er kun de som drar ut av landet, man kontrollerer. Vi har kanskje like mange av dem som drar innad i landet, som tar med seg betydelige mengder fisk og driver en ganske luguber virksomhet ut fra dette. Det har vært gjort flere forsøk på å få stoppet det, men man har ikke klart det. Det som er viktig, er å se på størrelsen i det. Jeg tror faktisk ikke folk er klar over hvor stort det er, og jeg tror du kommer til å bli overrasket når du får se de eksakte tallene.

Vi blei stemde ned av regjeringa på at ein skulle få obligatorisk registrering av bedriftene, og at det skulle vere krav til sikkerheit på båtane fordi utanlandske fisketuristar er overrepresenterte i dødsulykker på havet. Til og med det stemde ein imot. Men vi fekk i det minste gjennomslag på Stortinget for at ein skulle rekne om til rund fisk ved utførsel. Det var i 2016, og regjeringa har framleis ikkje levert på dette området. Når har statsråden tenkt å levere noko som helst? Nå synes jeg vi skal få gjennomført nettopp dette møtet med næringen selv for å gå igjennom det som har å gjøre med både omfang og hvilke typer tiltak vi bør iverksette. Når det gjelder omregningsdelen, som representanten Knag Fylkesnes er inne på,

dette er utfordringer. I regjeringen sitter det folk fra partier som tviler på om klimaendringene er menneskeskapt. Det sitter folk der fra partier som i stedet for å få flere i jobb velger å prioritere å betale flere for ikke å jobbe, men for å gå hjemme. Og når stadig flere står utenfor arbeidslivet eller trenger hjelp for å komme inn igjen, hva gjør regjeringen? Jo, den gjør det vanskeligere å kvalifisere seg for jobb ved å kutte i AAP for unge. Med det bidrar man nok en gang til at forskjellene mellom dem i jobb og dem uten jobb, mellom dem som har mest, og dem som har minst, øker. Vi har altså en regjering som på område etter område og med bevisst politikk bidrar til at forskjellene i det norske Vi har en regjering som ikke evner å bli enige seg imellom om hva de store utfordringene våre faktisk er, eller hvordan de skal løses. I stedet har vi krangling for åpen scene. For det regjeringen har brukt mest tid på den siste tiden, er jo ikke de utfordringene nasjonen vår har, og de hverdagsproblemene folk flest kjenner på – nei, det er egne, interne stridigheter for å kunne beholde makta – en slags parterapi. parterapi. Og parterapi har jo denne regjeringen drevet mye med. De er blitt gode på det, og en av budsjettlekkasjene vi har fått nyss om, handler om at det skal brukes 30 mill. kr på å gi folk parterapi. 30 mill. kr til parterapi er vel og bra, det, men det høres kanskje litt småstusslig ut når vi samtidig vet at regjeringen har brukt 22 bompengemilliarder på sin egen parterapi for å redde sitt vaklende ekteskap. For Arbeiderpartiet er jobb nummer én å få flere i arbeid. Derfor kjemper vi for et arbeidsliv med plass til flere, der flere kan få hel og fast jobb, for det er det som skaper trygghet og frihet i livet. Vi kjemper for et arbeidsliv der færre må kjenne på tidsklemma, der flere kan få til kombinasjonen arbeidsliv og familieliv på en god måte, og der ingen må stå med lua i Vi må få ned forskjellene mellom folk, og vi må bruke fellesskapets ressurser på vanlige folk og på velferd. De aller, aller mest utsatte i det norske samfunnet, de ungene som staten, barnevernet, må ta omsorgen for fra foreldrene, de ungene som trenger omsorg aller mest, mest, skal ikke kommersielle aktører kunne drive butikk og tjene penger på ved å ta ut profitt av fellesskapets ressurser – penger som skulle gått til bedre omsorg. Vi vil sikre at de ressursene kommer de mest utsatte ungene til gode, at pengene skal gå til mer varme og mer omsorg, ikke til profitt. Derfor mener vi at barnevernet skal drives av det offentlige eller av ideelle nevnte heller ikke i år ordet likestilling en eneste gang, og sånn sett fortsetter regjeringen sin støe kurs. Høyreregjeringen har svekket de likestillingspolitiske verktøyene som har gjort Norge til et av verdens mest likestilte land. I tillegg har vi det siste året blitt satt på den skammelige lista over land som har innskrenket kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Gjennom å stramme inn abortloven sviktet man norske kvinner for å beholde egen makt. Arbeiderpartiet vil gå i en annen retning. Vi vil styrke, ikke svekke, likestillingen. Vi vil styrke, ikke svekke, kvinners rett til å bestemme selv. Det er bare økt likestilling som kan gi folk i Norge mer frihet – og reell valgfrihet. Regjeringens resultater peker i motsatt retning. Resultatet av høyrepolitikken er likestilling i revers og større forskjeller. Og det at noen må stå igjen, igjen, betyr mindre likestilling, det betyr økt ulikhet. Vi i Arbeiderpartiet tror på noe annet. Vi vet at de store utfordringene løses best i fellesskap, og vi vet at vi står sterkere sammen. Fremskrittspartiet er

En næringsvennlig politikk som bidrar til at verdier skapes, er avhengig av en offensiv samferdselspolitikk. Når regjeringen vil gjøre Norge til et laboratorium for blå næringer, er satsing på riksvei og fylkesvei ute i distriktene helt avgjørende for at vi skal lykkes med våre ambisjoner langs kysten. Effektive transportkorridorer er nøkkelen for at varene og maten vi produserer, kommer seg ut i verdensmarkedet raskt, trygt og smidig. Fremskrittspartiet er derfor ikke bare bilistenes beste venn, men også distriktenes beste venn, for uten arbeidsplasser får vi ikke attraktive distrikter i landet vårt. Og uten nødvendig infrastruktur blir det vanskeligere for næringslivet å satse og å skape verdier. Bare i Nord-Norge har bevilgningene til riksveier blitt tredoblet med Fremskrittspartiet i regjering. Dette beviser at det har noe å si hvem som styrer. Der andre er mest opptatt av å snakke, er vi opptatt av å handle. Siden vi inntok regjeringskontorene, har det luktet ny asfalt fra Agder i sør til Finnmark i nord. I løpet av 2019 vil det bli åpnet for trafikk på 102 kilometer med ny motorvei. Dette kommer i tillegg til de 111 kilometerne som er åpnet fra og med 2013. At vi nå binder landet sammen gjennom et nytt høyhastighetsveinett, har stor betydning. Det reduserer reisetiden for persontrafikken og gir en mer effektiv markedsadgang for næringslivet rundt om i landet. Og kanskje viktigst: Det blir tryggere å ferdes på veien våre. Den rekordstore satsingen på vei viser at det er mulig å ha to tanker i hodet samtidig. For mens samferdselsbudsjettet har økt betydelig, har avgiftene for bilistene gått ned siden 2013. Bilistene er ikke lenger en melkeku for staten. Før 2013 tok staten inn mer i bilrelaterte avgifter enn den brukte på vei. Nå har vi snudd dette bildet, og bilistene betaler i realiteten 13 mrd. kr mindre i avgifter takket være Fremskrittspartiet. Men la meg være ærlig: Det er ingen hemmelighet at vi i Fremskrittspartiet ikke liker bompenger, og at vi helst skulle sett at alle bommene ble fjernet. Dessverre er det engang slik at vi er alene i denne salen om å mene dette, samtidig som vi ønsker å bygge ut mer vei. Vi har gjennom vår deltakelse i regjering i nå seks år fått store gjennomslag for å kutte i bompengene, men vi er langt fra tilfreds, og vi kommer ikke til å gi oss i kampen mot bompengene så lenge det fortsatt er puls i oss. Bompengeforliket som kom før valget nå i høst, er et bevis på nettopp det. Å kunne redusere bompengene gjennom å ha en hånd på rattet er bedre for bilistene enn om Fremskrittspartiet hadde stått utenfor. Ikke bare hadde bompengene vært høyere, det hadde også blitt bygd ut mindre vei. Ved å kutte i avgiftene for bil ser vi nå flere og flere null- og lavutslippsbiler i trafikken. Dette viser at forbud, restriksjoner og økte avgifter er unødvendig. Ved heller å gi lettelser for gode valg blir det mulig for folk å kjøpe seg mer miljøvennlige og trafikksikre biler. Med den politikken som nå føres, er det altså ikke bare bilistene som kommer godt ut; også klimaet kommer bedre ut. I tillegg reduseres forskjellene fordi man legger til rette for flere arbeidsplasser rundt i hele Norge

En av påstandene som vi hører flest ganger, er at politireformen er feilslått. Det er den ikke. Det eneste som er feilslått, er Arbeiderpartiets stayerevne. Jeg tror at i framtiden vil folk se tilbake på denne reformen og si at ja, det var vanskelig, ja, det var tøft, men det var dønn nødvendig, og man vil være glad for at det var noen politikere som sto rakrygget og oppreist og klarte å gjennomføre en så viktig reform. En annen påstand som gjentas og gjentas, er at regjeringen har svekket beredskapen i Norge. Det er nærmest blitt et slagord etter hvert. Jeg kunne listet opp hundre tiltak som har gjort Norge til et tryggere land. Det finnes ca. 8 milliarder grunner i statsbudsjettet til at beredskapen er blitt bedre. Men jeg er aller mest opptatt av hvordan dette oppfattes av dem som jobber med beredskap der ute. Hvordan oppfatter de debatten, de som nå er ute og flyr i nye politihelikoptre? Tror man de vil si seg enig i at beredskapen er dårligere? De som skal flytte inn i et flunkende nytt, topp moderne beredskapssenter, tror man de vil si seg enig i at beredskapen er blitt svakere? De som med stolthet viser fram nye operasjonssentraler som til tross for noen overskrifter her og der, beviselig fungerer bedre enn det gjorde før, tror man de vil si seg enig i sånne i politiet som har fått 2 800 nye kollegaer, med topp moderne utstyr, fra Finnmark i nord til Agder i sør, jeg tror ikke de er så enig i forenklingen om at Norge skal ha svekket beredskap sammenlignet med før – tvert imot. Dette er en trend. Politikk handlet før om å bryte ideer, men handler nå bare om slagord, overskrifter og forenklinger og kanskje også om å skape splittelse for å tjene på det selv – by mot land, elite mot folk, rik mot fattig, EØS og næringsliv og velferdsprofitører og kapitalkrefter mot arbeidere. Dette kommer aldri til å gå bra på sikt med mindre vi klarer å ta noen steg tilbake, finne tilbake igjen til seriøsiteten og ansvarligheten som dette landet en gang ble bygget på. Når ble det f.eks. så farlig med ekspertutvalg? Når ble vi redd for å ta imot innspill fra dem som er mye klokere enn vi som sitter i denne sal? Vi må ikke være redd for konklusjonene de kommer med, selv om vi kanskje kan være uenig. Det er et dagferskt eksempel som er blitt nevnt drøssevis av ganger i denne sal i dag, og det er Domstolkommisjonen. Jeg understreker at det er den det kan være greit å understreke – som har jobbet grundig og seriøst i to år med et forslag som er langt, langt unna en politisk fasit, men der politikere altså går ut og avlyser politikk uten å ha lest ett ord, én setning om begrunnelsene de kommer med. Det er en merkelig måte å ta avgjørelser på. Da synes jeg kanskje vi skulle latt oss inspirere litt av de dommerne som det er skrevet rapport om, for det er vel kanskje de i Norge som tar de største avgjørelsene på enkeltpersoners vegne hver eneste, bidige dag. De nekter en mor erstatning etter bilulykken hun har vært i, de nekter en far samværsrett med barnet sitt, de frifinner en sønn som kanskje har risikert langvarig fengselsstraff, de dømmer en de kansellerer milliardkontrakten til hjørnesteinsbedriften. Fellestrekket for måten de kommer fram til disse avgjørelsene på, er like enkel som den er genial, og det er at de lytter. De lytter til hver side, de lytter til eksperter, de lytter til vitner. Så tar de seg god tid til å tenke, og først da kommer de til konklusjonen. Hadde flere fulgt dommernes eksempel, hadde kanskje også vi politikere framstått som litt mer grundige, litt mer seriøse og ikke bare gitt inntrykk av at vi er på konstant velgerjakt. Kanskje ville vi også få noen framtidige seere av og lyttere til

Det rammar småsamfunna hardt, men òg befolkninga som høyrer til dei fulle sjukehusa i tettstadane. Vi treng no ei ny retning i helsepolitikken som sikrar det overordna målet om mest mogleg likeverdige helsetenester, uavhengig av sosial bakgrunn eller kvar ein bur – ein politikk som faktisk prioriterer sterke offentlege helsetilbod i heile landet. Om få veker skal regjeringa leggja fram ein ny nasjonal helse- og sjukehusplan. Helseministeren seier at den nye sjukehusplanen ikkje skal handla om sjukehusstruktur, for det meiner han at regjeringa gjorde seg ferdig med i den førre sjukehusplanen. Det stemmer ikkje. Det er framleis store og opprivande sjukehusdebattar – i Møre og Romsdal, i Oslo, på Helgeland og i Vest-Finnmark. Ein heil bunadsgerilja har starta kamp om fødetilbodet, og det er ikkje utan grunn. Dette viser at vi treng folkevald styring av sjukehuspolitikken. Vi treng å skrota helseføretaksreforma. Vi må styra og finansiera sjukehus på same måte som ein har politisk folkevald styring og rammefinansiering av skule og eldreomsorg. Vi kan ikkje styra sjukehusa i Noreg etter bedriftsøkonomiske prinsipp, med konsernstyre der direktørar kjem og går på rekkje og rad, og der produksjonen må gå med overskot for å få råd til å investera. Den varsla nye sjukehusplanen til regjeringa skal skildra investeringar altså ikkje vedta, ikkje prioritera, men skildra. Helseføretaka skal – som før – få lov å finansiera. Slik vil regjeringa framleis overlata til helseføretaka å gjera upopulære kutt i pasientbehandling, i ambulanseberedskap, i rus og psykiatri for å klara å nå budsjettmål og få overskot til å klara å investera i nødvendige bygg. Vi treng ein ny politikk for finansiering av sjukehus. Vi må skilja investering og drift, og sjukehus må slutta å vera underlagde forretningsrekneskap som andre, private konsern. Vi treng òg ein ny politikk for føde og barsel, der kvinner får tryggleik for fødetilbod, liggjetid, følgjeteneste og barsel. Senterpartiet har i dag fremja forslag om å be regjeringa om ikkje å leggja ned fødeavdelingar eller andre fødetilbod og eit Dokument 8-forslag om ei forsterka følgjeteneste der avstandane vert over ein time. Vi treng fleire fødetilbod i Noreg, ikkje færre. Som eit av hovudgrepa i den nye sjukehusplanen har helseministeren varsla at kommunar og sjukehus skal verta partnarar, ikkje partar. Men vi treng ikkje slike flosklar og ordspel. Vi treng at ein tar politisk ansvar, for regjeringas effektiviseringskrav overfor helseføretaka går rett

Regjeringa tillèt at sjukehus kan spara og effektivisera ved å senda pasientar heim tidleg, gjerne midt på natta. Òg om pasienten er i siste fase av livet, er det tydeligvis heller inga hindring – fram og tilbake. Uverdige transportar er den mørke baksida av regjeringas helsepolitikk. Det viser eit helsevesen som er verdistyrt. Fastlegeevalueringa som kom for få veker sidan, viser at reduksjonen i liggjetid på sjukehus også er ei viktig årsak til fastlegekrisa, fordi fastlegane har fått ein kraftig auke i arbeidsbelastninga. Men eg seier at vi har inga fastlegekrise i Noreg. Vi har ei systemkrise i Helse-Noreg, og ho er politisk skapt, ikkje fagleg. For Senterpartiet er det viktig å få til ei systemendring. Vi vil ha ei verdistyrt helseteneste, der ein ikkje mistar av syne kva som er det eigentlege målet og innhaldet i helsetenesta vår, der vi styrkjar den norske helsetenesta som ei omfattande og solidarisk velferdsordning, der menneske vert sett og møtt. Særleg gjeld det når ein er

med sterke interne motsetninger, der regjeringspartiene for åpen scene krangler og gir hverandre personkarakteristikker, og der bompenger har et sterkere engasjement enn de største utfordringene som samfunnet står overfor. Det er all grunn til å sette spørsmålstegn ved styringsdyktighet, men ikke til Arbeiderpartiet – derimot til regjeringen. Saker som klima og omstilling med ny vekst krever politisk handlekraft. Etter seks år med høyrepolitikk går ikke klimagassutslippene ned. Etter seks år med såkalt omstillingsfokus fra regjeringens side omstilles ikke norsk økonomi. Etter seks år med høyrepolitikk er sysselsettingsandelen i Norge lav. Utsatte grupper kommer ikke inn i arbeidsmarkedet, og politikken stimulerer ikke til utvikling av trygge, framtidsrettede arbeidsplasser, men til innvandring på korttidsopphold og innleie. Etter seks år med høyrepolitikk er det brukt svært mye oljepenger der de rikeste er begunstiget med skattelette, mens de som trenger vår oppmerksomhet, salderes ut i en definisjon av bærekraftig velferdssamfunn med betydelige velferdskutt. Høyrepolitikk er ikke det Arbeiderpartiet er tydelig på at politikkens viktigste oppgave er å ta Norge gjennom et grønt og rettferdig skifte, slik at vi sikrer betydelig reduserte klimagassutslipp og trygge, framtidsrettede arbeidsplasser. Det handler om å bruke de fornybare naturressursene, som vann, vind og skog, for å understøtte nettopp framtidens arbeidsplasser, erkjenne at industrien er en del av løsningen, og sikre at Norge blir et mer attraktivt vertskapsland for framtidsrettet industri. Det må investeres mer enn det gjøres i dag. Vi må være utålmodige og sikre raske beslutninger om karbonfangstprosjekter i industrien – det motsatte av hva regjeringen gjør. Olje- og gassindustrien må utvikles, ikke avvikles. Industrien vil være en viktig bro til framtiden. Det handler om karbonfangst og -lagring, fra naturgass til hydrogen, mineraler for et grønt skifte, nye marine produksjoner og flytende havvind. I en situasjon der omstilling kreves mer enn noen gang, er den norske modellen med små forskjeller og stor trygghet selve fundamentet. Vanlige folk må sikres større trygghet. Kampen mot sosial dumping må forsterkes. Midlertidige ansettelser må reduseres til fordel for hele, faste stillinger. Forskjeller må reduseres, ikke økes. Det er høyrepolitikk, ikke EØS-avtalen, som hindrer en slik positiv utvikling. I trontalen hørte vi at regjeringen ville gjøre Norge til et laboratorium for blå næringer og grønn ferdsel til havs. Jeg kan si: Velkommen etter! Det ble også vist til den oppdaterte havstrategien «Blå muligheter», og det er grunn til å stille spørsmålet: Hvem gjelder disse blå mulighetene for? I Skipsrevyen for noen dager siden kunne vi lese at regjeringen ser flere negative konsekvenser ved norske arbeidsvilkår på norsk sokkel. Ja, der regjeringen ser negative konsekvenser for norsk sokkel på grunn av norske lønns- og arbeidsvilkår, velger Arbeiderpartiet å se det positive. Norske sjøfolk er en stor og viktig ressurs for Norge, ikke minst for Norge som havnasjon. Norske lønns- og arbeidsvilkår er prinsipielt riktig om det er på land, om bord i en rigg eller om bord i et skip som opererer i norsk farvann og på norsk sokkel. Vi har fått to rapporter der det tydelig kommer fram at det er fullt mulig å innføre krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norsk farvann og på norsk sokkel. Jeg er overbevist om at norske lønns- og arbeidsvilkår er ubetinget positivt og langt overstiger eventuelle negative konsekvenser. Men jeg har ingen tro på at høyreregjeringen vil ta seg bryet med å gjøre noe som helst for norske sjøfolk. La det være helt klart: Arbeiderpartiet mener at norske lønns- og arbeidsvilkår er en selvfølge for utvikling av en stolt havnasjon som har store ambisjoner for verdiskaping basert på de mange mulighetene som havet gir oss.

Oljenæringen er høyteknologi og kompetanse i verdensklasse, og den skaper vekst, velferd og arbeidsplasser over hele landet. Klart vi som nasjon skal være stolt av det, så tusen hjertelig takk for innsatsen, alle oljearbeidere! Skal vi ha råd til å tilby gode velferdstjenester, bygge ut infrastrukturen, tilby høy utdanning av god kvalitet,

men også føre til stor arbeidsledighet. Stor arbeidsledighet skal vi unngå, og det viktigste for denne regjeringen er å få flere i arbeid, for arbeid forebygger fattigdom, og det utjevner sosiale forskjeller. Vi vet at i framtiden må flere stå lenger i jobb og flere må være i arbeid skal vi klare å opprettholde og videreutvikle dagens velferdssamfunn. Skal vi lykkes, må vi sørge for at bedrifter får økt sin konkurransekraft, og det gjøres gjennom spesielt tre grep: Det er skatt, det er samferdsel, og det er skole. Men først og fremst må vi redusere bedriftenes utgifter i form av et lavere skattenivå og redusert byråkrati. Regjeringens mål er, som vi hørte i trontalen, at vi skal redusere næringslivets kostnader med 10 mrd. kr ved å forenkle rapportering, lover og regler de neste årene. Videre må vi bygge landet og våge å satse enda mer på infrastruktur. Bedre vei, ny tunnel, fastlandsforbindelse, hyppigere togavganger er eksempler på hva næringslivet etterspør for å kunne bedre konkurranseevnen sin. Til sist: Vi må investere i kunnskap og forskning. Penger brukt på f.eks. tidlig innsats i dag er penger spart om 20 år på sosialhjelp, arbeidsmarkedstiltak og arbeidsledighetstrygd.

Derfor har denne regjeringen jobbet systematisk med tidlig innsats og et løft for yrkesfagene som viktige områder innenfor skolepolitikk. Derfor er vi i gang med fagfornyelsen. Derfor endrer vi tilbudsstrukturen på yrkesfag, og derfor sender vi over 6 000 lærere hvert år på etter- og videreutdanning. Det siste er det grepet som OECD framhever som det viktigste og det mest effektive vi kan gjøre for å heve kvaliteten på undervisningen rundt omkring i landets klasserom.

Vi er ikke i mål. Vi vil i tiden framover få lagt fram stortingsmeldinger både om tidlig innsats og om å lære hele livet for å gjøre mer med det som er de store utfordringene. Men retningen så langt – retningen så langt – innenfor skolepolitikken bør det ikke sås tvil om. Vi står i en ny og mer krevende sikkerhetspolitisk situasjon om dagen. Utfordringsbildet er

Russland fortsetter den militære moderniseringen av sine væpnede styrker. Begge anvender et bredt spekter av militære og ikke-militære virkemidler for å oppnå sine politiske målsettinger. Risikoviljen er større og signaliseringen mer offensiv. Den militære aktiviteten i våre nærområder øker. Nordområdene er igjen i ferd med å bli en arena for strategisk konkurranse. Russland øver og trener lenger sør og vest i våre havområder. Under øvelsen Ocean Shield i august var aktiviteten i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen langs norskekysten høy. Aktiviteten var av en slik karakter og av et slikt omfang at vi må tilbake til Sovjetunionen og den kalde krigen for å finne historiske paralleller. Trusselen fra internasjonal terrorisme og ringvirkningene av konflikter andre steder i verden vedvarer. Den vestlige verdensorden slik vi kjenner den, utfordres utenfra og utfordres Vi utsettes for en større bredde av virkemidler fra både statlige og ikke-statlige aktører. Truslene er blitt mer sammensatte. Ny teknologi påvirker de sikkerhetspolitiske rammebetingelsene. Vi er vitne til et militært og kommersielt teknologisk kappløp. Høyteknologiske våpen med lengre rekkevidde og økt presisjon gir oss kortere varslingstid og kan påføre oss større skade. Det ytre rom får sammen med det digitale rom stadig større betydning. Skillet mellom fred, krise og krig blir mer uklart. Statssikkerheten og samfunnssikkerheten henger tettere sammen enn før. Trusler mot samfunnssikkerheten kan raskere ha alvorlige sikkerhetspolitiske konsekvenser. Sårbarheten treffer flere sektorer samtidig. Vår forståelse av forsvar og sikkerhet og vår evne til å identifisere og motvirke nye og gamle stiller norsk og alliert sikkerhet på prøve. Dette er bakteppet for regjeringens arbeid med ny langtidsplan for Forsvaret og ny samfunnssikkerhetsmelding for justissektoren. Den inneværende langtidsplanen for Forsvaret var basert på erkjennelsen av en sikkerhetspolitisk situasjon i endring. Det var behov for å rette opp en kraftig ubalanse mellom oppgaver, struktur og økonomi.

Utfordringene må møtes nasjonalt og internasjonalt, sammen med allierte. Betydningen av NATO og det transatlantiske fellesskapet forsterkes. Vi må gjøre mer sammen. Vi må tilrettelegge for at Norge er i stand til å motta forsterkninger og operere sammen med allierte styrker. Vi må bidra mer til byrdefordelingen i alliansen. Flernasjonalt og regionalt samarbeid er blitt viktigere og utfyller samarbeidet i NATO. Forsvarssamarbeidet i Norden og Northern Group er i stadig utvikling. Regionale samarbeidsformater som European Intervention Initiative, det tyskledede rammeverket for kapabilitetssamarbeid og det britiskledede Joint Expeditionary Force er viktige supplement til NATO. På hver sin måte bidrar disse samarbeidene til å forsterke dialog, evne til krisehåndtering og felles militær innsats. Vi trenger et forsterket nasjonalt forsvar som er til stede i våre områder, forstår situasjonen og som kan reagere. Den nasjonale forsvarsevnen er ikke troverdig eller effektiv uten en alliert ramme. Det kollektive allierte forsvaret blir heller ikke effektivt uten et sterkt nasjonalt forsvar, understøttet av et modernisert totalforsvar. Dette er avgjørende for å bevare nasjonal handlefrihet og innflytelse over utviklingen i våre nærområder. Bare med selvstendig evne, som er troverdig og tilstrekkelig robust, er vi i stand til å sikre oss selv og våre allierte, og på den måten bidra til internasjonal fred

Det som imidlertid nå har skjedd, er at generalløytnant og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø i dag, Rune Jakobsen, sier i det offentlige rom: «Hoveddilemmaet for hele Forsvaret, hvis vi skal gå videre med de samme ressursene som vi har nå, er at vi ikke er i stand til å holde ut til alliert hjelp kommer. Så det er det første vi må fikse.»

også i stor grad enig med Rune Jakobsen. Dette er også adressert i de talene som jeg holdt i Oslo Militære Samfund i januar, og talen som forsvarssjefen holdt tre uker etter meg. Vi la en langtidsplan i 2016. Vi har også vært åpne på at aktiviteten har vært større enn vi planla da. Vi har seilt mer, vi har flydd mer, og vi har måttet rulle mer med landstyrkene våre – rett og slett slett fordi aktiviteten i nærområdene våre har vært større. Det har gitt oss utfordringer personellmessig, og det har gitt oss utfordringer i det å være robust nok. Så den problemstillingen som sjef for Forsvarets operative hovedkvarter dro opp i VG i helga, og antagelig har uttalt seg om i dag også, er kjent, og den er også uttalt fra forsvarssjefen og fra forsvarsministeren. Men betyr det at forsvarsministeren på vegne av regjeringen er enig med generalløytnant Rune Jakobsen? Er det slik at vi ikke er i stand til å forsvare oss nå, at vi ikke kan greie å ta imot de allierte? Er det det forsvarsministeren nå sier til Nei, og det er heller ikke det Rune Jakobsen har sagt. Rune Jakobsen har sagt at Hæren er for liten i forhold til den aktiviteten og de forventningene vi har. Det fagmilitære rådet fra forsvarssjefen tar opp i seg helheten for alle våpengrenene. Sammenhengen mellom hva Luftforsvaret gjør, hva Marinen gjør, og hva landmakten gjør, er en betydelig faktor her. Men det har vært uttalt, som jeg sier, at vi har fått utfordringer når det gjelder det å være robust nok framover. Det har vært uttalt, som jeg sier, at vi har fått utfordringer når det gjelder det å være robust nok framover. Det har vært adressert i talene fra meg og fra forsvarssjefen. Det var adressert i mandatet til Forsvarets forskningsinstitutt da de skulle gjøre kunnskapsstudien før vi laget et mandat til forsvarssjefen, som kommer med sitt fagmilitære råd på tirsdag. Det er altså adressert i det mandatet. Så det er ikke noe nytt at vi har hatt

Det er, som jeg sier, adressert gjennom min tale i Oslo Militære Samfund, gjennom forsvarssjefens tale i Oslo Militære Samfund og gjennom de mandatene regjeringen har gitt forsvarssjefen når han skal komme med sitt fagmilitære råd for den neste

kva betyr det i praksis, og vil regjeringa ta grep for å styrkje Hæren, som har vore eitt av to hovudstridstema i debatten her i huset dei siste seks åra, og der regjeringa fram til no har drive sjølvskryt av eigen innsats? Den siste delen av beskrivelsen er ikke riktig. Når det gjelder den andre delen av beskrivelsen, skal jeg ta det

Det ble adressert i mandatet til forsvarssjefen da han skulle utarbeide sitt fagmilitære råd, at han skulle gi oss svar på den delen. Det fagmilitære rådet får vi presentert på tirsdag, og jeg forventer at forsvarssjefen samlet gir en vurdering av akkurat den problemstillingen. Eg høyrer forsvarsministeren seie fleire ting, men er det riktig forstått at i det som sjefen for Fellesoperativt hovudkvarter seier? Han har sjølv gjeve uttrykk for tilsvarande synspunkt på eit langt tidlegare tidspunkt. Altså: Dette har vore kjent for forsvarsministeren. Så må vi kunne forvente at i budsjettet som vert lagt fram på måndag, svarar forsvarsministeren og regjeringa ut den situasjonen som er beskrive som alvorleg for Hæren.

vi har utholdenhetsproblematikk i styrkene våre, men det er også sånn at vi kan ikke plukke ut én våpengren. Det er ingen planer som sier at det er bare Hæren som skal forsvare Norge. Det er altså de «samlede ressursene», som også er et begrep representantene bruker. Jeg forholder meg til forsvarssjefen, som er min fremste fagmilitære rådgiver. Han har både Sjef Hæren, Sjef Sjøforsvaret, Sjef Luftforsvaret og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter i sin ledergruppe. De har jobbet fram det fagmilitære rådet. Som sagt: har vært kjent. Vi adresserte det i mandatet, og vi forventer at forsvarssjefen gir oss noen svar på det når han leverer sitt fagmilitære råd på tirsdag. Og så ber jeg om respekt for at jeg ikke uttaler meg om budsjettet som skal fremmes på mandag. En annen president, Donald Trump, skal bygge mur mot Mexico, og

den amerikanske regjeringen forventer av europeiske allierte at de i mye større grad skal betale for amerikanske militære prosjekter og infrastruktur på europeisk jord. Det er en problemstilling som også har vært oppe i norske medier. Under denne regjeringen har Norge blitt langt mer avhengig av USA enn før. Det gjelder både gjennom økt tilstedeværelse av amerikanske styrker på Værnes, Setermoen og ellers, og

Det å være i en allianse og drive alliert aktivitet sammen betyr mer tilstedeværelse av allierte når det er behov for det. Og sikkerhetssituasjonen, som jeg beskrev i innlegget mitt, forteller oss at det er større behov for mer alliert aktivitet, mer alliert tilstedeværelse – og det er det vi har sett. Det har vært en diskusjon rundt infrastruktur i Europa i en del prosjekt. Amerikanerne har et forslag om å bygge noe i Norge, og så har de nå sagt at de skal bruke pengene en annen plass. Vi har umiddelbart ikke noe behov for å bygge de plattformene. Derfor svarte jeg nei da jeg ble spurt om vi skulle overta prosjektet. Replikkordskiftet er omme. Dei talarane som heretter får ordet, har ei taletid på inntil 3 minutt. Det er vår felles oppgave her på Stortinget å sørge for en bedre styring av landet vårt. Forskjellene mellom folk øker. Norsk økonomi blir stadig mer oljeavhengig, og

Arbeiderpartiet er klare – vi bygger trygghet for folk. Derfor vil vi forsterke Hæren. Derfor vil vi sørge for at vi alle får pensjon fra den første krona vi tjener, uansett hva vi jobber med. Derfor vil vi heller øke investeringene i vårt felles helsevesen enn å demontere rettigheter til uføre eller privatisere og sentralisere grunnleggende tjenester. Det beste med Norge er at vi har vært et land med små forskjeller mellom folk. Vi har jobbet for hverandres lykke. Når vi nå derimot opplever kutt i vanlige folks velferd, leder det oss på en uheldig vei. Den velferdsstaten som arbeidsfolk og folkevalgte har bygd opp, Den velferdsstaten som arbeidsfolk og folkevalgte har bygd opp, har hele veien hatt tydelige mål – fordeling og framtidstro – at dagen i morgen skal bli litt tryggere enn i dag, og at morgendagen skal gi sosiale framskritt. For vi vet at felles trygghet er et valg, og det har vist seg Den kortsiktige festen for de rikeste kan bli dyr for det brede lag av befolkningen. Historien har lært oss at fellesskap fungerer bedre enn kortsiktige, ideologiske og individualistiske krumspring. Før neste talar får ordet, vil presidenten gjerne opplysa Stortinget om at

kl. 20.09. Så dette går nokolunde bra. Vi har nettopp avsluttet en valgkamp der jeg for min del har brukt mye tid på å besøke næringsdrivende i små og mellomstore bedrifter. Jeg har møtt dyktige gründere som hver på sin måte bidrar med verdiskaping og nye arbeidsplasser til beste for fellesskapet: fiskeren i Hammerfest, som med hardt arbeid og høy økonomisk risiko har skapt en av Norges beste sushirestauranter, bonden på Rennesøy, som utnytter beiteressursene maksimalt for å redusere den unge sjarkfiskeren på Averøy, som startet med to tomme hender som 16-åring, og som nå har to mann i arbeid på 15-metringen sin. De står som eksempler på det beste i norsk næringsliv: energiske og arbeidsomme ledere av små foretak – mennesker som har omsatt drømmer og visjoner til virkelighet gjennom hardt arbeid og vilje til å ta sjanser for å nå sine mål. Når slike gründere opplever å lykkes, når de blir i stand til å bygge en formue og få økonomisk gevinst av strevet sitt,

Derfor er Kristelig Folkeparti et parti som vil arbeide for å opprettholde en rik flora av små og mellomstore bedrifter i hele landet. Vi vil heie fram de lokale gründerne og legge til rette for at de skal lykkes. En slik bedriftsstruktur skaper og opprettholder arbeidsplasser i distriktene og bidrar til maktspredning i næringslivet. Det er næringspolitikk i tråd med de haugianske røttene, som er en viktig del av

Det var også imponerende å se hvordan disse bedriftene fyller en viktig oppgave som underleverandører fordi de er konkurransedyktige på kvalitet og pris. Jeg er stolt over at Kristelig Folkeparti gjennom de seks siste årene, først som opposisjonsparti og deretter i regjering, har kjempet fram en kraftig økning i antall VTA-arbeidsplasser. Det er nå 1 800 flere som får et jobbtilbud i VTA-bedrifter enn for seks år Vi er også stolte over at regjeringen de neste årene vil rulle ut en likeverdsreform, der mennesker med ulike funksjonshemminger skal sikres et verdig og meningsfullt liv på linje med andre i samfunnet. Det å tilrettelegge for deltakelse i arbeidslivet vil derfor fortsatt være en prioritert oppgave for

men Norge er fortsatt grisgrendt, noe vi må ta hensyn til i utformingen av transport- og kommunikasjonspolitikken. Vi kan ikke late som om landet er annerledes enn det det faktisk er. Bilen og lastebilen vil fortsatt være det viktigste transportmiddelet i store deler av landet. Kollektivtransport vil i hovedsak foregå med taxi og buss i distriktene, mens trikk og T-bane vil høre hjemme i de aller største byene. Tog er ryggraden i dagpendlingen inn og ut av de største byene, noe som krever store investeringer i økt transportkapasitet. Kortbanenettet er viktig for å binde landet sammen – nord–sør og øst–vest. Erkjennelsen av dette vil være avgjørende for hvordan transportsektoren skal tilpasse seg klimautfordringene. Transportmidlene må bli klimavennlige, og det må lønne seg å investere i disse transportmidlene. Befolkningsveksten og endringene i forbruksmønster vil kunne føre til økt transportbehov, men digitalisering kan trekke i motsatt retning. Smart planlegging i byer og tettsteder kan bidra til at arbeidsreisene i større grad kan foregå med sykkel og gange. Ny, moderne infrastruktur kan redusere reisetid og energiforbruk. Kollektivtransporten kan bli mer konkurransedyktig gjennom økt frekvens, bedre regularitet og tilstrekkelig kapasitet. Det kan flyttes mer gods fra vei til sjø og bane.

Saken om E18 handler mest om dette. Det er et prosjekt som skal ivareta Bærums behov for å rydde opp i det som i dag er trafikkmessig kø, kork og kaos. Tunnelen under Sandvika har samme betydning for Bærum som Festningstunnelen og Operatunnelen har for Oslo. Alle som undertegnet Oslopakke 3 i 2016, visste at E18 Lysaker–Asker var en forutsetning for at Høyre skulle underskrive.

Felling om sommeren er vanskelig, felling på snø er enklere, og vi går nå inn i den kalde tiden. Jeg tror at uten en slik fellingstillatelse vil rovdyrpolitikken miste ytterligere legitimitet. Den andre aksen handler om en systemendring som vil fjerne rovdyrforvaltningen fra politikken og ta den inn i byråkratiske, anonyme møterom – antagelig fordi politikken tilsynelatende blir for brysom for regjeringen, og kanskje i særdeleshet klima- og miljøministeren. Før sommeren sendte regjeringen ut på høring forslag til omfattende endringer i rovdyrforvaltningen. Blant annet foreslo man å slå sammen dagens åtte rovviltnemnder til fire eller fem, og argumentasjonen støttet seg bl.a. på regionreformen. Jeg visste ikke at vi skulle få fire eller fem regioner fra nyttår – jeg trodde det var elleve – men slik sett står det i stil med resten av argumentasjonen rundt regionreformen. Sannheten er vel heller at man ønsker å bli kvitt det regjeringen ser på som brysomme rovviltnemnder, nemnder som har en sammensetning basert på velgernes dom i valg. Departementet skriver da også at de mener at åtte regioner, som i dag, fungerer dårlig med tanke på en forutsigbar forvaltning. Er det noe som fungerer dårlig, er det den manglende respekten for Stortingets bestandsmål og måten å organisere rovdyrpolitikken på. Rovviltnemndene består av representanter med basis i sine lokale regioner, som på vegne av Stortinget skal forvalte de vedtak som her er gjort, på en god, samvittighetsfull og faglig måte. Det vil være svært uheldig om man velger å slå sammen f.eks. Hedmark og Oppland med Oslo, Østfold, Akershus, Vestfold, Buskerud og Telemark, slik det er foreslått, da disse regionene har ganske ulike problemer knyttet til rovdyr. I tillegg vil altså regjeringen innføre det som er blitt kalt en supernemnd, – som departementet skriver – mange har liten tillit til Miljødirektoratet og rovviltnemndene. En nemnd som i praksis fritar politisk ledelse for belastningen ved å være klageorgan, er bekvemt for statsråden, men demokratisk er det ikke. En eventuell framtidig klagenemnd må derfor også forankres i Stortingets sammensetning, på samme måte som de regionale nemndene har forankring i lokale Dagens struktur må opprettholdes. Det sikrer legitimitet og lokal forvaltning innenfor Stortingets fastsatte vi ser på verden, varierer fra person til person, og hvordan vi som partier ser på Norges langstrakte land, er ulikt. Store endringer i vår tid må bli møtt med mindre avstand, fordi avstand mellom f.eks. rik og fattig, by og bygd samt avstand til utdanningstilbud er med på å svekke våre muligheter. Folk og kompetanse er verdier vi må investere i og med for å ta Norge videre. Det sies at klok av skade blir en som er klok. Regjeringspartienes valgoppslutning ved kommune- og fylkestingsvalget viser tydelig at folk ønsker en annen retning for å løse utfordringene vi står overfor. Senterpartiet jobber kontinuerlig for denne alternative retningen, med tillit til folk i hele landet. Regjeringen virker å være mest opptatt av å sette ned nye utvalg, der – uansett hva problemet er – fusjon er løsningen. Sammenslåinger og strukturendringer er risikosport. Nå skal ikke bare folkevalgt styring samles på færre og større enheter, men også dømmende makt og utdanningsinstitusjoner – blant annet. Avstandene øker. Vi vet at høyere utdanning blir viktigere og viktigere. Ny viten, nye virksomheter og ny teknologi er en del av løsningen for å ta vårt samfunnsansvar for at folk skal få bedre liv og tjenester nær seg. Regional forskning og utvikling skaper verdier. Desentralisert utdanning er viktig i størsteparten av landet vårt for at folk skal ha tilgang på et studietilbud, og det er godt kjent at flesteparten av studentene ikke reiser ut av den landsdelen der de er oppvokst, for å studere. Når søkertall og uteksaminering påvirker økonomien til institusjonene mye, er institusjonenes betingelser lagt. Avstandene øker. Flere nye fylker skal begynne å virke i 2020, der verken frivillig sammenslåtte eller tvangssammenslåtte fylker har fått mange nye oppgaver. En av dagens kjerneoppgaver, nemlig opptak til videregående opplæring, vil dessuten regjeringen ta fra fylkene. Samtidig skal struktur i videregående opplæring bli lagt om og nye læreplaner innført. Nye læreplaner får også grunnskolen. I både fylkene og kommunene trengs det mer ressurser, ikke mindre. Det trengs mer tid til kommunene og deres oppgaver, ikke tid til fusjoner og pengesluk i form av nye administrasjonsbygg. Lærerrekrutteringen må opp. Utdanning og kompetanse gjennom lange liv vil Senterpartiet ha nær folk i hele landet. Å investere i folk er å investere i framtiden. Avstandene må bli kortere. Senterpartiets løsning er nærhet og tillit. Jordkloden er rundt 5 milliarder år. Øyenstikkeren er

har sittet i 6 år. Jeg tror representantene skjønner poenget. Det er helt nylig – omtrent i går – i menneskehetens historie, for ikke å snakke om i klodens historie, at vi har klart å ødelegge såpass mye, særlig etter at bilen kom, flyet kom, olja ble funnet, og teknologien hjalp oss så veldig til å ødelegge omgivelsene våre at vi fikk trøbbel, at menneskeheten nå står overfor to enorme eksistensielle utfordringer. Den ene er klimaendringene. Det har vært nevnt mange ganger her i dag, og jeg skal ikke gå i detaljer på det. Den andre er tap av naturmangfold. Én eneste art – mennesket – er den som truer opp mot en million andre arter. Hver av disse truslene er så alvorlige at de har fått sitt eget panel under FNs flagg. så alvorlige at de har fått sitt eget panel under FNs flagg. Jeg har lett med lys og lykte i denne regjeringas seks år gamle politikk – i hvert budsjett, i hver trontale, også i denne – etter sterke grep som svarer på disse utfordringene, men nei. Eller joda, det er noen spede grep som Stortinget stort sett er enige om, og som ser fine ut i utstillingsvinduet. Det er elbiler – folk kommer langveis fra for Elferjer er flotte greier – SV heier på det også. Regnskogssatsinga og bedre isoleringskrav til bygninger er bra, men det er altså for smått. Det er for små plastre å regne på store beinbrudd. Kvotekjøp og regnskogsmilliarder kan jo også betraktes som en viss type avlat. Vi kjøper oss vekk fra ansvaret her hjemme. Når vi går altså for smått. Det er for små plastre å regne på store beinbrudd. Kvotekjøp og regnskogsmilliarder kan jo også betraktes som en viss type avlat. Vi kjøper oss vekk fra ansvaret her hjemme. Når vi går inn på disse virkelig store utslippsfaktorene, er alt det samme som før. Innen klimasektoren behøver jeg kanskje ikke å nevne olje og gass, der utvinning og leting fortsetter som før, delvis mer enn før. Det utgjør en tredel av utslippene våre. Så har vi transport. Det utgjør også i beste fall samtidig. Vi ser det overalt, og det er en del av regjeringas motorveisatsing. Om natursektoren sier naturpanelet – etter å ha gått gjennom en hel haug med publikasjoner, tusenvis av vitenskapelige publikasjoner – at det er arealdisponering som er det store problemet. Her går regjeringa også motsatt vei. Det kan jeg utdype litt mer i neste innlegg.

Behovet for tjenester innen helse og eldreomsorg vil øke, samtidig som vi ser at oljeinntektene går ned. Etter seks år med en borgerlig regjering ser vi mange gode resultater av politikken som er ført. Vei og bane bygges ut i rekordfart. Forsknings- og innovasjonsfeltet er vesentlig styrket. Økonomien går bra, spesielt i distriktene. Det skapes mange nye jobber, og arbeidsledigheten går ned. Elevene lærer mer på skolen, helsekøene går ned, fengselskøene er nærmest borte, og det satses betydelig på politi og forsvar. Fylkesmannen i Agder sa i møte med agderbenken at kommuneøkonomien er blitt mye bedre, ingen kommuner er på ROBEK-lista, og at samarbeidet mellom fylkesmennene er mye lettere med ny struktur. Jeg gjentar: Ingen kommuner i Agder er på ROBEK-lista. Vi har vært gjennom et valg som viser at Høyre fortsatt er landets nest største parti, og over en halv million mennesker stemte på oss. Det takker vi for, og vi skal jobbe hver eneste dag for å vise oss denne tilliten verdig. På tross av alle gode resultater ser vi at Senterpartiet ved enhver anledning bidrar med skremsel og svartmaling. Ingenting skal endres, selv om verden forandrer seg. Selv om politiet sier at de trenger sterkere fagmiljøer for å håndtere grove seksualforbrytelser mot barn på nett, vil Senterpartiet tilbake til små kontorer med få ansatte og begrensede åpningstider.

bevare. Det å reise rundt og snakke med folk er det viktigste og mest spennende som finnes i vårt arbeid som politikere. Det hjelper oss også å huske hvem vi jobber for: folket. Det å ha ideologiske rammer for tenkning er viktig, men ikke viktigere enn virkeligheten, for politikkutvikling må basere seg på virkeligheten til folk, og vi må passe oss for ikke å bli dogmatiske. Man skal altså ikke konstruere en virkelighet som passer inn i ens egne rammer, men heller omvendt, man skal ta folks problemer på alvor. Derfor blir jeg urolig over at denne regjeringen ikke ser det de bør se. De ser ikke folkeopprøret i velferden. Folkets, og særlig kvinners, protest mot sentralisering og helseforetakene er eksempel der vi stadig har vært vitne til uryddige prosesser og beslutninger som rammer pasientene i både by og distrikt. Regjeringen mangler retning og tiltak for å få til en demokratisk modell. Vi har enda ikke sett denne regjeringen bevilge mer penger til sykehusene, og alt tyder på at denne tendensen i regjeringens sykehuspolitikk kommer til å fortsette. Det er også urovekkende å se at regjeringen fratar de aller svakeste – syke, uføre, kronikere – ytelser. Opprøret rundt arbeidsavklaringspenger er god illustrasjon på regjeringens politikk. Samtidig stemmer regjeringen mot SVs forslag om å evaluere konsekvensene av egne kutt, fordi de ikke ønsker å se Det er også urovekkende å se at regjeringen bestandig skyver pasientene foran seg i spørsmål om medisiner. Det siste vi var vitne til, er migrenemedisin. I statsbudsjettet for 2020 er det varslet at migrenemedisinen Aimovig ikke vil bli tilgjengelig på blå resept. Det vil si at pasientene selv må betale 5 000 kr i måneden for å få medisinen. De siste dagene har vi hørt om folk som tar opp lån, og som selger huset sitt. Hvis ikke det bidrar til sosial ulikhet, vet ikke jeg. Helseministeren har tidligere snakket om for høye priser i legemiddelindustrien. La meg bare si at han har rett, og det er prisverdig at han snakker om det, er kritisk til legemiddelindustrien og ønsker reduserte priser. Men vi kan ikke skyve pasientene foran oss selv om vi har aldri så stor tro på konkurranse. Og vi må i det minste ha tiltak for å sikre de sykeste pasientene tilbud om blå resept. Derfor mener jeg det er på tide at regjeringen tar av seg sine ideologiske briller og ser hverdagen til folk – for umiddelbare tiltak for dem med mest behov og en ny retning i Helse-Norge. En god skole gir elever ferdigheter til å mestre og skape sin egen framtid. Helt siden vi kom i regjering har Høyre jobbet for å skape en skole som gir muligheter for alle, og som utgjør en positiv forskjell for elevene, for vi vet at utdanning er en god investering for å hindre utenforskap og fattigdom. Den videregående skolen har et særskilt ansvar for å sikre kompetanse

selv mener er riktig for seg. Med fritt skolevalg åpnes muligheten for at elever fra f.eks. Hurum i Buskerud kan søke seg til Frogn videregående skole i Akershus, eller at elever som bor på Kløfta, har mulighet til å komme inn på musikk, dans og drama i Lillestrøm. Kanskje får elever fra Lillestrøm mulighet til å søke på Greåker i Sarpsborg, og de som bor på Skedsmokorset, får lov til å søke seg inn på Nannestad og lære om aerodynamikk og luft- og romfart. Det er derfor Høyre i regjering jobber for å innføre fritt skolevalg i alle fylker. Vi mener at elevene selv skal kunne velge hvilken skole de ønsker å søke seg til, og den valgfriheten må veie tungt. I dag er det opp til fylkene selv å bestemme om man ønsker fritt skolevalg. I Viken har man altså Akershus, som har fritt skolevalg med inntakssoner, og Buskerud og Østfold, som begge baserer seg på nærskoleprinsippet. Den nye plattformen som de rød-grønne i Viken nylig la fram, sikrer nærskoleprinsippet, et prinsipp som gir elever ikke bare rett til å gå på nærskolen, men som låser dem fast til det hvis linja eleven ønsker å gå på, tilbys på nærskolen. Dette gjør det vanskelig for elever som ønsker å skifte miljø, og det gir elevene mindre valgfrihet i undervisningen et prinsipp hvor elevenes postnumre alene avgjør hvor de skal gå på skole, istedenfor å ta hensyn til at elevene er gamle nok til å kunne ta en fornuftig vurdering. De rød-grønne partiene ser det som sitt oppdrag å være en motmakt til dagens regjering. Høyre jobber for at flest mulig beslutninger flyttes ned til dem det gjelder, og i dette tilfellet er det elevene. Det må være mulig for en elev etter 10 år med skole i det samme·miljøet å kunne velge noe annet – enten det er en spennende linje, eller for å bytte miljø og få seg nye venner. Uansett grunn er det ingen andre enn eleven selv som vet dette best. For Høyre er det viktigere å sette eleven foran systemet. Jeg må få benytte første anledningen jeg er

I altfor mange kommuner er det dessverre slik at lærere og ansatte i helseomsorgen sier at de ikke får dagene til å strekke til. Da trenger vi flere ansatte. Det koster penger, og her svikter regjeringen norske kommuner, skolebarna og de eldre. For SV handler distriktspolitikk om moderne lokalsamfunn der det skapes trygge og gode arbeidsplasser, og der folk har nærhet til skole, Nav, jobb og mange aktiviteter. Det må være høy kvalitet på barnehager, skoler, helsetilbud og kulturtilbud i hele landet. Kvalitet koster, og derfor foreslo SV over 5 mrd. kr mer enn regjeringen til kommunene i behandlingen av kommuneproposisjonen i vår. Også fylkeskommunene får trolig mindre i 2020 enn de gjorde i 2019 med regjeringens politikk. Det varsles en stor reduksjon fra Kommunaldepartementet. Regjeringens kutt i fylkenes budsjetter vil ramme elevene i videregående skoler, regionale utviklingsmidler, kultur og museer og alle som er avhengig av transport, enten de kjører på fylkevegene med bil eller buss, eller med ferjer. Så til noe annet: I går skrøt regjeringen av at det kommer få asylsøkere til Norge. Ifølge FN var det ved inngangen til 2019 70,8 millioner mennesker på flukt. Av disse flyktet 29,4 millioner over en landegrense. 41,3 millioner er på flukt i sitt eget land. Mennesker som har flyktet på grunn av naturkatastrofer, er ikke medregnet i tallene som er nevnt. Disse kommer altså i tillegg. Det er beregnet at 17,2 millioner ble fordrevet av

på bristepunktet. Kommunene – som jeg da elsker – har bygget opp både kompetanse og kapasitet til å gjennomføre integrering og bosetting. Og mange kommuner ønsker å ta imot flere fordi det har så veldig mange positive ringvirkninger for lokalsamfunnet. Til slutt vil jeg nevne at SV vil støtte forslaget fra Miljøpartiet De Grønne om å hente hjem den syke fireåringen i Al–Hol, sammen med søsteren og mammaen hans. Gutten er veldig snart fem år. Og la det være klart: Mødre som returneres med barna, kan straffeforfølges når de kommer til Norge. Norge må ta ansvar for sine egne statsborgere.

hvor partene ikke fikk være med, leverte sin innstilling her forleden. Jeg har beveget meg på utsiden av dette huset i dag og deltatt på et seminar om kraftskatteutvalget sammen med om lag 300 andre – de fleste representerte Distrikts-Norge. Meldingene derfra var i Meldingene derfra var i tråd med Arbeiderpartiets syn på utvalgets forslag, nemlig at det er et avgjørende prinsipp at ved bruk av naturressurser skal en del av verdiskapingen ligge igjen lokalt. For Arbeiderpartiet er det altså uaktuelt å rive i stykker den samfunnskontrakten vi har for vannkraften. Bare for mitt eget fylkes del, Østfold, vil forslagene fra utvalget fjerne om lag 50 mill. kr i året – penger som kommer innbyggerne til gode. I så måte så måte er det fullt ut mulig å være enig med de om lag 300 deltakerne på seminaret om kraftskatteutvalget som ble holdt i dag. De ba ikke om at forslagene ble skrinlagt, de ba om at forslagene blir makulert. Så fikk vi også forslag om ny domstolstruktur, hvor nedlegging av bl.a. Heggen og Frøland tingrett ligger inne, hvor de mener at dette bør flyttes fra Mysen til Ski. Utfordringen er ikke i første rekke at Heggen og Frøland tingrett ligger på Mysen i indre Østfold, utfordringen er at domstolene er sulteforet. Det er lange køer for ofrene for kriminalitet, og kriminelle får nå strafferabatt fordi det har tatt lang tid å få saken opp til doms. Stortingsrepresentant Ingjerd Schou fra indre Østfold og Høyre sier følgende i lokalavisen:

Jeg håper at representanten Schou har gjennomslag i egen flertallsregjering. Arbeiderpartiets målsetting er å ta hele Norge i bruk. Arbeiderpartiets distriktspolitiske mål er ikke å legge ned og sentralisere. Arbeiderpartiets distriktspolitiske mål er å desentralisere det vi kan, og gi innbyggerne gode og effektive tjenester nær der de bor og lever. Da kan man ikke tappe distriktene for penger og kompetanse, slik den sittende regjeringen har en forkjærlighet for å gjøre. Noreg er eit godt land å bu i og blir framleis rangert som eit av verdas beste land å leve i. Me som er så heldige å bu i eit land med gode velferdsordningar, låg arbeidsløyse og der befolkninga er høgt utdanna,

same mobilprisar i Europa som heime, norske studentar får unike moglegheiter til studietilbod, Europeisk helsetrygdkort sikrar deg same behandling ved sjukdom som innbyggjarar i det aktuelle EU-landet og moglegheiter til å bu og jobbe kvar som helst innanfor EØS-området. Aftenposten hadde 11. juni i år ein leiar med overskrifta «Folket blir mer og mer glad i EØS. Politikerne henger etter». Det var med bakgrunn i Sentios måling for Klassekampen og Nationen, som viste til at 61 pst. ville stemt ja i ei folkeavstemming om å behalde avtala. 25 pst. svarte nei. Vidare viste dei til at støtta har auka betydeleg sidan første måling i 2012. Då sa 46 pst. at dei ville behalde avtala. Om oppslutninga er stor blant folk, er det bekymringsfullt at det ser ut til at delar av fagbevegelsen rustar seg til kamp om EØS-avtala. I avisa Varden frå mitt heimfylke, Telemark, på tysdag skriv ein i leiaren under overskrifta «Farlig spill om EØS» om Fellesforbundet si avdeling i Telemark, som er svært tydeleg i sitt innspel til landsmøtet og meiner at «EØS er en selvpåført tvangstrøye som vi snarest mulig bør kvitte oss med!». Lat oss håpe at andre delar av fagforeininga ser viktigheita av EØS-avtala. Forhåpentlegvis er kaoset rundt brexit òg med på å synleggjere at det ikkje er så enkelt å erstatte EØS-avtala med frie handelsavtaler.

tillegg til at det også gir noe til den enkelte person som tar en slik utdanning. Kan vi nå klare å bli enige om hvordan vi gjør det, for denne delen av utdanningssystemet flyter egentlig mellom mange sektorer, og kanskje litt utenfor, og ingen er vel helt sikre på hvem som har ansvaret. Barnehagetilbudet og grunnskolene er det kommunene som har ansvaret for. De videregående skolene ligger hos fylkeskommunen. Universitet og høyskoler har ansvaret for høyere utdanning, og formelt ligger vel kanskje ansvaret for desentral høyskoleutdanning hos de sistnevnte, men de er ikke nødvendigvis gjort i stand til det, eller har prioritert det nok, selv om mange er gode også. Det finnes vel 60 ulike steder hvor det gis desentral høyere utdanning i dag. De er avgjørende viktig for at kommuner og regioner får riktig og viktig kompetanse til det offentlige og private næringslivet. Ikke minst er profesjonsutdanningene meget attraktive, og det det er mange eksempler på at uten slike tilbud ville det vært mangel på lærere, sykepleiere, sosionomer etc. De ulike desentrale utdanningssentrene har i stor grad oppstått ut fra behovet som finnes, og er blitt finansiert av bl.a. kommuner, fylkeskommuner ved regionale utviklingsmidler, næringsliv samt noe fra høyskoler og universiteter. Saken er at en trenger koordinatorer og tilretteleggere for

avgjørende viktig for utviklingen innen både det offentlige og det private, og ikke minst for enkeltmenneskene som får dette tilbudet. Det gir også attraktivitet for et sted eller en region å kunne tilby slik utdanning for etablering av private bedrifter og offentlig virksomhet, så som Norsk helsearkiv på Tynset – takk til alle som bidro der – men også generelt når det gjelder tilflytting. Dette må vel være i tråd med satsingen fra regjeringen, Lære hele livet. Dette bør være en sak alle vil være med på å få til en god løsning på – hele landet og alle politiske partier. Så jeg vil utfordre statsrådene Mæland og Nybø til å få på plass et løp der vi får plassert desentral høyskoleutdanning ordentlig inn i utdanningssystemet. EØS-avtalen er

I den offentlige debatten om å utrede alternativer til EØS-avtalen er det gjerne markedsadgangen som trekkes frem. Midt i brexit-tåken er det da fristende å spørre om en virkelig tror at søkkrike Norge i dag ville få en mer gunstig handelsavtale enn den vi faktisk har i EØS. Svaret på det vil for de fleste åpenbart være nei. Det er også viktig å trekke frem at EØS-avtalen faktisk handler om mye mer enn markedsadgang og eksport: Bevegelsesfrihet, forskningssamarbeid, utdanningssamarbeid, eller det omfattende arbeidet for standardisering av forskrifter på en lang rekke områder er eksempler på forhold som styrker norsk samfunnsliv og gjør hverdagen enklere for mange av oss. Vi lever i en tid da motkreftene for internasjonalt samarbeid er i fremvekst. For små nasjoner som vår er det ikke en god utvikling, tvert om. Det er først og fremst de små nasjoner som er tjent med gode internasjonale institusjoner, som kan ivareta sikkerhet og forutsigbarhet, i motsetning til det som har vært historiens regel, nemlig at de store har kunnet ta seg til rette. I Europa handler dette selvsagt om EU. EU er i dag det EU var tenkt å være, nemlig en garantist for fred mellom de europeiske landene og et redskap for mest mulig likeverdig behandling når det kommer til rettigheter og økonomiske muligheter. I dette er det investert mye. Og det er trist å se hvordan mange av de fordelene som har blitt oppnådd, nå blir tatt for gitt, og at motkreftene får vind i seilene uten at man ser fordelene som henger med. En eventuell utredning om alternativer til EØS-avtalen, initiert av storting eller regjering, kan vanskelig leses som noe annet enn et sterkt signal om at Norge ønsker en løsere tilknytning til EU enn den vi har. Dette vil være en ulempe i det kontinuerlige diplomatiske arbeidet som Norge, som ikke-medlem av EU, til enhver tid står i. Signalene som kommer fra tunge miljøer i fagbevegelsen, er derfor foruroligende, ikke minst i lys av den innflytelse fagbevegelsen har i Arbeiderpartiet. Det påhviler Arbeiderpartiet et stort ansvar for ikke å gi etter for indre press fra fagbevegelsen, enn si ytre press fra et stadig voksende Senterparti. Det har vært bred enighet i Stortinget om at EØS-avtalen fungerer godt for Norge. I dette spørsmålet må vi løfte blikket og holde fast ved de lange linjene i norsk utenrikspolitikk og ikke la skiftende vinder og kortsiktige politiske gevinster undergrave våre muligheter i årene som kommer. Vi har en valgkamp bak oss som i hvert fall i Finnmark avslørte en stor avmakt blant folk. Avmakten knytter seg til mange forhold, som tvangsammenslåingen av Troms og Finnmark, frustrasjon over mangel på økt styrking av Forsvaret i nord, helikoptre som skulle flyttes sørover, statlige arbeidsplasser som flyttes ut, eksemplifisert gjennom denne ukens forslag om å fjerne to av tre tingretter i landet. Det betyr at en kan måtte dra nesten 50 mil, fra Kirkenes til Alta, for et møte i tingretten. Det føyer seg inn i et bilde der fjerning av kompetansearbeidsplasser fra Finnmark og andre distriktsfylker blir tydelig. Denne regjeringen har overført ansvaret for statlige fiskerihavner fra Kystverket til Det har i praksis betydd at planlegging av nye fiskerihavner har stoppet opp. Denne typen planlegging er spesialkompetanse, og per i dag er neppe noen av fylkeskommunene klare for den krevende oppgaven de har ansvar for fra 1. januar 2020. Utbygging av fiskerihavner er kritisk infrastruktur for norsk fiskerinæring, og måten dette feltet har vært behandlet på

selv om Frank Bakke-Jensen fra Høyre lovet realisering i forrige valgkamp. Kløfta, som også er lovet realisert, ligger langs E45 mellom Alta og Kautokeino, er rasfarlig og attpåtil ferdig planlagt av Statens vegvesen. Ny flyplass i Hammerfest venter også på en avklaring. Dagens flyplass har for dårlig regularitet, og en avklaring er viktig for olje- og gassbyen Hammerfest. Arbeiderpartiet forventer at Finnmark får sin rettmessige andel av samferdselsmidlene i Norge, men også at statsbudsjettet inneholder midler som overføres til fylkeskommunene til utbygging av fiskerihavner. Vi kommer til å følge nøye med på om midlene følger de nye oppgavene. Avmakt er en skrekkelig følelse som ikke avler noe godt. Den følelsen mange i Distrikts-Norge sitter med, at all vekst og utvikling skjer i befolkningstette områder, mens ressursene skal hentes i periferien uten at ringvirkningene blir der, bygger ikke landet. Arbeiderpartiets stolte slagord «By og land hand i hand» fra 1933 står seg ennå i dag, og er fortsatt vår gjeldende politikk. Det går veldig bra i Norge, men vi hviler ikke på laurbærene i Høyre. For det er

I Høyre vil vi omstille og forandre for å bevare. Vi vil holde fast ved det som gjør Norge til et godt land å bo i – et land med små forskjeller, et land hvor vi har tillit til hverandre, et land hvor tjenestene er nær der folk bor. Av og til er det nødvendig med reformer fordi det har skjedd endringer i samfunnet vårt over tid. Vi lever heldigvis ikke i et land som er sementert. Vi lever i et Norge som er i utvikling og i bevegelse. Derfor må systemene vi har etablert, endres i takt med utviklingen. Endringer og omstillinger tar tid, og et styringsdyktig parti må tåle å stå i vanskelige omstillinger uten å vingle når omstilling smerter. Kommunereformen handler ikke om å sentralisere makt, den handler om å stoppe den sentraliseringen som allerede foregår. Mange mindre kommuner opplever fraflytting, og har problemer med å levere kvalitativt gode tjenester. pst. av de små kommunene i Norge sier at de er helt avhengige av samarbeid og interkommunale avtaler eller innkjøp for å kunne levere tjenester til innbyggerne, jf. en rapport fra Telemarksforskning. Og når man allerede samarbeider og har inngått interkommunale avtaler med nabokommunene om barnevern, brannvesen og sykehjem, er det ikke da like greit å gå løpet helt ut og bli en større kommune med felles rådhus, felles rådmann, felles ordfører og felles kommunestyre?

Det er skremselspropaganda å hevde at kommunesammenslåing innebærer at folk mister tjenestene der de bor. Det er kun rådhuset, kommunestyret og ordføreren pluss noen administrative tjenester som blir slått sammen. Innbyggerne i Asker, Hurum og Røyken har forstått at de har mye å vinne på å bli en større kommune. Det var stor skepsis der også til å begynne med, slik det alltid er ved store endringer, men nå er folk positive. De aller fleste mener at dette er en god og riktig beslutning, noe de også ga uttrykk for ved valget i høst. Høyre opplevde, som det ledende og største partiet, å få rekordstor oppslutning, 43,1 pst. Jeg er glad jeg bor i en kommune som er opptatt av utvikling, som har politikere som er fremoverlente, og som vil forandre for å bevare.

bevare. For Høyre i regjering har det vært viktig å sikre et bærekraftig velferdssamfunn. Derfor har det vært viktig å få flere i jobb, inkludere alle i samfunnet og samtidig sørge for at vi innfrir klimamålene. I distriktsfylket Nordland går det så det

Det samme bildet fikk jeg presentert hos Elkem Salten, som holder på med en storstilt ombygging for energieffektivisering. De har også benyttet seg av viktige regjeringsstøttede ordninger og investert for rundt 2 mrd. kr siden 2013. NOx-utslippene er redusert med over 40 pst. – tilsvarende utslipp fra 300 000 biler. Så har vi den kanskje mest voksende aktiviteten i Distrikts-Nordland, nemlig havbruk.

Elkem Salten eksporterer mer enn 90 pst. av omsetningen på over 1,5 mrd. kr. Uten denne avtalen – som også er med på å sikre samarbeid innen miljø, forskning og kompetanse – ville ikke Elkem kunne drive industri i Norge. I mitt spørsmål til representanten Gjelsvik i replikkrunden spurte jeg ham om verksdirektøren tok feil. Fikk jeg svar? Nei. Skolens innhold skal fornyes, sa Kongen i går, og fagfornyelsen er

De siste 13 årene er verden blitt mindre. Landegrensene er mindre synlige, og verdenssamfunnet har samlet seg om flere felles mål, som FNs bærekraftsmål og Parisavtalen. For å nå disse målene trenger man en skole som viser hvordan verdens utfordringer henger sammen. Nye læreplaner er et viktig steg på veien for å oppnå dette målet. Stortinget har vedtatt at bærekraftig utvikling skal være et prioritert flerfaglig tema i de nye læreplanene. Kunnskap om klimaendringene er en viktig forutsetning for å lykkes med det grønne skiftet og for å kunne møte klimakrisen, og vi må ta ansvar og sikre at de nye læreplanene møter de nasjonale og globale utfordringene som følger av dette. Overordnet del av det nye læreplanverket sier at bærekraftig utvikling skal være et av de tre tverrfaglige temaene i skolen. Dette krever kunnskap om problemstillinger knyttet til bærekraftig utvikling og at disse blir konkretisert i fagenes kompetansemål.

da heller ikke i forslagene til nye kompetansemål. Dette er sterkt kritikkverdig, ikke minst i fagene norsk og engelsk, som er spesielt godt egnet til drøfting av vår tids viktigste utfordringer. Framtidens utfordringer kjenner ingen landegrenser. Det har klimaendringene vist oss eksempler på. Da er det uheldig at de nye læreplanene bygger en mur rundt norske elever og det samfunnet de i framtiden skal lede. Våren 2019 demonstrerte 40 000 norske elever for klimaet. Elevene i klimastreiken viste tydelig at de ønsker å ta ansvar for framtiden, de ønsker å gjøre noe for De er globale medborgere. Og det kreves et globalt samarbeid om vi skal finne løsninger på de utfordringene vi har i samfunnet. I trontalen ble det vist til at et av regjeringens mål er

og det faktum at det er et ekstremfylke når det gjelder ferje- og hurtigbåtsamferdsel, tas det ikke høyde for. I tillegg kuttes det kraftig i regionale utviklingsmidler, og det sier seg selv at dette ikke bidrar nevneverdig til vekst og næringsutvikling. Flere innvandrere må inkluderes i arbeidsmarkedet gjennom bedre integrering, heter det også i trontalen. Jeg er helt enig, og i Nordland har vi, særlig i de mindre kommunene, vært knallgode på integrering. Vi trenger flere mennesker, og vi tar vare på dem som Dessverre har regjeringen bestemt at små kommuner nå ikke skal få lov til å bosette flyktninger, så de gode apparatene som er bygd opp, legges nå ned, og vi står igjen uten gode forklaringer. Folk engasjerer seg i den politikken som føres, noe kommune- og fylkestingsvalget viste. Grunnen er at innbyggere i ikke-urbane områder føler seg lite verdsatt og nærmest nedleggingstruet. Tidligere i dag har vannkraftkommunene i Norge et forslag som vil ta nærmere 4 mrd. kr fra distriktskommunene. Utredningen bærer preg av at ekspertutvalget overhodet ikke har lyttet til verken næringen eller kommunene, og konklusjonen til LVK, Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar, er at den bør makuleres. Et annet forslag er nedlegging av tingretter. Man kan jo spørre seg om det er slik at man ønsker et geografisk klasseskille i den norske rettsstaten. Til slutt vil jeg nevne tilskudd til frivilligsentraler. Det er vedtatt at dagens gode ordning skal endres, og det skal gis tilskudd til frivillighet per innbygger i stedet for per sentral, men den totale summen skal være den samme. Dette kan bety kroken på døra for svært mange sentraler i landet, noe som igjen bygger ned lokalsamfunnene våre. Det må gå an å lytte til de berørte og se at man bør snu i denne saken. Heldigvis ble det ingenting av forslaget om endring i veterinærvakttilskuddet, og nå forventes det at også frivilligheten skal få bestå i hele landet gjennom videreføring av dagens ordning.

av dette huset, flau over signalet det sender til alle som ser til landets folkevalgte for trygghet og for et oppgjør mot hat, hets og vold, men tvert imot ser at enkelte maktrepresentanter fra et regjeringsparti fortsetter å bruke konspiratoriske uttrykk som mistenkeliggjør norske muslimer. Jeg lurer på hva som hadde skjedd hvis Siv Jensen hadde gått ut i VG rett før valget og advart mot snikjødifisering av Norge. Hadde vi sett den samme unnvikelsen da? Jeg håper virkelig ikke det. Det finnes ikke noen snikislamisering av Norge. Det som finnes, er en sniknormalisering av ytre høyres retorikk og tankegods. Grensene for hva slags strenger det er blitt lov å spille på, har blitt flyttet stadig lenger. Samtidig ser vi at høyreekstreme oppfordrer til vold, trener på vold og begår vold i Norge. Selv erklærte nynazistiske grupper får lov til å hetse og hate minoriteter, slik vi har sett i mitt hjemfylke, Østfold, og andre steder i landet. Så når norske muslimer har bedt om en handlingsplan mot islamofobi og muslimfiendtlighet lenge, skulle det bare mangle. La det bli en plan med nye, konkrete, prioriterte og målbare tiltak for å ta høyreekstremisme tilstrekkelig på alvor. La planen føre til handling mot muslimhat og sørge for at også ordene vi bruker, bekjemper hat, hets og vold og ikke nører opp under det.

en bølge av unge klimastreikere som krever handling, som er redde, redde for sin egen framtid – med god grunn. Men samtidig vet de at vi kan, hvis vi vil. Vi vet hva som skal til. Teknologien er her. Det er som tidligere statsminister Jens Stoltenberg sa da han lanserte Norges initiativ for å bevare regnskogen i desember 2007, teknologien for å redde regnskogen er kjent. Teknologien for å la et tre stå, den har vi, det er bare å legge ned øksa. Teknologien for å la fossil energi bli liggende i bakken, er her allerede, den også. Det er bare å la være å sette oljeborene i nye hull. Det er nok nå. Hver eneste nye rapport som kommer fra klimaforskerne, er egnet til å ta håpet fra enhver. Men det er da de klimastreikende elevene kommer med sine plakater, sine opptog og sine brøl. Håpet Greta Thunberg gir oss, vil bli stående som en milepæl i verdenshistorien, på linje med Rosa Parks, den svarte dama som i 1955 nektet å gi fra seg sitt sete til en hvit mann på bussen i Montgomery i Alabama, på linje med Steve Biko, den svarte antiapartheidaktivisten. Sammen med disse står Greta Thunberg og hennes millioner av klimastreikende elever. De som ikke står der, er alle de middelaldrende menn – for la oss innrømme det, det er sinte menn som av en eller annen grunn har funnet ut at deres bidrag til verdens framgang skal være å æreskjelle en svensk tenåring. Når farer truer, samler nasjoner seg, de samler seg til felles kamp. Det er det vi må gjøre, samle oss til felles kamp for vår felles framtid. Klimakrisen er vår felles utfordring, og vi kan best løse den i fellesskap. Derfor er mitt ønske at regjeringen kommer til Stortinget med et forslag om hvordan vi kan samle oss til felles kamp om en grønn, ny deal – en grønn, ny deal for miljø, for rettferdighet, for arbeidsplasser og for vår felles framtid. Jeg vil si det slik at enten er

som den perioden hvor Arbeiderpartiet bygde landet gjennom reformer. Men i dag svikter vi, sier de, vi har forandret politisk styringsevne og politisk evne til å se helhet, tillater de seg å si. Jeg sier: At de våger! Gerhardsen-perioden var jo et uttrykk for en utvikling av Norge som høyresiden var imot. Både Gerhardsen personlig, hans regjering og hele den samfunnsutviklingen de representerte, ble forsøkt bekjempet med alle midler av høyresiden i Norge – ikke bare av partiene, men av hele den samlede borgerligheten. De hevdet at vi var kommunister. Det sa de i debattene her i denne salen den gangen. De hevdet at Husbanken var et uttrykk for organisert kommunisme – den gangen. Men nå sier de at det var en god periode for Norge, men at vi svikter i dagens situasjon. Det er altså en tydelig historisk tråd fra den tiden og fram til denne er altså en tydelig historisk tråd fra den tiden og fram til denne debatten, fordi de hevder at vi nå svikter vår styringstradisjon. Så legger de til: Og partiet går tydelig til venstre. Det er noen fæle greier. Dette er altså den samme måten å operere på som de gjorde i tidligere tider. Sannheten er noe helt annet. Det vi opplever, er at det er partiet Høyre som går til høyre. De vis reelt sett egentlig forsvarte velferdsstaten, mens vi nå ser en konkret vilje til å bygge den ned. Og de kan jo ikke overraskes over at et sosialdemokratisk parti – som har den stolte tradisjonen vi har i vår historie – sier nei til privatisering av helsevesenet, sier nei til grov sentralisering, sier nei til, selvfølgelig, skattelettelser som er helt urimelige, og sier nei til, selvfølgelig, å kutte i alle velferdsordninger til dem som virkelig trenger det i samfunnet. For hva slags reformer er det? Det er antireformer, som bringer Norge tilbake, og derfor er det en politisk frekkhet å påberope seg Einar Gerhardsen. Presidenten vil minne om at uttrykket «politisk frekkhet» tidligere er blitt påtalt som et ikke korrekt parlamentarisk uttrykk.

Digitalisering gjør hverdagen enklere for folk flest. I 2014 ble det satt mål om å redusere kostnader for næringsliv og bedrifter med 15 mrd. kr innen 2017. Det målet er nådd. Men forenklinger skal fortsatt prioriteres høyt, og regjeringens tiltak for å forenkle og redusere rapporteringskrav skal fortsette å spare bedrifter Det nye målet er å forenkle for 10 mrd. kr i perioden 2017–2021 og dermed bidra til å skape enda flere arbeidsplasser i hele landet. Det merkes på arbeidsledigheten at det skapes flere arbeidsplasser. I Nord-Norge har utviklingen også vært positiv. De siste tallene for Nordland viser en ledighet på 1,7 pst., ned fra 2,9 pst. i 2013. Finnmark har en ledighet på 2,5 pst., mot 3,5 pst. i 2013. 2013. Troms har en ledighet på 1,6 pst., mot 2,3 pst. for seks år siden. Arbeidsledigheten er nå den laveste på mange år. Veksten i økonomien har god fart. Norge er på rett spor. Det går godt i Norge, både i sentrale strøk og i distriktene. I mange tiår var det lite utvikling og etablering av nye arbeidsplasser i den nordligste delen av landet. Nå ser stadig flere mot nord. Etter seks år med Fremskrittspartiet ved makten er det større optimisme og framtidstro i nord enn på svært lenge. Vi legger forholdene til rette for vekst i nord. Vi ser det innen olje- og gassnæringen, mineralnæringen og fiskeri- og sjømatnæringen – tre næringer som kommer til å bli særdeles viktige for nasjonen Norge og ikke minst for det nordlige Norge i årene framover. Det bidrar til at andre næringer i nord styrker seg. Vi ser en tydelig vridning i aktivitetene – hvor det meste skjer i nord. Den tydelige veksten i nord gjør Senterpartiets stadige beskyldninger om sentralisering grunnløse. En sånn vekst, investeringsvilje og optimisme skaper naturligvis også noen utfordringer. Det investeres i større fiskefartøy, som gjør at vi også må satse på å utvikle fiskerihavnene, sånn at de nye, større båtene kan fortsette å levere sine fangster og fortsette den gode utviklingen. Jeg var i forrige uke på kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg, i Honningsvåg, og ifølge seniorrådgiver Eirik Selmer hos Finnmark fylkeskommune har de siste årene vært svært positive med tanke på å utvikle fiskerihavnene, spesielt i Finnmark. Så planleggingen har så visst ikke stoppet opp, slik representanten Ingalill Olsen hevdet. Det gir et godt utgangspunkt for å overføre fiskerihavnene til de nye regionene. Vi legger forholdene til rette for videre vekst i nord. Mishandling og vold i nære relasjoner er

På regjeringens vakt slår det store sprekker i politiets arbeid knyttet til vold i nære relasjoner. På området familievold rapporterer politiet en gjennomsnittlig oppklaring på 33 pst. Det betyr at hele 67 pst. av alle saker ikke blir oppklart. Det finnes I disse tallene blir kvinner og barn rettsløse i Norge. I disse tallene svikter storsamfunnet sin plikt om at alle skal kunne leve et fritt liv, fritt fra vold. Istedenfor å komme med effektive tiltak for å bekjempe dette samfunnsproblemet gjennomfører regjeringen en politireform som tar opp mye ressurser, uten å gi resultatene vi trenger. Mangelen på beskyttelse rammer flere tusen i Norge hvert år. Først og fremst rammer det de helt svakeste – barn og kvinner i sårbare situasjoner. Derfor har FNs kvinnekomité kritisert Norge for ikke å ha klart å beskytte kvinner mot menns vold og overgrep.

sikre at politiet har de ressursene de trenger. I tillegg har vi foreslått å innføre styringsverktøy, som måltall, for politiets arbeid med vold i nære relasjoner. Det er ikke detaljstyring av politiet, men hjelp til prioritering, slik regjeringen allerede gjør i politiets arbeid med returer. Til slutt: Vi kan ikke fortsette å svikte kvinner og barn som blir utsatt for vold. Manglende beskyttelse fra staten representerer et brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Vi har et velfungerende demokrati i Norge – med stadig bedre fellesskapsløsninger og rettigheter for den enkelte. Likevel hører vi i dag at opposisjonen strør om seg med fornminner om hvor meget bedre alt var før. Det loves omkamper, reverseringer og klimaløfter som ikke er finansiert. finansiert. Det skaper selvsagt både forventninger og usikkerhet rundt omkring i vårt samfunn. Dette lover ikke godt for å skape et bærekraftig og klimavennlig velferdssamfunn. Bærekraft handler spesielt om det grønne skiftet og ny teknologi med miljø- og klimavennlige muligheter vi ikke har tenkt på før. Regjeringspartiene fører en realistisk og ikke en symbolistisk klimapolitikk. en politikk som ikke svinger klimapisken over folket, men som får folket til selv å velge nye, grønne teknologiske løsninger. Det er en politikk som gjør det lettere, enklere og billigere for folk flest å ta grønne valg, som f.eks. å kjøpe seg elbil. Digitalisering og teknologisk utvikling har skapt behov for reformer som har gitt gode resultater for landet vårt. Vi moderniserer der de rød-grønne ønsker å reversere. Jeg merker en hard retorikk fra de rød-grønne. De hevder bl.a. at private bedrifter er velferdsprofitører, og at regjeringen selger og sentraliserer landet vårt. Dette framstår som både splittende og historieløst og gir

Vi kan godt si at det eneste som går nedover i distriktsfylkene nå for tiden, er arbeidsledigheten. De rød-grønne stempler private som velferdsprofitører og mener visst at det norske fellesskapet bare er offentlig sektor. Jeg vil derfor helt til slutt påminne de rød-grønne om at fellesskapet er private enkeltmennesker i både næringsliv og offentlig sektor

eller forslag om vern, gir dette direkte økte kostnader i millionklassen bare i transportutgifter – for én av to sponplatefabrikker i landet. Dette er kostnader som bedriften må ta for egen regning, og det gir et skjevt konkurransegrunnlag. Samtidig ser man nå et stort ønske om sentralisering av offentlige arbeidsplasser og institusjoner.

Nordland fylkeskommune eier 4 100 km fylkesvei og har samtidig 25 pst. av Norges kystlinje. Og når 66 pst. av Nord-Norges eksport kommer fra Nordland, sier det seg selv at det er mye gods som skal fraktes. Men dette har under denne regjeringen blitt utfordrende. Senterpartiet har de siste årene foreslått i Stortinget at det skal vedtas en tiårig opptrappingsplan for fylkesveiene. Forslaget har gått ut på å sette av 1 mrd. kr til fylkesvei. I tillegg har vi i Nasjonal transportplan satt av penger til rassikring og tunnelsikring på fylkesveiene. Hva legger regjeringen til grunn når de selv sier at små og mellomstore bedrifter og Nord-Norge er deres satsingsområde, men samtidig jobber for en nedbygging av hele regionen? Det er på høy tid at regjeringen begynner å innfri. Statistikken viser oss at det går godt i Distrikts-Norge. Ledigheten er

Få vet hvilke land som utsettes for straffetoll fra USA neste måned, og ingen kan si om Storbritannia er med i EU eller er utenfor, med eller uten avtale, om noen måneder. I et slikt bilde er det viktig å huske at Norge er et lite land med en åpen økonomi. Derfor er det viktig å verne om frihandel og internasjonalt forpliktende samarbeid. Derfor er det viktig å advare mot den EØS-motstanden vi ser hos flere opposisjonspartier og i deler av fagbevegelsen. 75 pst. av eksporten fra distriktene våre går til EØS-området. Å sette denne avtalen i spill for å få en brexit-lignende situasjon i Norge er ekstremt dårlig nytt for distriktene og for arbeidsplasser i hele landet. Derfor håper jeg at nettopp mange i distriktene får med seg at Senterpartiet allerede på dag to i denne sesjonen fremmer forslag om å svekke vårt forhold til EØS. Regjeringen reformerer ikke for å ha noe å gjøre. Den forandrer nettopp for å bevare det gode i vårt samfunn. Kommunereformen handler ikke om å sentralisere makt, men om å stoppe den sentraliseringen som ellers vil skje. Et blomstrende næringsliv er den beste distriktspolitikken, og da må fokus være på hvordan vi sikrer og bygger kompetanse der ute, ikke å telle antall rådhus. Norge forandrer seg, og da må vi også være villig til å forandre politikken. Vår oppgave er å svare på morgendagens utfordringer og ikke fokusere på gårsdagens fortreffelige løsninger. Norge står fortsatt overfor store omstillingsbehov, men slik situasjonen er i dag, blir det lite drahjelp å hente hos en fragmentert og lite samarbeidsvillig opposisjon. Representanten Gahr Støre lovte sågar ved starten av denne debatten at deres jobb nå skal bli å være en motmakt. Det er

reduserte posttjenester og fare for manglende tilgang til både fasttelefon og mobildekning. Noen ganger forekommer faktisk flere av disse tingene samtidig. Blant annet kunne beboerne i Sokndal sør i Rogaland vise meg en halv avbrukket telefonstolpe Denne ledningen er den eneste tilgangen til telefoni og nettjenester i store områder langs fv. 1 i Rogaland. Denne feilen er blitt forsøkt meldt til Telenor flere ganger og i lang tid, uten respons og handling. For innbyggerne er alt dette et bilde på en regjering uten handlingskraft og med manglende styringsevne. Arbeiderpartiet vil at innbyggerne i hele landet skal kjenne at de er verdifulle, og at de er viktige. Vi vil bl.a. at alle skal ha rett på bredbånd, på linje med strøm og friskt vann. Arbeiderpartiet vil også at hele det statlige eierskapet skal styres aktivt og oppfylle formålet med eierskapet, nemlig å tilføre trygghet for norske arbeidsplasser, sikre kvaliteten på nasjonal infrastruktur og sørge for at vi bygger kompetanse og arbeidsplasser i hele landet. Arbeiderpartiet vil verne om den norske modellen, inkludert den norske arbeidslivsmodellen. Arbeiderpartiet mener at den norske arbeidslivsmodellen må kunne eksporteres til Det er ikke regjeringens oppgave å importere arbeidslivsmodeller som undergraver norske lønn- og arbeidsvilkår, slik høyrepartiene vil gjøre, f.eks. gjennom Postens etablering av Bring i Øst-Europa. Posten AS har ingenting i Polen og Slovakia å gjøre. annet derfor vil Arbeiderpartiet ha et aktivt eierskap til både heleide og delvis eide statsbedrifter. Den halve stolpen i Sokndal skal nå få lov til å stå som et eksempel på hvordan mange i Norge føler det når de hver dag opplever å ikke bli tatt vare på av høyreregjeringens partier.

i ei takt som me vanskeleg såg for oss då Høgre inntok regjeringskontora i 2013. I tronge vestlandsfjordar utviklar skipsverft verdsleiande teknologi for framtidas fossilfrie hurtigbåtar. Brødrene Aa i Hyen er eit av dei skipsverfta som ser for seg eit forretningspotensial i denne utviklinga. Med karbonskrog og batteridrift løftar dei hurtigbåtsegmentet opp frå å vera ein miljøversting til å verta utsleppsfrie alternativ på sjøen. Trøndelag har saman med fleire fylkeskommunar langs kysten stilt krav til framtidsretta kollektivløysingar på både sjø og land utan bruk av fossil energi. Slikt vert det innovasjon og utvikling av. Aker BP, Kværner og Equinor posisjonerer seg no for å gå inn i spanande farvatn med flytande havvind, noko som kan verta vårt neste industrieventyr. I Sunnhordland har grupperinga bak ZEEDS teke mål av seg til å sjå på heile verdikjeda, frå produksjon og distribusjon av framtidas reine energikjelder, baserte på straum frå havvind med ammoniakk som energiberar, til ein oppgradert skipsflåte som kan nytta desse energistasjonane til havs. Me elektrifiserer Noreg – ferjer, bilar, byggjeplassar, anleggsbransje. Me bestiller nye propellfly for levering i 2030, og bestiller nye propellfly for levering i 2030, og dei vil gå på elektrisitet. Hamner får landstraum, og sirkulærkonomi breier om seg. Og kvifor skjer dette? Jo, fordi denne regjeringa har hatt langsiktige strategiar for omlegging av heile vårt næringsliv til å verta grønare og meir berekraftig. Gjennom vår politikkutvikling har me fokusert på dette eine – me må snu næringslivet vårt til å byggja opp kring fornybarsamfunnet. Samstundes bidreg dette til at me òg i framtida held posisjonen vår som verdsleiande innan maritim skipsfart. Dette gjer me gjennom utdanningssystemet, gjennom verkemiddelapparat, forskingsråd og innovasjonsprosjekt, gjennom katapultar og pilotprosjekt, gjennom utvikling av samfunnsstrukturar og langsiktig politikkutvikling og føreseielege rammevilkår. Krava frå næringslivet om forenkling i byråkratiet og betre infrastruktur vert møtte med tiltak. Difor satsar me m.a. på ferjefri E39, me digitaliserer, og me effektiviserer. Me har gjort mykje, men me har enno ein jobb å gjera. Enno har me eit stykke fram før me kan seia at me er eit utsleppsfritt samfunn. Høgre kjem difor til å gjera meir av det som me ser verkar for eit betre klima og omstilling i næringslivet.

og la rammene for et mer systematisk klimasamarbeid mellom verdens land. Dessverre var det ikke nok. Fortsatt gikk verdens utslipp opp og det biologiske mangfoldet ned. Det var mye prat, og det var lite handling. Nå har vi ikke tid til å vente, og derfor er jeg veldig glad for at regjeringen prioriterer klima og bærekraft. Siden vi tok over, har utslippene gått ned. Samtidig vet vi at vi framover må gjøre langt mer. Så er det slik at vi redder ikke verden med skam, men vi gjør det med handlekraft, teknologi og globalt samarbeid. Med Høyre i regjering skal Norge ta vår del av ansvaret. La meg dra et par eksempler. Vi gjør for det første vårt for fornybar energi, for mer vann, offshore vind, sol til de mange hus og hjem og en egen hydrogenstrategi. Vi satser på karbonfangst og -lagring for å få ned utslippene fra industrien. Vi forbyr den unødvendige engangsplasten og dobler satsingen for renere hav og på FNs grønne klimafond. Vi slutter oss også til EUs klimasamarbeid, som forplikter politikere i hele Europa til å gjennomføre reelle utslippskutt som og det blir med Høyre i regjering rekordmye til tog, buss og sykkel, slik at folk kan komme seg fram raskere og mer miljøvennlig. En av de ferskere nyhetene er et nullutslippsfond for næringstransporten på 1 mrd. kr og en egen strategi for grønnere skipsfart. Langs hele kysten bygges det nå landstrøm som får ned utslipp til luft og til sjø. Vi tar også grep som ikke nødvendigvis er populære, men like fullt viktige. Neste år øker CO 2 -avgiften. Forurenser skal betale, og det skal lønne seg å velge grønt. Samtidig senker vi skatten på arbeid og øker innsatsen på forskning og grønnere investeringer gjennom Enova og Nysnø Klimainvesteringer i Stavanger. blir mer konkurransedyktig og kan skape flere grønne jobber. Verden trenger land som går foran og viser at det er mulig å omstille seg til en grønnere økonomi og samtidig ta vare på jobbene. Med Høyre bak roret er Norge et slikt land. Vi skal stoppe utslippene og ikke

Gjennom dette forslaget vil staten kanalisere inntektene til seg selv og med et pennestrøk fjerne en hundre år lang tradisjon med konsesjonsordninger. De bryter samfunnskontrakten og viderefører og øker grunnrentebeskatningen fra 37 pst. til 39 pst. De nuller ut de lovfestede ordninger for inntekter til kommunene – konsesjonskraft, konsesjonsavgift og eiendomsskatt.

Dette forslaget fratar lokalsamfunn rundt om i landet lovfestede direkte inntekter. Forslaget vil føre til et svik mot distriktskommuner og vannkraftproduserende kommuner. Staten svekker muligheten til en offensiv utbygging av norske vannkraftressurser. De svekker eierskapet til dem som har utviklet ren fornybar energi – dette midt i en klimadebatt som har som en av sine viktigste målsettinger å framelske utviklingen av fornybar energi. Et fellestrekk ved disse ekspertutvalgene ser ut til å være at de som omfattes av endringene, ikke er med. Kraftkommunene fikk ikke plass i kraftskatteutvalget, som konkluderte med at kommunene vil miste inntekter. Ekspertutvalg er ikke partsutvalg, var svaret Landssamanslutninga av Vasskommunar, LVK, fikk. Regjeringen har allerede sentralisert grunnleggende offentlige tjenester som politi og ambulanse. Nå ønsker Fremskrittspartiet og Høyre også å flytte kommunenes kraftpenger til Finansdepartementet i Oslo.

Vi trenger nemlig en politikk som sier ja til mulighetene langs kysten, og vi trenger et utdanningssystem som gir mestring og ferdigheter til ungene våre. Høyre i regjering har vært pådriver for både å ta i bruk mulighetene og ikke minst å satse på utdanning og forskning. Vi har med norsk teknologi og kompetanse klart å forene en forsvarlig og bærekraftig bruk av naturen sammen med vekst De siste års satsinger har også bevist at det ikke bare går godt langs kysten, det går også godt i norsk skole. Flere lærer mer, færre faller fra, stadig flere lærere har fordypning i sine undervisningsfag, stadig flere går ut som masterutdannede lærere, og så mye som hver tidende søker til høyere utdanning ønsker å bli lærer. På videregående ser vi at flere tar yrkesutdanning og flere får læreplass. Flere bedrifter forsker, og rekorder settes i forsknings- og utviklingsarbeidet. Vi setter altså stadig rekorder, og pilene peker i riktig retning. Da er det skremmende å høre på opposisjonen her i dag som vil endre kurs. Hva slags politikk de vil føre, er vanskelig å spå, men med Rødt, SV og MDG i framvekst og Arbeiderpartiet som går mot venstre, bør flere merke seg den mulig distriktsfiendtlige politikken en sånn politisk allianse vil kunne føre. I sum er de mot oppdrett, som gir flere trygge jobber og mer bærekraftig mat. De er mot uttak av mineraler, som gir flere trygge jobber, og som er nødvendig for det grønne skiftet. De er mot vekst i turisme, som gir flere trygge arbeidsplasser og bidrar til aktivitet i store og små lokalsamfunn. Og de er mot opptak av mer gass, som gir flere trygge arbeidsplasser, og som kan erstatte europeiske kullkraftverk, for å nevne noe. På kunnskapsfeltet viste de rød-grønne i sin tid liten vilje – verken til å satse på flere lærere eller til å satse stort på videreutdanning. Nå er de mot at kompetansekravene skal gjelde alle lærere, og står for en politikk hvor det ikke er så viktig at alle ungene våre får undervisning fra lærere med fordypning i faget. Der Høyre og regjeringen fokuserer på flere dyktigere lærere og kunnskap, får skolematen oppmerksomheten på

men talarane frå regjeringspartia treffer berre folk som er samde med dei. Sjølv i politiet, der 80 pst. synest reforma er dårleg, treffer dei berre folk som skryter av reforma og seier at ho er bra. Dei treffer heller ingen som er ueinige i tvangssamanslåing av fylke eller kommunar. Desse menneska som ein aldri møter, lyttar ein sjølvsagt ikkje til og tek heller ikkje på alvor. Regjeringspartia har tydelegvis fasiten og berre behov for å snakke med seg sjølve og dei som er samde med dei. Eg synest mangelen på audmjukskap overfor det at det er gjennomført eit val som seier noko om folks oppleving av denne retninga, er ganske oppsiktsvekkjande. Så skal sjølvsagt folkevalde leie, men folkevalde skal òg kjenne folket sitt, og dei skal lytte til folket sitt. Det er slik vi byggjer eit demokrati der alle vert sette, høyrde og tekne på alvor, og det er slik vi også byggjer fellesskap og tillit. Det andre som gjorde inntrykk i går, var preika til preses i Bispemøtet, Helga Haugland Byfuglien, i Oslo domkyrkje. Temaet for preika var miskunn – korleis vi oppfører oss overfor andre. Eg trur på eit fellesskap mellom menneske bygd på respekt og tillit. Eit ord seier at delt glede er dobbel glede, og delt sorg er halv sorg. Åleine er vi små. Tryggleik får vi i flokken. Mange små fellesskap summerer seg opp til større og større fellesskap. Dette fellesskapet treng òg institusjonelle rammer og

Derfor har Arbeiderpartiet foreslått betydelige utvidelser av stønadsordningene innen tannhelse, fordi vi mener alle bør ha mulighet til nødvendig tannhelsebehandling. Derfor har vi satset på skolemat, fordi vi mener ingen barn skal måtte gå sultne på skolen. Kun gjennom å satse på fellesskapet kan vi få til et samfunn med små forskjeller og bekjempe fattigdom og utenforskap. Høyreregjeringens resept er Høie har valgt en kurs der mitt sykehus, Sørlandet sykehus, nå må spare 178 mill. kr. Det gir neppe raskere og bedre pasientbehandling til flere. Høyreregjeringen har valgt innstramminger i stønadene til tannhelse framfor utvidelser. Høyreregjeringen synes heller ikke det er noe problem at anslagsvis 60 000 barn og unge ikke har med seg niste på skolen. Vil man ha små forskjeller og mindre utenforskap, er ikke flere private løsninger Dersom størrelsen på folks lommebok eller spørsmål om helseforsikring skal avgjøre om man får de beste helsetjenestene, får man også større forskjeller, ikke mindre. For en liten stund siden kom det en medisin som kan hjelpe migrenepasienter som er ute av stand til å fungere i hverdagen. En månedsdose koster ca. 5 000 kr. For mange fungerer den medisinen så bra at de kommer seg tilbake på jobb. I mai utfordret jeg statsråd Høie til å godkjenne denne medisinen på blå resept. Han svarte: Vent til statsbudsjettet. Nå er lekkasjen kommet, og Høyre og Høie har ikke penger til å hjelpe disse folkene. Fordi for mange er rammet av migrene, kommer de samlede kostnadene på over 100 mill. kr. Da er det et budsjettspørsmål, og da har ikke regjeringen råd til å prioritere å gjøre de syke friskere. Skattekutt for å gjøre de rike rikere er viktigere. Paradokset er at dersom migrenemedisinen reduserer sykefraværet med et par dager hver måned for hver enkelt pasient,

Sjelden har vel uttrykket «det er bedre å være frisk og rik enn syk og fattig» passet bedre enn under denne regjeringen. Landet trenger en annen kurs, der vi skal hjelpe de syke med å bli å friskere før vi hjelper de rike med å bli rikere. Det er det som vil gi små forskjeller i Norge, ikke høyreregjeringens politikk. For tre år siden møtte jeg som vara under trontaledebatten, og

Noe av det mest frustrerende er at det er veldig vanskelig å få tak i den politiske ambisjonen som ligger bak sentraliseringen. Distriktene rammes av kutt og nedleggelser, ofte gjennomført som rene symbolvedtak som angivelig skal gjøre landet mer effektivt. Men blir vi egentlig mer effektive av lengre reiseveier og dårligere tilbud lokalt? Regjeringen tegnet nytt norgeskart uten først å tenke på hva slags oppgaver fylkene skulle ha. Ingenting ble sett i sammenheng med det allerede eksisterende lappeteppet av statlige regioner som vi har i landet, og tilbudet til folk i regionene har kommet i andre rekke. Når vi nå omsider begynner å se at det kommer nye oppgaver til fylkene, følger det ikke med gjennomføringsmidler. Det samme gjelder for kommunene. Det kommer nye oppgaver og nye krav, men ikke nok midler. Distriktskommunene rammes hardest. Vi så det samme denne uken. Domstolkommisjonen foreslår massiv nedleggelse av tingretter etter at regjeringen nok en gang har bestilt ny struktur uten å tenke på innhold. Regjeringen ser ut til å tro at større alltid er bedre, og at små enheter ikke evner å prestere på lik linje som de store. Dette er direkte feil, og distriktene rammes hvis man ikke klarer å legge fra seg denne tankegangen. den hadde vært litt mindre. Namdal tingrett, som nå er foreslått nedlagt, har god saksbehandlingstid, høy saksavvikling, god effektivitetsgrad og i tillegg få ankesaker – alle tegn på at den lille tingretten driver godt, uavhengig av størrelsen. Digitalisering kan også bidra til å styrke fagmiljøet mer, selv om folk sitter fysisk på ulike plasser. Disse og andre kunne og burde vi diskutert i sammenheng med strukturen, men det har ikke regjeringen ønsket. Det er viktig at vi hele tiden vurderer hvordan summen av ulike vedtak slår ut. Nå taper distriktene i reform etter reform, og hvis utviklingen får fortsette, vil vi snart slite med å ta hele landet i bruk. Det er vi ikke tjent med. Hvis by og land går hand i hand, skaper vi vinnere over hele landet. Vi står sterkere i lag når hele landet står samlet og alle drar i samme retning. Klokken er da blitt 22, og Stortinget tar en pause i forhandlingene. I morgen starter møtet klokken 9, og første taler er statsminister Erna Solberg. – Møtet er hevet.
skal gå i